og mot diskriminering og fordommer. Benkow ble født i Trondheim og vokste opp i Bærum. I 1942 flyktet de mannlige medlemmene av familien til Sverige, hvor Benkow i 1943 avla studenteksamen. Deretter fulgte offisersutdannelse og tjeneste i Luftforsvaret i Canada og Storbritannia. Etter krigen fullførte Benkow sin fotografutdannelse og etablerte egen Han engasjerte seg raskt i lokalpolitisk virksomhet – først som formann i Østfold Unge Høyre og senere som medlem av kommunestyret og formannskapet i Bærum. I 1965 ble han innvalgt som fast representant på Stortinget fra Akershus. Dette ble starten på en 28 år lang stortingskarriere, avsluttet med åtte år som stortingspresident fra 1985 til 1993. Med sin bakgrunn bidro han til å utvide Stortingets kunnskap og styrke Stortingets representativitet. På Stortinget markerte Benkow seg først og fremst som sosialpolitiker. Han var en varm forsvarer for velferdsstaten. En talsmann for toleranse, forståelse og respekt for forskjeller. I rollen som stortingspresident bidro Benkow til å styrke Stortingets rolle og anseelse. Han representerte Stortinget på en verdig og god måte. Stortingets tradisjoner, skikk og bruk og det å bedre arbeidsforholdene for representanter og ansatte var viktig for Benkow. I tiden på Stortinget hadde han også sentrale verv som formann i Høyre, parlamentarisk leder og formann i justiskomiteen. Transatlantisk, europeisk og nordisk samarbeid sto sentralt for Benkow. Han markerte seg som nordist, og var i en periode president i Nordisk råd. Med boken «Fra synagogen til Løvebakken» ble Jo Benkows dramatiske livshistorie allemannseie. Den ga styrke og autoritet til hans kamp mot intoleranse og fordommer. Han var – som det har blitt sagt – et «moralsk kompass for og i det norske samfunnet». Vi minnes Jo Benkow for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne.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

Særlig er innstillingen om samfunnssikkerhet preget av bred enighet om det meste. Det er bra. Ingen har lagt opp til politisk spill, men bidratt til et mest mulig omforent nasjonalt grunnlag for samfunnssikkerhetsarbeidet. Vår oppgave, som storting og regjering, er å legge grunnlag for et enda tryggere Norge, med alt det innebærer, og det mener jeg at vi sammen gjør. Samtidig vedtar vi 90 mill. kr ekstra til politiets terrorberedskapsarbeid. I innstillingen om terrorberedskap slutter en samlet komité seg til målene i regjeringas strategi for å forebygge og håndtere terror, en strategi som også vil bidra til å styrke innsatsen i kampen mot beslektet, alvorlig kriminalitet. Målene er å forebygge

var ikke god nok. Komiteen anerkjenner kommisjonens rapport som et godt beslutningsgrunnlag for tiltak for å bedre samfunnssikkerheten. Med noen svært få unntak slutter en samlet komité seg til regjeringas ulike tiltak for å forebygge tidligere og bedre økt internasjonalt samarbeid å avdekke og avverge terror å styrke beskyttelsen, særlig av kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner, slik at sårbarheten reduseres til et akseptabelt nivå Komiteen slutter seg videre til de mange tiltak som er beskrevet i meldingen, for å styrke evnen til å håndtere terrorangrep, bl.a. ved å styrke den militære helikopterberedskapen, som på anmodning kan politiet. Vi vil også at bistandsinstruksen skal forankres i lov, slik regjeringa jobber med. Jeg vil også nevne betydningen av nytt nødnett – også i lys av god terrorberedskap. En samlet komité slutter opp om oppfølging og tiltak av 22. juli-kommisjonens hovedfunn knyttet til ledelse, holdninger og kultur. Vi er sterkt opptatt av at ny, nyttig og effektiv teknologi skal tas i bruk, ikke minst for at vi skal ha et mest mulig slagkraftig politi. Komiteen synes Teknologirådet bidro med flere interessante innspill og ideer under komitéhøringen. Rådet har et pågående prosjekt, Sikkerhet og åpenhet etter 22. juli, som gir kunnskap som bør være nyttig i Politidirektoratets arbeid med en helhetlig IKT-strategi. Det er ca. 700 000 hørselshemmede i Norge. Komiteen understreker viktigheten av at hørselshemmede og døve kan kommunisere i direkte kontakt med nødetatene, ved hjelp av SMS, så snart dette lar seg gjøre, slik statsråden tydelig har signalisert at hun vil sørge for kommer i orden – senest innen utgangen av 2015. Jeg vil videre nevne at komiteens flertall støtter regjeringas tilnærming til ny våpenlov. Fremskrittspartiet står alene med sitt forslag om at regjeringa skal avstå fra å innskrenke dagens våpenlovgivning. Vi er alle sterkt opptatt av at det må ha høyeste prioritet å få på plass et beredskapssenter i Oslo for de nasjonale politiberedskapsressursene. Dette krever at reguleringsplanen må være klar i løpet av 2014, slik at senteret kan etableres innen Samtidig er det også viktig at grunnberedskapen for politiet i hele landet økes, slik regjeringa legger opp til, gjennom oppbemanning av politiets utrykningsenheter i distriktene, økt trening for politiet til å kunne håndtere «skyting pågår»-episoder, og etablering av minimumsbemanning for alle politiets operasjonssentraler. Som et viktig bidrag for å avdekke, avverge og sikre god forebygging og beredskap i hele Norge er det videre viktig at politidistriktene har en PST-bemanning som er tilfredsstillende for å kunne gjøre et godt arbeid. Dette finner en samlet komité grunn til å peke på. Også dette må ha fokus når politiets samlede ressursbruk settes under lupen. I tilknytning til begge stortingsmeldingene retter også komiteen oppmerksomheten rundt de store og krevende utfordringene vi står overfor når det gjelder informasjonssikkerhet. Når det aller meste i blir vi naturlig nok også mer sårbare – for angrep og for kriminalitet. Den sårbarheten kan og må reduseres. Komiteen understreker viktigheten av utdanning og forskning på dette feltet. Alle gode krefter må gå sammen, og gjør det, gjennom etableringen av et nasjonalt senter ved Høgskolen i Gjøvik, også trukket fram av den særskilte komiteen her på Stortinget. Senteret skal drive forskning og kompetanseutvikling innen informasjonssikkerhet, med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Komiteen mener dette er en viktig etablering. Norge er blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser de siste årene, og samfunnssikkerhetsarbeidet utgjør et svært bredt felt. Det bærer også innstillingen preg av – en innstilling der vi for øvrig har fanget opp mange gode innspill fra komitéhøringen. Gode råd og synspunkter har vi – gjennom innstillingen – gjort til nasjonal politikk. Det er bred enighet om det meste av det som trengs for å forebygge og håndtere naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser – som terror. I samfunnssikkerhetsmeldingen lanseres samvirkeprinsippet som det nye og fjerde prinsipp i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, i tillegg til likhet, ansvar og nærhet. Komiteen støtter dette. Samtidig er komiteen opptatt av at godt samvirke også krever tydelig ledelse for at de ulike aktører skal fungere best mulig hver for seg og sammen. Den sentrale krisehåndteringen er styrket, og Justis- og beredskapsdepartementets samordnings- og lederrolle er styrket og tydeliggjort. Samfunnssikkerhetsmeldingen beskriver mange tiltak som er iverksatt, særlig med bakgrunn i erfaringene fra 22. juli 2011

sjølsagt i god samhandling med de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonene. Redningstjenesten i Norge er unik, og de frivillige utgjør en bærebjelke. De representerer en imponerende dugnadsånd, kapasitet og kompetanse som komiteen mener det er svært viktig å opprettholde og bidra til å videreutvikle – ja, gi fornyet energi. Derfor løfter komiteen fram disse frivillige organisasjonenes posisjon og kapasitet. Det er et tydelig signal til kommunene og nødetatene om viktigheten av godt samvirke, gjennom avtaler, felles prosedyrer og samtrening med denne viktige delen av Frivillighets-Norge. Da blir resultatene også best når det gjelder. La de også få en rolle når det skal lages lokale analyser og planer – de har nyttig kunnskap og erfaring. Disse organisasjonene har 20 000 aktive medlemmer. Jeg synes det er flott at KS nå signaliserer økt oppmerksomhet rundt samfunnssikkerhet og beredskap. La det også inkludere enda bedre partnerskap med de frivillige på dette feltet. Det er min oppfordring. Jeg håper at det at KS engasjerer seg, vil bidra til at flere kommuner begynner å gi ansatte fri med lønn for å delta i redningsaksjoner og beredskapsinnsats. Vi skjønner at det tidvis kan by på praktiske problemer på arbeidsplassen, og at det ikke alltid er lett – likevel: Det har stor verdi å ha ansatte med slik kompetanse og innsatsvilje. Den oppfordringen går også til private arbeidsgivere, sjølsagt. Disse aktuelle organisasjonene, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, den frivillige delen av Redningsselskapet og Norske Redningshunder – de fire som vil få dekket alle sine utgifter knyttet til at de kommer på nødnett – er helt avhengige av stabile og forutsigbare rammevilkår for å kunne gjøre jobben sin og være beredt døgnet rundt alle dager. Da må vi sørge for at de har slike rammevilkår, og det er komiteen tydelig på. Ellers støtter vi opp om de etableringene som er gjort av større interkommunale brann- og redningsselskaper, for å styrke evnen til å takle stadig mer krevende oppdrag, styrke forebygging, tilsynsfunksjonen, kompetansen og slagkraften. I dag dekker disse selskapene om lag 1,5 millioner av landets innbyggere. Vi sier vel egentlig – litt tolket herfra – at vi ønsker flere slike selskaper. Vi er videre opptatt av at kompetanse innen brann og redning får økt fokus, og vi peker særlig på dette når det gjelder de over 8 000 deltidsmannskapene. Brann- og redningstjenesten må være god i alle deler av landet – i by og land. Komiteen peker på at deltidsreformens intensjoner må følges opp. Komiteen støtter også enstemmig at Sivilforsvaret skal bestå, samtidig som vi understreker at det må bety at styrken tilføres nødvendige ressurser. Fortsatt er vannstanden høy mange steder. I innstillingen om samfunnssikkerhet omtales årets flom. Våre hovedbudskap er at beredskapshensynet må løftes – ja, få det jeg vil kalle økt autoritet i alt relevant planverk. Gjeldende planer må gjennomgås på nytt der det er nødvendig, og det bør være lav terskel for å se kritisk på planverket i så måte. Videre sier vi – og det er det viktig å merke seg – at dersom større flomskade først har skjedd, så måte. Videre sier vi – og det er det viktig å merke seg – at dersom større flomskade først har skjedd, vil komiteen framheve at det er en nasjonal målsetting å inkludere forebygging og begrensning av flom ved gjenoppretting av skaden. For mange kommuner har ikke risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. Det er faktisk lovbrudd. Samtidig, så det også er sagt: Mange kommuner er gode på dette. Så her – som ellers – kan det lønne seg med litt godt

med disse problemstillingene denne våren. Selv om partiene i stor grad er enige om situasjonsbeskrivelsen, kommer det fram noen skillelinjer i innstillingen når det gjelder konkrete løsninger og viljen til å løse disse utfordringene. Gjørv-kommisjonen ga norsk beredskap hard medfart. Hovedkonklusjonen var at for mye gikk galt, og at viktige deler av

innbyggere – førstelinjen i beredskapen vår. Halvparten av norske polititjenestemenn er ennå ikke klarert for skarpe oppdrag. Vi har ingen beredskapssenter på plass, og helikoptertjenesten er mangelfull, for å nevne noe. I denne debatten vil vi behandle flere saker sånn at vi bl.a. kan se strafferetten og beredskapen i sammenheng. Dette er positivt og et godt bilde på viktigheten av at vi ser helheten på justisfeltet. Derfor er jeg fornøyd med at også samordning trekkes fram som et nytt beredskapsprinsipp, og at hele komiteen er enig om viktigheten av dette, selv om forskjellene også kommer fram mellom de forskjellige partiene når det gjelder hvordan man skal løse det. Der de ikke-sosialistiske partiene ønsker å trekke SMK tettere inn i beredskapssamarbeidet, ønsker regjeringspartiene å forankre samordningen i dagens departementsstruktur. Jeg er allikevel fornøyd med at alle partiene som er representert, er enige om at samarbeid mellom sektorene er en absolutt nødvendighet for en bedre beredskap. Jeg må understreke viktigheten av at alle partiene ser nødvendigheten av å følge opp denne kunnskapen med handling. Man må før eller siden ta en avgjørelse. Vi må ikke komme i, eller videreføre, en situasjon eller siden ta en avgjørelse. Vi må ikke komme i, eller videreføre, en situasjon hvor utredningen hindrer utviklingen. Når man snakker om samhandling, er det derfor sterkt beklagelig at ikke Stortinget i dag også får tatt debatten om organisering, struktur og system innenfor politiet, men må vente noen dager til før politianalysen legges fram av et utvalg – en analyse som kanskje gir en innstilling som skal behandles stykkevis og delt i framtidige statsbudsjetter. Jeg mener at denne analysen absolutt skulle ha vært på plass i denne behandlingen, for førstelinjeberedskapen og strukturen der er avgjørende for hvordan resten av beredskapen og samhandlingen blir. Hvis jeg skal øve noe kritikk mot regjeringskonstellasjonen,

Jeg vil også minne om at Norge ikke eksisterer i et vakuum. De siste 40 årene har vi sett en utvikling der mennesker blir stadig mer mobile, og verden blir stadig mindre. Dette har beredskapsmessige perspektiver og stiller sikkerhetstjenestene på prøve. Vi har også utfordringer med norske borgere som drar til utlandet for å krige, eller radikaliseres, eksempelvis i Syria eller Afghanistan. Dette er nye trusler for Norges sikkerhet som det er viktig ikke å ta for lett på. Både PST og meldingen understreker at de største terrortruslene kommer fra mennesker med et Al Qaida-basert verdensbilde. Denne utfordringen må tas på alvor. Vi må se helheten. Fremskrittspartiet er derfor kritisk til at bl.a. grensekontroll ikke er viet større Muligheten for potensielle terrorister til å krysse grensene er urovekkende. Fremskrittspartiet mener derfor at grensekontrollen burde forsterkes, og at grensekontrollen spiller en helt essensiell rolle i å stoppe bombemateriell og andre farlige gjenstander før de kommer inn i riket. Det at tolletaten ikke knyttes tettere opp mot beredskapsplanene, er bekymringsverdig. Fremskrittspartiet har lenge vært bekymret for PSTs rammevilkår. Jeg uttalte selv til Nettavisen den 9. juli i 2010: «Stortinget får i dag ikke mer informasjon om terrortrusselen enn det Politiets sikkerhetstjeneste skriver i sin åpne trusselvurdering. Dermed er det umulig å sikre at regjeringen tar utfordringene på alvor, og det er umulig å vite om PST har nok ressurser i forhold til det reelle trusselbilde.» Den situasjonen eksisterer akkurat likedan i dag, og hvis jeg får lov til å si det også: Som trøndere flest har jeg som regel rett, men i dette tilfellet skulle jeg virkelig ønske at jeg tok feil. Stortinget burde så absolutt ha blitt informert om PSTs økonomiske prioriteringer på et langt tidligere tidspunkt. Det er noe Fremskrittspartiet har krevd siden 2010, og det er ikke uten grunn at vi har vært bekymret. Hovedtillitsvalgt i PST, Lasse Roen, uttalte følgende til TV 2 i fjor sommer: «Jeg ser det sånn at vi har for mange oppgaver i forhold til ressurser. Vi synes det er et gap mellom forventningene rundt oss og det vi kan levere.» Jeg er helt på linje med

og vi er undrende til at det ikke umiddelbart omprioriteres mer til terrorbekjempelse. Selv om vi må få et løft når det gjelder terrorberedskapen, er det viktig at vi ikke retter baker for smed. Jeg mener at vi bør slå hardt ned på kriminelle miljøer, men ha to tanker i hodet samtidig. Det å begrense uskyldige og lovlydige borgeres rettigheter er etter mitt syn ikke rett vei å gå. Når det gjelder ett av dagens forslag, står dessverre Fremskrittspartiet Norge har en høy våpentetthet, med ca. 1,2 millioner registrerte våpen. Men jeg vil også minne om at Norge allikevel ligger meget lavt på den internasjonale drapsstatistikken. Det er ikke mulig å sette likhetstegn mellom graden av lovlig våpentilgang og terrorbekjempelse. Jeg vil bare sitere NJFF, Norges Jeger- og Fiskerforbund, som i høringsrunden uttalte: «Påstanden fra 22. juli-kommisjonen om at halvautomatiske våpen terrorbekjempelse. Jeg vil bare sitere NJFF, Norges Jeger- og Fiskerforbund, som i høringsrunden uttalte: «Påstanden fra 22. juli-kommisjonen om at halvautomatiske våpen har lite med norsk jakttradisjon å gjøre, kjenner vi oss ikke igjen i.» Dette forslaget vil bare ramme folk som har en god og fin omgang med våpen i forbindelse med jakt og andre sportsaktiviteter.

bl.a. ved å stille et militærhelikopter på Bardufoss til disposisjon for politiet. Dette er ikke på langt nær nok. For det første vil det fortsatt ikke være noen politihelikopterkapasitet på Sørlandet, på Vestlandet, i Trøndelag, i innlandet eller i Finnmark. For det andre er heller ikke helikopteret på Bardufoss et fullverdig politihelikopter. Konsekvensene av dette er sagt rett ut på side 87 i «Det må imidlertid påregnes perioder der helikoptrene tas av beredskap for å kunne gjennomføre høyere prioriterte militære oppdrag, samt nødvendig øving og trening.» For Fremskrittspartiet er det viktig at beredskapen er fullverdig over hele landet. Vi har derfor fremmet et forslag om å utrede beredskapssentre i alle landsdeler, med fullverdig Politianalyseutvalget får vi om seks dager. Jeg må si at jeg foreløpig stiller meg positivt til de lekkasjene som signaliserer en kraftig reduksjon i antall politidistrikter. Framover vil det bli stadig viktigere å se på organisering og nye løsninger i beredskapssammenheng. Det er derfor positivt at en samlet komité stiller seg bak ønsket om et bedre nordisk samarbeid

har Fremskrittspartiet og Høyre ønsket å rette kritikk mot at temaet informasjonssikkerhet ikke har fått nok plass i beredskapsmeldingen. Regjeringens strategi har heller ikke en overordnet visjon for informasjonssikkerhet eller et uttalt sluttresultat. Vi ser at flere land trolig allerede har benyttet hacking som virkemiddel i storskalaangrep mot andre stater. Dette må vi anta bare vil øke som problem i I terrorsammenheng utgjør både stater, privatpersoner og terrorgrupper utfordringer – med et enormt potensial for å skade kritisk infrastruktur ved hjelp av cyberangrep. Opposisjonen hadde derfor ønsket seg mer fokusering på denne problemstillingen fra regjeringens side. Strafferetten er en integrert del av å sørge for å implementere tiltak også her. Vi har sett i tidligere valgkamper, særlig i 2009, at denne regjeringen i media stadig har gitt inntrykk av at nye straffebud var på plass. I dag er dette fortsatt mangelfullt. Hele prosessen vitner nærmest om kaos og liten gjennomføringsvilje fra regjeringens side. Dette er satt på spissen, om man ser på Gjørv-kommisjonens rapport i 2012, der det slås fast at politiet ikke har noen IKT-strategi. Åtte år etter vedtakelsen av den nye straffeloven er situasjonen at lovendringen ikke er klar Det nyeste overslaget forespeiler en kostnad på utrolige 2,4 mrd. kr. Regjeringen vil ikke engang starte arbeidet med det nye IKT-systemet før i 2015, da de venter på KS2-godkjennelse fra Finansdepartementet. Det har vært hevdet at nye datasystemer må komme på plass hos politiet før den nye loven kan tre i kraft.

Vi ser stadig vekk store utfordringer med naturkatastrofer og flom rundt omkring i Kommune-Norge. Saksordføreren var inne på dette. Her er det viktig at vi fokuserer bredere, slik at beredskapsplaner er forankret i samtlige kommuner, og at man har en samordning som er holdbar når det gjelder å møte de framtidige utfordringene på dette området. Til slutt tar jeg opp de forslag som Fremskrittspartiet er medforslagsstiller til,

Høyre mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke i tilstrekkelig grad hadde iverksatt tiltak som gjorde at samfunnet og staten evnet å beskytte landets borgere. Av den grunn hadde Høyre klare forventninger til at særlig stortingsmeldingen om terrorberedskap ville være en krystallklar strategi og et godt verktøy for bedre sikkerhet. Høyre er derfor overrasket og skuffet over at stortingsmeldingen er så lite konkret. Det er gjennomgang av mange problemstillinger som det ikke er tatt stilling til, lovforslag som ikke er ferdig utformet, og temaer som fortsatt er til vurdering. For Høyre har det likevel vært viktig å legge til rette for en politikk som kan samle Stortinget om en hovedretning som gir økt samfunnssikkerhet og bedre For Høyre har hovedprofilen i særlig grad dreiet seg om å synliggjøre og tydeliggjøre ansvar – også helt på toppen. Vi har lagt vekt på samarbeidet mellom politi og forsvar. Og vi har spesielt løftet fram behovet for økt sikkerhet i cyberdomenet – etter Høyres mening trolig det området hvor trusselbildet i størst grad utvikler seg i en truende retning. Jeg vil takke saksordføreren, som har lagt til rette for en inkluderende prosess i komiteens behandling av disse sakene. Etter Høyres mening er det på høy tid å gjennomgå det tradisjonelle skillet mellom sivil og militær sektor. Den historiske begrunnelsen for dette skillet er viktig å huske, men dagens trusselbilde må møtes med en større grad av samordnet innsats fra landets sikkerhetsorganer. I dagens trusselvurderinger I dagens trusselvurderinger er det ikke lenger et krystallklart skille mellom nasjonale og internasjonale trusler. Høyre har derfor flere ganger foreslått at det skal utarbeides en egen lov som på en forutsigbar og effektiv måte kan legge til rette for et godt samspill mellom politi og forsvar – innenfor Grunnlovens rammer. Disse forslagene har blitt nedstemt, men vi konstaterer med tilfredshet at regjeringen har varslet at den likevel vil utarbeide en slik lov. En stor og stadig økende del av samfunnsstrukturen er bygget på digitale data og datasystemer. Det gjør samfunnet mer effektivt, og det legger til rette for næringsutvikling og gode tjenester. Men det gjør oss samtidig mer sårbare. Derfor er det viktig å styrke informasjonssikkerheten. Høyre er overrasket over at dette ikke er viet større plass i de sakene vi diskuterer her i dag. Cyberdomenet er et område hvor det tradisjonelle skillet mellom sivilt og militært – mellom nasjonalt og internasjonalt – nesten er meningsløst. Cyberdomenet Høyre mener derfor at ansvaret for informasjonssikkerheten bør samles i ett departement. Vi hadde på dette feltet forventet offensive tiltak og en framtidsrettet drøfting, men det fikk vi altså ikke. Høyre støtter etableringen av et beredskapssenter hvor en del av politiets spesielle kompetansemiljøer blir samlokalisert. Men vi er bekymret over regjeringens tilnærming. Det er skapt et inntrykk av at man først har bestemt seg for lokalisering, og deretter tilpasser beredskapssenterets funksjon ut fra tomtens egnethet. Når vi i tillegg kan lese om usikkerhet med hensyn til framdrift og kostnader, er vi altså med på et forslag om å få på bordet her i Stortinget en gjennomgang. Høyre konstaterer for øvrig at det flere steder i landet er et stort engasjement for å samle beredskapsressurser, etablere øvingsområder og styrke kompetansemiljøer. Jeg nevner Rygge, Bodø, Stavanger, Buskerud og Akershus. Dette er positivt, og Høyre regner med at alle innspill blir grundig vurdert av Justisdepartementet. Avslutningsvis vil jeg understreke at vi med denne behandlingen har lagt til rette for et tryggere samfunn. Samtidig må vi huske at vi aldri får et risikofritt samfunn, men vi kan hele tiden arbeide

at vi er nødt til å ta samfunnssikkerheten på alvor. Vårt ansvar nå er å forebygge terror i vårt samfunn, og her må alvoret først synke inn hos oss. Min påstand vil være at det er i ferd med å gjøre det grundig. Vårt ansvar nå er å lede landet og sørge for

Vi må gjøre hverandre bedre. Det er slik vi kan forebygge og etterforske terror og gi landet den tryggheten vi trenger. Det er dessverre avdekket store svakheter i systemet, helt fra

Fokuset på ledelse i politietaten og beredskapsetaten er økt. De konkrete tiltakene, som f.eks. å opprette et beredskapssenter og å ha helikopterberedskap, er i gang, og fokuset på beredskap er mye høyere i dag enn tidligere. I dag er tiden for å se Vi må se hvordan vi kan forebygge, det er der hovedtyngden bør ligge, tror jeg. Jeg vil komme tilbake til det i løpet av noen få sekunder. Vi må forebygge kriminalitet som terror, vi må gjøre politiet bedre, både ressursmessig og treningsmessig, gi dem gode rammevilkår i lovverket, styrke særorganene, særlig PST, innenfor de demokratiske rammene, slik et demokratisk samfunn som vårt skal fungere, og ikke minst – som saksordføreren var innom – involvere det frivillige Norge i det. Som jeg nevnte, er det to ting jeg tenker er viktige, som jeg vil framheve her. Når det kommer til til stykket, er det mennesker som står bak og har stått bak terrorhandlinger både i vårt land og i andre land. Stort sett kan vi forebygge dette helt fra barndommen av. Da gjelder det å gi gode rammevilkår til barn og unge, dra dem inn i positive aktiviteter og ta kontakt med f.eks. den enkelte ungdom eller også gjerne foreldre dersom politiet skulle finne at det er tendenser til at ungdom kan komme på skråplanet. Det andre jeg vil påpeke, er det å ha et godt, tett og tillitsfullt forhold og samarbeid med de land hvor vi vet at noen av våre ungdommer drar for å få inspirasjon og trening i både terror og vold. Vi trenger å forebygge dette. Det er et internasjonalt problem, og da må det forebygges på internasjonalt nivå. Jeg har tatt det opp flere ganger tidligere, og jeg er helt sikker på at det er behov for å styrke dette samarbeidet med relevante land.

Vi må bruke både tid og krefter på å diskutere og arbeide med beredskap og sikkerheit. Det har vi gjort mykje av dei siste par åra. Eg har ikkje statistisk grunnlag som bekreftar dette, men eg trur omgrepet beredskap må ha vore brukt meir i politikken og media si verd i dei siste par åra enn i dei føregåande ti. den 22. juli 2011 og orkanen Dagmar i romjula same år gjorde oss på ulikt vis meir bevisste på behovet for at samfunnet vårt må vere betre førebudd på at ulike typar kriser kan oppstå. Dei to stortingsmeldingane om samfunnssikkerheit og om terrorberedskap som vi behandlar i dag, dannar eit solid grunnlag for at vi skal kunne vere betre førebudde både på det tenkjelege og det utenkjelege framover. Det handlar om å sørgje for at dei som har ansvar for sikkerheit og beredskap i ulike etatar og på ulike nivå, har kunnskap og evne til å gjere jobben best mogleg, og til å samhandle på tvers av sektorar. Frivillige rednings- og beredskapsaktørar utgjer ein stor ressurs, og vi må leggje til rette for at desse kan bidra i godt samspel med dei andre aktørane. Eg vil i denne samanhengen vise til at dei frivillige Det er viktig og rett at vi no løyver pengar for at dei skal få dekt kostnadane ved å ta i bruk nødnettet. Det er enkeltmenneske sin innsats i sum som avgjer kor god beredskapen er i samfunnet vårt. Med dette vil eg seie at strategiar og planverk berre får sin verdi viss dei passar til verkelegheita og fortonar seg som relevante for dei som skal følgje dei. Planane må fungere både under arbeidet med å førebyggje og når krisa er eit faktum, og aktørane og enkeltmenneska må ha evne og vilje til å følgje dei. Samtidig må aktørane ha evne til å vere fleksible og handle utanfor retningslinene viss det oppstår situasjonar som krev det. Eg meiner dei to stortingsmeldingane vi behandlar i dag, svarar på dette. Eg kan ta nokre døme frå terrormeldinga, der dette er nemnt: Politiets utrykkingseiningar i distrikta skal styrkast, og bemanninga skal aukast. Politiet skal ha meir trening i å handtere «skyting pågår»-situasjonar. Alle operasjonssentralane skal få ei minimumsbemanning. Det skal etablerast eit system for masseinnkalling av personell i politiet. Politiets patruljebilar får nye nettbrett med direkte tilgang til politiets IKT-system, og som sagt skal frivillige redningsorganisasjonar bli innlemma som brukarar av nødnettet. Fylkesmannen og kommunane er viktige aktørar i arbeidet med samfunnssikkerheit og beredskap. I tillegg til planverk hos sentrale myndigheiter, er planverket i kommunane openbert også avgjerande for ein god beredskap. Dette er vektlagt av både regjeringa og komiteen. Både regjeringa og komiteen peiker klart på behovet for god leiing. Uansett kor mykje pengar vi løyver, må både dei økonomiske og menneskelege ressursane brukast på best mogleg måte. måte. Dei moglegheitene som ligg i moderne IKT-løysingar, må utnyttast godt og framtidsretta. Moglegheitene til å overføre digital informasjon frå publikum til nødetatane i kritiske situasjonar vil – om dei blir tekne i bruk – bety eit reelt framsteg. Gode informasjonssystem kan ikkje undervurderast. Eg skal ikkje ramse opp fleire gode mål og tiltak no, men viser til merknadene frå komiteen og innlegget til saksordførar Hagebakken, der han fekk med mange vesentlege moment. Men eg vil understreke fordelen ved at vi i eit langstrekt og mangfaldig land – med store avstandar – ikkje har for stor avstand mellom innbyggjarane og beredskaps- og redningsetatane. Arbeidet med å førebyggje føreset nærleik og kjennskap. Strukturen i politiet og i Heimevernet er eksempel på dette, og vi i Senterpartiet kjem til å stå på for nærpolitiet og Heimevernet også framover. Til slutt vil eg – som fleire har gjort og også Til slutt vil eg – som fleire har gjort og også kommer til å gjere – skryte av arbeidet til saksordførar Hagebakken. Han har sørgt for ein god og resultatorientert prosess i komiteen. Det er viktig i ei slik sak, og det har òg alle andre parti bidratt godt til. Målet er – som eg var inne på i starten – at innbyggjarane skal vere trygge. Framover blir det opp til skiftande stortingsfleirtal og regjeringar å sørgje for at stortingsmeldingane sine konkrete tiltak blir følgde opp, og at det som enno ikkje er konkretisert, blir det.

og vi har lagt mye av føringene der. Når jeg ikke kan vise til merknader i denne saken, kan jeg i alle fall vise de til føringene vi har lagt i de andre to sakene. Det jeg legger merke til, er at det brede flertallet Stortinget har hatt i de sakene, også finnes igjen i denne saken. Kristelig Folkeparti har hatt flere tema som vi har vært spesielt opptatt av i arbeidet med styrkingen av beredskapen: forebygging av kriminalitet og voldelig radikalisering og ekstremisme, at vi er godt nok rustet til at vi klarer å avverge terrorangrep, at politiets evne til å løse skarpe oppdrag blir styrket og også en styrking av politiet generelt. Vi må ha bedre samhandling mellom politiet og Forsvaret, god kommunikasjon i nødetatene, sikre at beredskapen er så god at hvis en nødssituasjon oppstår, håndteres den godt. Så må vi sikre kompetanse i kommunene – tross alt finner jo alle hendelser sted i en kommune. Jeg vil sitere borte, men inne i menneskesinnet. Det som skjedde, har skjedd før. Det kan dessverre òg skje igjen, men det er vårt oppdrag å hindre at det skjer. Beredskap er viktig, men det førebyggjande og haldningsskapande arbeidet må aldri Jeg skal ikke fortsette innlegget mitt med familiepolitikk, men det kunne være fristende i alle fall å påpeke at det holdningsskapende og forebyggende arbeidet må starte tidlig. Det er viktig med verdiformidlingen i skolen, at skolen skal være en plass som ikke bare utdanner, men også danner Dagens trusler mot samfunnet er mange og komplekse. Etter 22. juli har det vært massiv kritikk mot manglende lederskap og også samhandling rundt sikkerheten. Derfor har vi foreslått at det skal opprettes et nasjonalt sikkerhetsråd som legges direkte under statsministeren. Terrorangrep, større ulykker og katastrofer eller dataangrep mot vitale samfunnsinteresser, er noen eksempler på hendelser som vi som samfunn står overfor, og som har potensial til å ramme mange med brutalitet. Derfor har vi ønsket en bedre koordinering av ulike myndighetsaktører – i sektorer som utenriks, forsvar, justis, helse, olje og energi, telekommunikasjon og transport – slik at de kan sitte sammen og finne helhetlige og samlende løsninger. Vi har også vært opptatt av og er glad for at det har blitt tatt en avgjørelse om at det skal etableres et beredskapssenter, selv om det råder litt usikkerhet om tomtas egnethet og finansiering, og også når det skal komme på plass. Derfor støtter vi forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet og Høyre i sak nr. 1. Jeg ser på tiden at jeg like godt kan gå inn på hvilke forslag vi støtter: I tillegg støtter vi også forslag nr. 6, om

men der er vi spent på politianalysen og det arbeidet som vil komme fram i år. Vi får gode muligheter til å diskutere det senere. I sak nr. 2 vil vi støtte forslag nr. 1 og nr. 2, fra Fremskrittspartiet og Høyre. Nå behandler vi også forslag knyttet til IKT og ikrafttredelsen av straffeloven av 2005. Det er kritikkverdig, som vi ser det, at det ikke har skjedd. Derfor støtter vi

Lærdommen av den gode evalueringa etter den grusomme dagen den 22. juli lærte oss at det ikke handlet så mye om ressurser, ikke så my om lover, men det handler om å takle den nye sikkerhetstrusselen gjennom å koordinere oss bedre og være dyktigere til å bruke de ressursene og lovene vi har. Det er alltid sånn i historien at de truslene man tror man står overfor, har vist seg å være helt annerledes. Selv om terror har funnes som middel for å utøve makt eller få igjennom ting i tusenvis av år, har likevel den nye sikkerhetstrusselen for Norge blitt helt annerledes enn det vi lærte på skolen på 1980-tallet. På samme måte som første verdenskrig ble en annen krig enn det man trodde den

sikkerhetstrussel som plutselig rammer sivilbefolkninga, og som rammer på steder der vi nesten ikke har fantasi til å tenke oss at den skulle kunne ramme. Ledelse ble understreket som et av de hovedgrepene som burde tas for å få samordnet de ressursene og de handlingsrommene som vi har. Da vil jeg understreke at kultur må settes ovenfra hvis man skal utøve god ledelse. Jeg har to ganger – en gang i høringa etter 22. juli-rapporten og en gang i spørretimen her – spurt om statsministeren kunne definere det å bestemme kontra det å lede. Det har han begge gangene avvist som en problemstilling. Jeg syns at det er selve kjernen. Det er veldig mange politikere som er opptatt av å bestemme, men det er ikke alltid man er opptatt av den litt tyngre jobben, som handler om å lede. Jeg vil bruke et lite eksempel på et spørsmål jeg stilte til justisministeren denne uka, som egentlig er en liten fillesak, men som sier noe om å sette en kultur. Jeg tar forbehold om at presentasjonen er riktig, men i VG ble vi presentert for instruksjonene fra politisjefen om hvordan politiet skulle uttale seg i media. Jeg oppfatter instruksjonene som Jeg oppfatter instruksjonene som lite preget av forståelse for de lærdommene 22. juli-kommisjonen ga oss, om åpenhet og det å sette en kultur som gir mulighet til å si fra i hele systemet. Da fikk jeg svar om at det var det politidirektøren som bestemte. Det er nok sikkert riktig, men som leder skal man sette kultur – hvilken kultur man ønsker å lede og da må man ha en forståelse for det systemet man er en del av. Da må man også sette kultur for åpenhet, for det å kunne si fra, og alle de grepene som vi etter 22. juli lærte var viktige. Da er det viktig, som komiteen bemerker, at det ikke bare er viktig å trene og øve, men også at ledelsen helt opp på toppnivå deltar når man trener at forsvarsminister, justisminister og statsminister er med for å ta lærdom, men også for å sette en kultur for at dette er viktige tiltak. Jeg tror et av de kanskje viktigste grepene vi har for å forebygge radikalisme innenfor alle miljøer, nettopp er åpenhet. Det handler om et PST som fungerer godt, og som når Jeg vil heller ha en stat som bruker harpun når den skal ta de store fiskene, enn en som bruker snurpenot. Vi har veldig mange tiltak nå som handler om å bruke snurpenot, der man skal samle inn all mulig informasjon for å se om man kanskje kan ta de store fiskene. Til slutt vil jeg bemerke at jeg mener vi skal ha en våpenlov som undergraver verken norsk jaktkultur eller

tiltakene. Jeg har hele veien opplevd samarbeidet med Stortinget om å bedre beredskapen som svært konstruktivt, både med Den særskilte komité, kontroll- og konstitusjonskomiteen og nå med justiskomiteen. I samfunnssikkerhetsmeldingen introduserte regjeringen samvirkeprinsippet som et fjerde, bærende prinsipp for beredskapen i Norge. Det er også samvirkeprinsippet strategien er tuftet på: Vi skal ha mest mulig ut av samfunnets samlede beredskapsressurser, slik at helheten blir større enn summen av delene. Dette er god samfunnsøkonomi. Hva vil samvirkeprinsippet så si i praksis? Det lokale politiet vil som oftest komme først til stedet for en hendelse og utgjør vår grunnberedskap. Derfor øker vi antallet politifolk som deltar i lokale utrykningsenheter, fra dagens 800 til 1 200 i løpet av inneværende år og neste år. Og vi øker treningsmengden for, la oss kalle det, vanlige politifolk – den største gruppen i politiet med våpengodkjenning – med åtte timer per år, øremerket til å håndtere Men når en krise eller et terrorangrep skal håndteres, må vi ha strukturer på plass som sikrer at personell med tilstrekkelige ressurser kan forsterke den lokale innsatsen og nå de fleste innbyggerne i Norge innen rimelig tid. Regjeringen har klargjort retningslinjene for at redningshelikoptrene som står på seks baser rundt i landet, skal kunne transportere politi i tidskritiske operasjoner. Og vi har lagt til rette for at politiet kan trekke veksler på Forsvarets ressurser når en krise rammer. Både på Rygge og Bardufoss står militærhelikoptre klare til å transportere politistyrker. På Rygge kan militære styrker også bistå politiet med å løse kontraterroroppgaver – såkalt håndhevelsesbistand. Regjeringen ønsker å trekke samarbeidet mellom politi og forsvar lenger. Derfor vil også Marinejegerkommandoen fra 1. august være beredt til å bistå politiet med kontraterroroppdrag. Fra før av står Forsvarets spesialkommando klare til å bistå politiet. For at samarbeidet skal kunne fungere godt når en krise inntreffer, må man altså ha gode rutiner. Derfor har politiet og Forsvaret trent på samhandling under tre store øvelser etter 22. juli. Erfaringene med det operative samarbeidet under disse øvelsene er positive. Under øvelse Gemini i forrige måned uttalte politidirektør Odd Reidar Humlegård til NRK at samtrening og samhandling mellom politi og forsvar er bedre enn noen gang. Norsk kontraterrorberedskap har ikke vært bedre enn det den er nå. Samvirkeprinsippet vil bare fungere godt i praksis dersom noen har overblikket og ser helheten i beredskapsarbeidet. Derfor har regjeringen gitt Justis- og beredskapsdepartementet et tydeligere ansvar for å samordne arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i departementene og underliggende etater. Jeg vil minne om at 22. juli-kommisjonen anbefalte at det må være klart Siden det er «tette koblinger mellom politioppgavene og samfunnets generelle sikkerhet og beredskap», bør det ansvaret ligge i Justis- og beredskapsdepartementet. Snart to år er gått siden 22. juli. Meldingen oppsummerer alle tiltak som er satt i verk, og alle nye ressurser som går til beredskapsarbeidet. I sum er det svært mye. Hvis noen med beredskapsansvar i politiet eller andre etater går ut i media og sier at ingenting er blitt bedre, må vi som politikere stille noen kritiske spørsmål: Tas for eksempel arbeidet med å håndtere de kulturutfordringene som 22. juli-kommisjonen påpekte, på tilstrekkelig alvor? Tiden begynner å nærme seg til at vi kan snu problemstillingen: Vi må Vi må forvente at personer med beredskapsansvar er oppgaven voksen. Vi må forvente at vi får valuta for de pengene som bevilges. Om kort tid mottar jeg en politianalyse. Den vil gi oss svar på en rekke spørsmål: Brukes ressursene riktig? Er politiet organisert på en måte som stemmer overens med kriminalitetsbildet? Har vi fagmiljøer som er sterke nok? Politianalysen vil gi oss politikere et solid faglig grunnlag for å fatte de langsiktige beslutningene om veivalg for politiet. Den vil også inneholde en samlet oversikt over politiets ressursbruk når det gjelder IKT. Som også 22. juli-kommisjonen påpeker, har ikke «potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi vært godt Regjeringen har gått inn for en fornyelse av politiets IKT-systemer på straffesaksområdet. Fornyelsen gjennomføres i det såkalte Merverdiprogrammet. Det er delt opp i flere prosjekter som kvalitetssikres hver for seg. Det gir oss politikere god kontroll med prosessen. Samtidig får Politidirektoratet rom til å bygge den nødvendige kompetansen i hele etaten, slik at alle ansatte er beredt til å ta i bruk de nye løsningene når de kommer på plass. Merverdiprogrammet må likevel ikke bli en sovepute. Det vil ikke løse alle IKT-utfordringene i politiet. For eksempel har vi et politi der hvert eneste politidistrikt og særorgan har sitt personalsystem. Dette er bildet på en større utfordring: Politiet har manglet en overordnet plan; tilnærmingen til IKT har vært stykkevis og delt. Man har ikke evnet å løfte fram den beste praksisen og gjøre det til standard for hele politiet. Politidirektøren har gjort gode grep med å etablere en egen avdeling for IKT i direktoratet. Men vi trenger mer gjennomgripende endringer på For å avverge terrorhandlinger før de får sjanse til å finne sted, trenger vi en Politiets sikkerhetstjeneste som står godt rustet til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. PST fikk økt sin økonomiske ramme fra 434 mill. kr i 2011 til nesten 525 mill. kr i 2012, og store deler av økningen gikk til kontraterrorarbeid. Budsjettet er økt med ytterligere 41,6 mill. kr i år. PST har fått stort gjennomslag for sine innspill i budsjettprosessene. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet hevder at «det bare benyttes 91 mill. kroner på bekjempelse av terror» i PST. Dette er selvsagt ikke riktig. Utgifter fra flere andre poster på budsjettet – f.eks. til spaning, etterforskning og analysearbeid – går også til terrorbekjempelse. I realiteten bruker PST langt mer på nettopp terrorbekjempelse enn de 91 mill. kr det er referert til. Også når det gjelder PST, må vi sikre at pengene brukes rett. Derfor nedsatte regjeringen Traavik-utvalget som i fjor foretok en ekstern vurdering av PST. PST. Vi jobber nå med å følge opp utvalgets anbefalinger, særlig med henblikk på hvordan PST kan utnytte sine ressurser bedre, foreta gode prioriteringer og planlegge for å tilegne seg den rette kompetansen for framtiden. Med meldingen om terrorberedskap har vi tatt et stort skritt. Men vi kan aldri lene oss tilbake

men det er fortsatt noen utfordringer som står igjen. Statsråden var selv inne på at politianalysen forhåpentligvis kommer om seks dager. Den har vi ventet på i spenning i et par–tre år, kanskje. Så er det ulike årsaker til at den ikke har kommet før nå, det må vi akseptere. Jeg vil likevel utfordre statsråden. Når vi behandler beredskapsmeldingen, samfunnssikkerhetsmelding og andre saker knyttet til beredskap i dag, er mitt spørsmål: Greier vi i dag å få et overordnet mål på beredskap og sikkerhet i Norge når vi ikke får innblikk i politianalysen, og hvordan eventuelt strukturen for førstelinjen skal se ut? Hvordan skal strukturen for politiet i framtiden se ut? Jeg mener dette er det viktigste av alt innenfor en god og framtidsrettet beredskap. Hvordan skal man da behandle politianalysen i

Stortinget vil også få god anledning til å diskutere strukturen for politiet. Jeg er sikker på at politianalyseutvalget vil gi oss et meget godt faglig grunnlag å ta den diskusjonen om struktur på. Utvalget ble nedsatt i fjor høst og har jobbet meget raskt, men solid. Når analysen nå kommer,

Det stiller jeg ikke spørsmål om i det hele tatt. Ut fra de lekkasjene som har kommet, hvis det går an å si det, ser det ut til at Fremskrittspartiet kan bli tilfredsstilt på strukturdelen, noe som vi har jobbet for i tre år. Men for å ta det litt videre: Når det gjelder politianalysen og utvalget, er det et stort spørsmål, for organiseringen av Politidirektoratet er mangelfull i meldingen som vi behandler nå. POD fikk knusende kritikk i den nylige evalueringsrapporten fra Difi. Jeg vet ikke om jeg trekker det POD fikk knusende kritikk i den nylige evalueringsrapporten fra Difi. Jeg vet ikke om jeg trekker det for langt når jeg ber statsråden eventuelt signalisere hvorvidt politianalyseutvalget også omfatter et innblikk i PODs rolle og struktur. Jeg tror analysen vil gi oss et meget godt grunnlag for hvordan ressursene i politiet brukes i dag. De har også blitt utfordret på å tenke hvordan man bør organisere politiet i framtiden, men da innenfor dagens budsjettrammer. Det ligger til oss politikere å vurdere om politiet trenger flere ressurser, og selvsagt om det påvirker de strukturforslagene som utvalget kommer med. Vi vil, etter det jeg hører, også få et innblikk i Politidirektoratets rolle – som representanten kaller det – og synspunkter på hvordan norsk politi skal ledes i framtiden, dermed også hvordan Politidirektoratets rolle skal være, og hvordan ledelsen av politiet skal kunne både forsterkes og forenkles. Det viktigste med politianalysen er

f.eks. fremdriften av det nye beredskapssenteret, og hvor operativt politihelikopteret kommer til å være fremover. Jeg har tenkt å stille to konkrete spørsmål om noen av de konkrete tiltakene som man sier er på plass. Kan statsråden garantere at et nytt beredskapssenter er på plass i 2018, i tråd med de operative anbefalingene som statsråden har fått, at det ikke krympes? Spørsmål 2: Kan statsråden også garantere for at vi i sommer har et politihelikopter som er fullt ut operativt på lik linje med resten av landet, og si litt om leasingavtalen med England, og om hvordan hun ser for seg at den skal kunne forlenges etter 2015? Jeg kan garantere at jeg jobber hver dag for å sikre at beredskapssenteret realiseres innen målsatt dato. dato. Det jobbes nå både med sikte på å avklare innholdet i beredskapssenteret og legge det gode grunnlaget for en statlig regulering som sikrer en rask gjennomføring. Når det gjelder spørsmål to, rapporteres det hver uke om nedetid for politihelikopteret. Jeg kan glede representanten med å si at nå politihelikopteret. Jeg kan glede representanten med å si at nå er politihelikopteret nesten operativt hver eneste time, hvert eneste minutt hele døgnet. Vi får rapporter om nedetid, som sagt, løpende og vurderer også framtidig bruk av politihelikopteret i lys av det.

IKT, mer moderne teknologi og de nye mulighetene som ligger der. Teknologirådet hadde mange innspill til behandlingen i komiteen om alt fra droner til hvordan man kan bruke smarttelefoner og andre mulige teknologiske hjelpemidler til å få bedre kunnskap tidlig om det som skjer på åstedet – kunne knytte det bedre sammen, slik at en kan bruke den informasjon til å få gjennomført enda bedre operasjoner. Jeg vil gjerne utfordre statsråden litt på hva hun tenker om nye teknologi og nye metoder som kan brukes, og hvilke planer og ambisjoner hun har for å integrere dette i beredskaps- og politiarbeidet.

tjenestemenn i det daglige arbeidet. Der har vi gjort en liten, men meget effektiv investering i disse såkalte nettbrettene. Men vi skal videre. Vi fornyer IKT-infrastrukturen i disse dager, og vi skal selvsagt ha på plass et nytt straffesakssystem. Parallelt skal vi bygge kompetanse i etaten for å sikre at vi får igjen for de investeringene vi gjør. På dette området skal vi også bli bedre til å bekjempe datakriminalitet og ha fokus på IKT-sikkerhet. Det er sagt mye om dette i de framlagte meldingene. Statsråden er

politiet. Vi må innse at når vi har utstyrt politidirektøren med 35 direkte rapporterende, i tillegg til hans egen ledergruppe, blir tanker rundt lederskap viktig å kommunisere, og det blir Jeg honorerer politidirektøren for å ha tanker rundt hvordan politiets lederskap skal kunne kommunisere mest mulig sammenhengende, forståelig og likevel åpent. Jeg ser de rammene som politidirektøren la perspektivet, og jeg er helt sikker på at hvordan vi skal sikre bedre lederskap i politiet, evne og mulighet til å lede, blir en viktig oppgave for oss å diskutere her i denne sal. Dermed er replikkordskiftet omme. Dagens debatt og innstillinger har et dystert bakteppe. Den 22. juli 2011 ble Norge rammet av de verste terrorhandlingene siden krigen. 77 mennesker mistet livet, mange flere ble skadet, og

Mange av dem som ble rammet, sliter fortsatt med fysiske og psykiske skader. Vi føler med de overlevende, de etterlatte og de pårørende. 22. juli-kommisjonen beskrev i detalj hva som sviktet: manglende iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak, manglende iverksettelse av terror- og beredskapsplanverk, dårlig kommunikasjon og ledelse, treg politiutrykning til Utøya. Kommisjonen skrev at problemene ikke først og fremst var mangel på ressurser, lovverk eller organisering, men kulturer, holdninger til beredskap og evnen til samhandling. Det er samtidig nødvendig å minne om at mye av redningsinnsatsen den 22. juli har fått rettmessig anerkjennelse. Brann- og redningsetatene, ambulansetjenestene, sykehusene og helsepersonell gjorde en formidabel, livreddende innsats i regjeringskvartalet og på Utøya. Mange frivillige bidro med livredning og redning i regjeringskvartalet og ved Utøya. Etter en så dramatisk og traumatisk terroraksjon er det veldig viktig at kritikk, erfaringer, evalueringer og forslag til tiltak som er kommet, blir nøye gjennomgått og vurdert. Endringer må iverksettes. Det som sviktet, skal forbedres. Det som fungerte, skal styrkes ytterligere. Vi vet at dette vil ta tid – det å endre kultur, holdninger og strukturer i store organisasjoner er ikke

Senest i mars la regjeringen fram en proposisjon om å styrke samfunnssikkerheten generelt og politiberedskapen spesielt. Det utvalget som skal analysere utfordringene i norsk politi, skal legge fram sin innstilling om få uker, noe som allerede har vært et tema i debatten her. Sammen med dagens innstillinger vil politianalysen være med på å danne grunnlaget for organiseringen av framtidens politistruktur, beredskap og bemanning. Målet er et mest mulig effektivt nærpoliti. Folk skal føle at politiet er til stede i deres nærmiljø. Strukturer, organisering, bemanning og utstyr må legge til rette for det. Ved alvorlige hendelser er det som regel lokalt politi som først kommer fram, og derfor må organiseringen av politiet være robust, sånn at f.eks. operasjonssentralene er bemannet på en måte som gjør dem i stand til å håndtere store kriser. Gode beredskapssystemer fordrer klare kommandolinjer og god kommunikasjon. Det må være krystallklar ansvarsfordeling mellom SMK, departementer og direktorater. Forsvarets bistand til politiet i krisesituasjoner må videreutvikles. Det er positivt at vi nå får på plass en nasjonal politioperativ sentral og et system for masseinnkalling av personell i politiet. Jeg har merket meg at de frivillige redningsorganisasjonene blir løftet fram i innstillingen. Organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og Norske Redningshunder gjør en svært viktig samfunnsinnsats. Til sammen er det om lag 20 000 aktive frivillige, og vi ser daglig eksempler på hva disse betyr, f.eks. under flommen nå nylig. Vi verdsetter dem, ved siden av det kommunale beredskapsapparatet og nødetatene. De frivillige redningsorganisasjonene skal nå innlemmes i nødnettet. Det er dessverre umulig å skape et risikofritt samfunn. Vi ønsker ikke en politistat hvor alt og alle overvåkes. Vi ønsker et åpent, demokratisk samfunn med kort avstand mellom de styrende og de styrte. Målet vårt er å redusere risikoen for terror og voldsanslag mest mulig gjennom forebygging, overvåking, avverging og håndtering. Innbyggernes sikkerhet er

22. juli-kommisjonen avdekket mangler – uklar ledelse og stor avstand mellom den beredskapen vi trodde vi hadde, og den vi faktisk har. Derfor er det nødvendig å gjøre mange tiltak for å bidra til bedre beredskap i årene fremover. Det viktigste er ledelseskulturen. Det er også det vanskeligste. Den kan vi ikke bevilge oss til, og den kan vi ikke vedta her i stortingssalen. Den dreier seg om hvordan vi holder beredskapsfokuset – kontinuerlig, ovenfra og ned og gjennomsyrende i alle ledd av dem som skal jobbe med beredskap. Derfor er det etter vår mening også viktig at man styrker det på toppen. Det betyr at vi ønsker en egen koordinator ved Statsministerens kontor som skal sikre fremdrift og tyngde i arbeidet med sikkerhet og beredskap i Norge. Vi skal bygge på de fire beredskapsprinsippene: ansvarsprinsippet, nærhetsprinsippet, likhetsprinsippet og samvirkeprinsippet. Men når vi skal ivareta de viktigste oppgavene, nemlig borgernes sikkerhet, er det et behov for at kunnskap deles mellom ulike departementer og beredskapsetater. Derfor er det også viktig at det ligger et ansvar som er tydelig og klart, for å følge opp utviklingen på området ved Statsministerens kontor. Da mener vi at sjansen for å lykkes ved en stor krise vil bli mye større enn det den var den 22. juli 2011. I tillegg til det å styrke toppledelsen i Norge knyttet til dette er det viktig å styrke vår evne til å forebygge og forhindre. Derfor er det også viktig at Politiets sikkerhetstjeneste har de midler de trenger for å følge opp, undersøke og forebygge – for å forhindre. Etter 11. september 2001 er det mange terroranslag som er stoppet, nettopp fordi sikkerhetsarbeidet har vært bedre, og fordi det har vært bedre utveksling mellom land. Det har bidratt til større trygghet, færre anslag og bedre kunnskap om hvordan ulike terrormiljøer organiseres. Det er derfor bra at vi til slutt fikk et utvalg som har gått igjennom

læringskultur. Noe av det 22. juli-kommisjonen avdekket, var jo at problemene 22. juli ikke var ukjente. De hadde alle tidligere oppstått i ulike øvelser, men læringen fra det var ikke god nok. Det er også en av grunnene til at vi er nødt til å sørge for å ha et kontinuerlig toppfokus på spørsmål om sikkerhet i Norge. Så er vi nødt til å bedre politiets evne til å håndtere terrorisme og annen kriminalitet. Det er viktig at vi opprettholder en modell der politiet er til stede i lokalmiljøet, der folk bor. Politiet må få færre oppgaver, slik at de har mulighet til å være tilgjengelig når publikum trenger det. Det er litt forstemmende at rapportene som kommer – i alle fall til media og til dels til oss – viser at det ikke er blitt en forenklet målstruktur i politiet etter 22. juli, men at det har blitt enda vanskeligere, enda mer For å rendyrke politirollen vil beredskapen bli vesentlig bedret. Der hvor politistasjoner og lensmannskontorer er plassert nærme hverandre, kan det på sikt være fornuftig å slå disse sammen til større og mer robuste enheter. Og som andre talere tidligere har sagt, ser vi frem til anbefalingene som kommer i neste uke. Men det er også nødvendig at vi har et godt, spesialtrent politi, tid før politiet kan forvente bistand fra de spesialtrente delene, er vi nødt til å ha operative politifolk som har tilstrekkelig med trening til å håndtere alvorlige hendelser rundt om i hele landet. For Forsvaret er det nødvendig å få avklart at det gjøres raskt, at vi senker tersklene og fjerner flaskehalsene, slik at politiet kan yte bistand så raskt som mulig.

Komiteen er opptatt av at beredskapen i Nord-Norge styrkes, og er derfor samstemt i å stille seg positiv til dette tiltaket. I krisesituasjoner er det avgjørende at ulike etater evner å samhandle, slik at man kan handle effektivt for å redusere trusler og kriser. Derfor må også bistandsanmodninger foretas, og det må handles når situasjonen tilsier det. Komiteen vil samtidig påpeke at det er en utfordring at denne helikopterberedskapen kan bli redusert i perioder som følge av andre prioriterte oppdrag eller aktivisering i NATOs reaksjonsstyrker. I en slik situasjon mener komiteen at det må vurderes om avhjelpende tiltak må gjennomføres for å opprettholde den beredskap denne bevilgningen er ment å gi. Når vi tenker beredskap, må vi tenke beredskap over hele landet.

ansvar for å gi elevene både dannelse og utdannelse. I ett av punktene i Læringsplakaten står det følgende: «Opplæringen i skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.»

og i saken påpekes nødvendigheten av at personell med beredskapsansvar i størst mulig grad har relevant utdanning innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Dette fordrer at vi har en god utdanning på områdene, og er effektive når det gjelder kompetanseutvikling. Fremskrittspartiet mener det er viktig at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap. Et slikt senter skal styrke samspillet og koordineringen mellom de ulike utdanningsinstitusjonene som har eller er i ferd med å utvikle fagmiljøer og utdanningstilbud på området. Med hensyn til etablering av et slikt beredskapssenter vil jeg spesielt trekke fram Universitetet i Stavanger, som har et internasjonalt fagmiljø med mer enn 50 De samarbeider med et stort miljø internasjonalt og har allerede et sterkt faglig miljø innenfor beredskap og samfunnssikkerhet i olje- og gassindustrien. Universitetet i Stavanger har et godt etablert samarbeid med flere institusjoner i Norge som driver med utdanning og opplæring. Med dette nettverket og samarbeidet som allerede er etablert,

økt innsats, både i forbindelse med kulturbygging, styrking av ledelse – tydelig ledelse – og behov for økt innsats når det gjelder datasystemer, helikoptre og annet. Det viktigeste er allikevel at de ressursene som Norge råder over, skal finne hverandre, og at de skal samvirke. Jeg er vel noe undrende til at regjeringen ikke evner å besvare fullt ut nettopp det at ressursene ikke fant hverandre. Da trengs det arenaer for å samvirke, og ikke bare på Rygge, som er det som jeg skal snakke om – som sikkert noen allerede har skjønt. Også andre steder i landet trenger man arenaer for å trene på nettopp det å samvirke – og ikke i konkurranse med det politiets beredskapssenter som er planlagt på Alnabru. Et slikt treningssenter er planlagt nettopp på bakgrunn av det behovet som nødetatene det være seg helse, ambulanse, brann, politi og forsvar samt samvirke med frivillige – og det er nettopp et sted hvor man kan sikre at ansvarslinjene og kapasiteten virker godt sammen når krisen er der. Erfaringene de siste årene har lært oss at det er behov for å styrke samvirket mellom nødetatene og de beredskapsressursene som Norge har for å kunne håndtere kriser, at dette bedres og blir langt tydeligere når det gjelder både ansvar og kapasitet. Rygge er et egnet område. Rygge militære flystasjon kan være et beredskapssenter som samler alle nødetatene på ett sted, noe som også vil gi en unik mulighet til nettopp å trene, samvirke og bedre beredskapen i østlandsområdet. Men dette trengs flere steder, ikke bare i sammen med Forsvaret for å finne en bedre samvirkeform enn den vi har sett ut fra våre erfaringer de siste årene. Et felles beredskapssenter må også ligge sentralt i østlandsområdet og ha en kapasitet som gjør at alle nødetatene kan trene sammen på ett sted og på flere ulike øvingsscenarier og -momenter. Rygge er nær Oslo, og ressursene som skal øves, er godt egnet. egnet. På Rygge står allerede både redningshelikoptrene og beredskapshelikoptrene til beredskapstroppen og Forsvarets spesialkommando. Det er samfunnsøkonomisk fornuftig å benytte allerede eksisterende infrastruktur og dele på driftsutgiftene. Regnestykkene viser allerede at dette er en god investering, også med mulighet til å spare penger. Ansvarsdelingen for terrorbekjempelse og samfunnsberedskap mellom politiet og Forsvaret er

Skal dette skje effektivt og smidig når behovet dukker opp, krever det samordning, samarbeid og ikke minst at man øver og trener sammen. En av erfaringene etter 22. juli var at lærdommen fra øvelser ikke ble godt nok utnyttet. Skal vi styrke de ulike nødetatenes evne til samhandling og samarbeid, er det også viktig at det øves og trenes sammen, og det gjelder Forsvaret, Det vil utvikle en kultur for samarbeid. Rygge flystasjon legges nå ned som flystasjon. Men det vil fortsatt være militær aktivitet der, med Heimevernet og helikopterdetasjement, i tillegg til redningshelikopteret. Dette innebærer at de fleste av de militære installasjonene på Rygge fortsatt vil være til disposisjon og kan utnyttes. Her ligger med andre ord alt til rette for at vi for en billig penge kan skape et beredskapssenter hvor Forsvaret, politiet, brann- og redningsetatene og Sivilforsvaret kan trene hver for seg og ikke minst sammen. Forsvarets helikoptre er blant de ressurser politi og sivile etater kanskje oftest vil ha behov for bistand fra. Samtrening vil være med på å senke tersklene for å trekke veksler på hverandres ressurser. «To know me is to love me», het det i en gammel slager. Det gjelder også her. Skal man sikre seg mot at praktiske eller mentale hindringer står i veien for å be hverandre om assistanse når man trenger det, er det å trene sammen en god forebyggende medisin. Slike sentre trengs sikkert flere steder i landet, men Rygge ligger der og kan tas i bruk uten nye investeringer, utredninger eller planlegging. Derfor bør man starte her og vinne viktig erfaring. Men la meg også – som foregående taler gjorde – understreke at et beredskaps- og treningssenter på Rygge ikke skal eller kan erstatte det vedtatte nasjonale beredskapssenteret for politiet som skal bygges på Alnabru. Det skal bygges. Det vil styrke politiets beredskap, og det er det nødvendig og viktig å få på plass. Jeg er

første verdenskrig ble ikke som vi hadde regnet med, og det ble ikke annen verdenskrig heller. Det er nok riktig. Jeg holdt på å si: De som har vært generaler, er bestandig beskyldt for å planlegge neste krig lik den forrige. Det er det en fare for også i den type debatt som vi har her i dag. Det har vært mye snakk om 22. juli, og kanskje vi ser for oss at vi kan få noe tilsvarende igjen. Ja, det kan godt være, men det kan godt være at det blir noe helt annet også. Derfor er det så viktig at det er et bredt spekter i den analysen som vi foretar når vi skal forberede oss for å ha et sikkert og godt samfunn. Erna Solberg sa at å forebygge og forhindre er kanskje det viktigste. Ja, det er det, men det er også viktig å ha evne til å håndtere ting når krisen er der, og det skal vi fokusere på. Nå er det sånn at det å forberede seg for å kunne håndtere kriser, er omtrent som med demokratiet og friheten i et land. Det må jobbes med det hver eneste dag. Det er ikke nok å ha det som tema på de store festdagene – det må faktisk fokuseres på det hele tiden. Det har blitt sagt her i dag at vi har et åpent og tolerant samfunn. Det har vi, og det skal vi være veldig glad for. Men samtidig gjør det oss sårbare for en masse ting. Representanten Klinge sa at vi skal være glad for å bo her. Ja, vi skal være glad for å bo her, men det er en viss fare for at vi sier til oss selv at vi har det så godt i Norge, og at det som skjer i andre land rundt omkring i verden, ikke kommer hit, det blir ikke noe av det her. Jeg var på landsmøte i Forsvarsforeningen på Hamar sist helg. Der var det mye fokus nettopp på Jo, det kan komme hit, og nå er det så veldig mye mer som kan komme hit enn det vi trodde før. Derfor må vi være forberedt. Vi har cyberspace, som det har vært fokusert på før i dag. Det er den ene delen av tingene. Det har vært lite fokus på f.eks. en Det er en rekke ting som vårt samfunn kan bli utsatt for i framtiden. Derfor er det så viktig ikke å tenke i båser militært/sivilt, men å fokusere på samarbeid mellom politiet og Forsvaret. Det er kanskje den viktigste oppgaven i den sammenhengen. Statsråden er

Men inntil videre får vi håpe og tro at nye POD, i den grad vi kan kalle det det, evner å lære seg alt det Difi påpekte at de ikke kunne for kort tid siden. For å si det sånn: Seks års erfaring i denne stortingssalen, og den rapporten er et ganske godt eksempel på hvordan man ikke bygger beredskap i politiet, og ikke minst på hvordan man ikke bør underinformere Stortinget. I min replikk i sted stilte jeg egentlig to og et halvt ganske konkrete spørsmål. Det ene gjaldt beredskapssenter. Spørsmålet var om det vil bli etablert innen 2018, med de operative behovene som er meldt inn. Det er et ganske konkret spørsmål som jeg ikke fikk svar på. Det andre gjelder politihelikopterberedskapen i sommer. Vil den være like god som den er ellers i året? Så er det en debatt som jeg følte sistnevnte taler var i ferd med å ta opp her, som vi bør diskutere fremover, og det er at Norge er unntaket i verden på mange plan. Vi har ikke de store økonomiske utfordringene ennå som verden rundt oss har. Når vi begynner å titte litt på hva som skjer i en del land som er ganske nær oss, når det gjelder ekstreme holdninger eller når det gjelder respekt eller mangel på respekt for minoriteter, enten det er det ene eller det andre, er det ganske ille. ille. Det er utrolig viktig at vi har en verdidebatt parallelt med debatten om alle virkemidlene, helikoptrene og alt det andre som vi kan vedta her i Stortinget, for den verdidebatten som vi alle er nødt til å stå sammen om for å vinne mot ekstreme holdninger, mot mangel på respekt for at folk er annerledes, er en utrolig vanskelig og krevende debatt. Det er antageligvis en debatt som ikke kommer til å være så mye fokus på i valgkampen som kampen mellom regjeringsalternativene. Men den kampen vi sammen må føre for å bekjempe alt av ondskap som står bak en terrorhandling, er det vi er nødt til å samarbeide om, parallelt med at vi skal kjempe mot hverandre som regjeringsalternativer. En debatt jeg ønsker meg fremover også, er debatt om bruk av droneteknologi. Jeg ser for meg at andre enn bør kunne bruke den type teknologi, slik som de er i ferd med å gjøre, og bruke det som observasjonsplattform, alternativ til store politihelikoptre. Vi trenger det, og vi trenger lovregulering for personvern, slik at vi er i forkant av den utviklingen som vi vet vil komme, før privatpersoner begynner å bruke droner på naboen. Det ville vært litt trist om man gjorde det før man fikk brukt det til observasjonsplattform for å bekjempe kriminalitet eller for å sørge for bedre kontroll ved grenseovergangene våre.

gammel straffelov i påvente av at den nye straffeloven i sin helhet kan tre i kraft. Det syns jeg er et viktig signal. Når det gjelder Høyre-representantenes forslag, om IKT i politiet, ikrafttredelse av ny straffelov, er det slik at statsråden varsler en bred orientering om IKT i politiet i statsbudsjettet for 2014. Det er bra, Politianalysen vil også gi oss råd om hvordan vi kan bruke politiressursene smartere enn i dag, og om hvordan vi best mulig tar i bruk ny teknologi, noe som henger sterkt sammen med politiets organisering for øvrig. I bunnen for det hele må det ligge at vi skal ha et kostnadseffektivt politi preget av god kvalitet, med mer fokus på kjerneoppgaver. Vi skal ha høye ambisjoner for framtidas politi, der IKT sjølsagt står sentralt for at etaten skal fungere optimalt. Det er viktig for landets beredskap og innbyggernes trygghet. Apropos dette med kjerneoppgaver: I replikkordskiftet med statsråden var representanten Oktay Dahl opptatt av at politiet skulle få færre oppgaver. Det er en debatt som det er veldig viktig å ta – jeg støtter det. Men da går det heller ikke an rundt hver sving å peke på nye oppgaver til politiet, politiet, som f.eks. hva det ville innebære dersom en hadde gjort som Høyre ønsker, og hatt et generelt forbud mot tigging. Det ville vært en ganske tung oppgave, for å si det sånn, for politiet. Så må jeg innrømme at jeg forstår ikke helt modellen med Statsministerens kontor opp mot nasjonal krisehåndtering og beredskap. Jeg forstår ikke helt hvordan dette skal fungere med tanke på Justis- og beredskapsdepartementets rolle. Jeg mener at dette like godt kan føre til ansvarspulverisering som til tydelighet. Så jeg vil gjerne høre litt mer om hva dette egentlig handler om. Jeg har respekt for at det går an å ha andre synspunkter enn jeg og andre har, men jeg vil gjerne forstå hva som ligger i det, om dette virkelig er ryddig. For hva med de enkelte statsråders ansvar overfor Stortinget hvis det er en sånn superbyråkrat som skal sitte på Statsministerens kontor og ansvar overfor Stortinget hvis det er en sånn superbyråkrat som skal sitte på Statsministerens kontor og ha en rolle der også opp mot departementet? For meg er det litt rotete, så jeg vil gjerne høre litt mer. Det er en velment anmodning.

står sentralt i å sikre at vi er godt beredt. Det har selvsagt vært fokus på både roller, oppgaver og ansvar. Dette må være klart. Vi har også introdusert samvirkeprinsippet for å sikre at de som er best til å håndtere kriser i hverdagen, også gjør det i krisesituasjoner, og ikke minst øver godt på å virke sammen med andre som har viktige roller i kriser. Den 16. mai i fjor dro jeg til London for å lære mer om hvordan engelskmennene koordinerer seg. Jeg har også sett at representanten Erna Solberg etterpå har dratt samme sted. Jeg har innhentet informasjon fra mange hold og også sett nøye på hvordan 22. juli-kommisjonen vurderte at vi best burde organisere oss for å sikre godt lederskap. Hva virker best på norsk? Det er derfor jeg synes det er rart at det fortsatt diskuteres om en embetsmann er bedre til å koordinere beredskapen enn det systemet vi har rigget oss til med. Spørsmålet er om dette mer ville bli en fremmed fugl istedenfor en god koordinator. Jeg er enig i at det er viktig å ha åpenhet rundt PSTs innsats og budsjetter så langt vi kan det. Det er noe av bakgrunnen for at jeg allerede har iverksatt et arbeid med å vurdere et eget budsjettkapittel for den tjenesten. Læringskultur er sentralt, og det som gikk galt 22. juli, er meget godt redegjort for i 22. juli-kommisjonens rapport. Dette er bakgrunnen for at vi faktisk har lagt inn penger både til IKT, modningstiltak, mer øvelser og også til endringsledelsesprogrammene både i departementet og direktoratet. Så sent som i 2004–2005 la Bondevik-regjeringen fram en melding om oppgaveporteføljen til politiet, hvor man påpekte at den brede oppgaveporteføljen var det viktig å videreføre. Jeg merker meg at representanten Oktay Dahl allerede har konkludert på spørsmålet om hvordan politiets oppgaver skal være i framtiden. Den debatten tror jeg vi må ta her i salen. Representanten Oktay Dahl har ikke konkludert på hvilke oppgaver det er.

både den ene og den andre har noen svin på skogen når det gjelder å gi politiet flere oppgaver. Da kan jeg bare replisere tilbake at sexkjøpsloven var vel ikke akkurat dette parlamentets beste øyeblikk når det gjaldt å gi politiet flere oppgaver. Når det er sagt, er det jo faktisk slik at Høyre var pådriver for en politistudie som ville gitt oss et klart bilde på et langt tidligere tidspunkt enn det blir, dvs. etter valget, det er jo da man skal ta politiske beslutninger. Da ville man hatt en helt annen situasjon i norsk politi i dag. Høyre har gjentatte ganger foreslått at sivile skal få gjøre flere oppgaver, flere sekundæroppgaver, og trekke tilgjengelig kompetanse inn i politiet for å frigjøre politikraft. Hver gang har man fått beskjed om at dette er i gang. Hver gang vi møter folk ute i politidistriktet, forteller de at det er ganske store forskjeller mellom politidistriktene, og det er store muligheter som ikke har blitt brukt. brukt. Det var også veldig paradoksalt det som kom i statsrådens tale i fjor til Politiets Fellesforbunds landsmøte. Det første signalet som kom, var at politiet kanskje skulle få en ny oppgave som hadde noe med vigsler å gjøre. Løsningen måtte være at politiet fikk færre forvaltningsoppgaver, fikk færre oppgaver som de gjorde bedre, som handlet om kjerneoppgaver. Det er i hvert fall Høyres politiske mål. Så får vi – nå når vi har fått denne politianalysen, som vi er glad for, diskutere konkret hvilke oppgaver som skal vekk. For at det er noen oppgaver som må vekk fra politiet, slik at de kan konsentrere seg om det som er viktigst, tror jeg er hevet over enhver tvil. Når det gjelder spørsmålet om IKT, har vel vi skrevet ganske sure merknader, som jeg ikke behøver å lese opp her. Men jeg må jo si at hvis denne regjeringen har tenkt å bli sittende etter neste valg – noe jeg for … skyld, jeg skal ikke bruke et visst

til dels fantasifulle forklaringer på hva situasjonen var i politiet. Men nå skal jeg ikke dra hele den runden, det har vi gjort i altfor mange år. Det er en dag hvor vi står sammen om veldig mye. Dessverre står vi her i dag og får ikke fattet vedtak om politistruktur, om politioppgaveportefølje, som er resten av alfabetet som denne meldingen ikke gir noe svar på. Men utover det har det vært en god debatt. Jeg synes det er godt å se at vi er såpass enige om en del grunnleggende ting.

svart på hvitt fra Politidirektoratet og fra flere politidistrikter at den meldeplikten regjeringen har pålagt politiet, er et betydelig merarbeid, som gjør at de skal registrere lovlig virksomhet i stedet for å bekjempe ulovlig virksomhet. Det sender jeg rett tilbake til regjeringspartiene med motsatt fortegn av det representanten antakelig la i sin kommentar. Så gjelder det statsrådens spørsmål om Høyres innspill om å ha en sikkerhetskoordinator ved Statsministerens kontor. Vi hørte regjeringsråden i høringene etter 22. juli si at Statsministerens kontors viktigste funksjon i en krise var å videreføre funksjonen for regjeringen. Det var altså ikke et forebyggende tiltak de skulle ha fokus på. Det var rett og slett å videreføre sin virksomhet når krisen var et faktum. Vi ser for oss at statsministeren skal få et mye mer aktivt ansvar for landets sikkerhet. Vi synes det er helt naturlig, og vi synes det er påfallende at det ikke er på plass for lenge siden. La meg ta to eksempler, Vi ser for oss at en koordinator ved Statsministerens kontor nettopp får ansvaret for å koordinere på tvers av departementene, slik at eksemplet Grubbegata ikke oppstår på nytt. Vi har sett eksempel på at Olje- og energidepartementet, Helsedepartementet og Næringsdepartementet ikke klarte innen fristen som de hadde fått fra Nasjonal terrormål på sin sektor. Det er et uttrykk, mener Høyre, for sviktende sikkerhetskultur på departementsnivå. En koordinator må også følge opp slike ting og være mer aktiv fra toppnivå. Evalueringen av Øvelse Tyr i november 2012 understreker akkurat det samme poenget. Så vil jeg også si at håndteringsansvaret for kriser, iverksettelsesansvaret, skal selvfølgelig ligge der det ligger i dag, på departementsnivå. Men vi trenger styrke fra toppen og ansvar på toppen. Det er det som er Høyres poeng.

som justis- og beredskapsministeren har fått. Jeg viser til det jeg sa om dette i mitt forrige innlegg. Når det gjelder politiets oppgaver, er det helt sikkert at det vil komme til diskusjon i denne sal. Den siste gangen Stortinget hadde en bred diskusjon om dette, kom det som følge av en proposisjon fra Bondevik II-regjeringen, hvor man hadde en gjennomgang av dette og da konkluderte med at de sivile gjøremålene var en viktig del av politiets oppgaver. Politianalysen vil gå grundig inn i hva det har gitt oss av ressursbruk nå. Det var da jeg registrerte med interesse at representanten kjerneoppgaver som noe politiet opplagt skulle konsentrere seg om. Ja, dette er det viktig at vi tar en grundig diskusjon om, og at vi ikke konkluderer før vi ser utredningen fra analyseutvalget. Jeg registrerer at det har vært snakket om en politistudie i årevis. Jeg må innrømme at jeg var også en av dem som luftet det forslaget da Bondevik-regjeringen satt ved roret. Jeg konstaterer at det ikke ble iverksatt den gangen. Da vi valgte å sette dette utvalget i arbeid i fjor høst, var det ikke minst på bakgrunn av den rapporten som kom fra 22. juli-kommisjonen, som var så tydelig på politiets manglende satsing på IKT, og at vi måtte gå grundigere ned i ressursbruken enn hva vi hadde jobbet med så langt, med tanke på melding til Stortinget om politiet. Jeg er helt sikker på at den også vil gi et godt grunnlag for den viktige strukturdiskusjonen som vi også må ha for politiet. Jeg tror det er maktpåliggende at det blir en moderne organisering som gir mulighet for å utøve lederskap. lederskap. Når jeg hører at det er 35 direkte rapporterende til politidirektøren, i tillegg til egen ledergruppe, er jeg sikker på at det er et forenklingspotensial i den strukturen. Men når det gjelder antall distrikter og øvrig struktur, bør utvalgsinnstillingen på høring først. Så har vi et godt grunnlag for diskusjon. Flere har ikke bedt om ordet til sakene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

å be regjeringen «snarest fremme lovforslag om å erstatte bustadoppføringslovas garantiordning med en forsikringsordning som sørger for et sterkere forbrukervern, samtidig som de negative konsekvenser i form av egenkapital- og lånevanskeligheter for byggenæringen reduseres.» Dette er altså ordlyden i forslaget. Komiteens flertall, som er partiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, støtter ikke forslaget. Jeg regner med at flertallet selv vil argumentere for sin konklusjon. Slik jeg ser det, er det viktig at regelverket vi har, ikke forhindrer aktører i byggenæringen å bygge boliger, eller at regelverket gjør boligbyggingen unødig kostbar. Ved kjøp og salg av ny bolig gjelder det krav om at entreprenøren skal stille garanti for oppfylling av avtalen. Bestemmelsen om garanti ble endret i 2010 ved lov om endringar i bostedoppføringsloven og avhendingsloven. Endringen skjedde på bakgrunn av forslag fra regjeringen Stoltenberg II om å skjerpe kravene til garantiene. I korte trekk ble garantitiden utvidet fra to til fem år etter overtakelsen av boligen, og størrelsen på garantiene ble økt fra 5 til 10 pst. av vederlaget. Virkningen av endringen er i ferd med å vise seg, og dette gjelder i første rekke mindre bedrifter. Flere frykter nå at mindre byggefirmaer ikke vil klare å stille garantier framover. Dette er noe som deles av komiteens mindretall. Derfor ønsker komiteens mindretall, Fremskrittspartiet og Høyre, å slutte seg til representantforslaget. Disse virkningene kan bety at firmaer må legges ned, og at det særlig vil gjelde i distriktene, men det kan også få indirekte konsekvenser i form av dyrere og tregere boligbygging. Kostnadene ved garantiordningen skyves til forbruker i form av dyrere boliger. Garantiordningen gir ikke boligbygger tilstrekkelig sikkerhet, slik undertegnede ser det. Dette gjelder i første rekke de forbrukerne som har størst behov for vern, nemlig de som har store boligfeil. Derfor haster det med å få på plass en forsikringsordning som kan sørge for raskere og billigere boligbygging, som kan forhindre at mindre byggefirmaer må legges ned, eller ikke kan bygge i det omfanget de har potensial til, og som gir forbrukerne bedre rettigheter ved feil på bolig. Jeg tar herved opp mindretallets forslag i innstillingen. Representanten Ulf Leirstein har tatt opp

Me er også opptatt av desse forbrukarspørsmåla, men viser til at ei skjerping av garantireglane allereie er gjennomført, og det er òg føretatt regulering av vidaresal. Denne endringa trådde i kraft 1. juli 2011, og før det er føretatt ei evaluering eller ei vurdering av verknaden av denne skjerpinga, er det fleire moment som må vurderast før ein kan gå inn på ei forsikringsordning. Eg viser også til at Stortinget har sagt at ei ny vurdering av garantireglane må vere gjennomført innan fem år etter at lova trådde i kraft. Dei endringane som hittil er gjort, med m.a. skjerping av garantikrava frå to til fem år og regulering av vidaresal, vil kanskje slå ut i høgare Konkurs og nedlegging av små og mellomstore bedrifter kan derfor bli ein konsekvens på kort sikt. I neste omgang kan dette føre til at firma som allereie i dag er store, blir enda større. Ei slik utvikling kan òg føre til monopolliknande tilstander i bustadmarknaden. Dette vil ingen vere tent med. Me meiner at forbrukarane er godt ivaretatt med dagens gjeldande regelverk, men konsekvensen kan altså bli at marknadsprisen kan bli høgare. I enkelte delar av landet er bustadprisane allereie høge nok. Dersom man skulle innføre ei ny forsikringsordning, ville dette òg ha ei kostnadsside, som ville blitt velta over på forbrukarane. På denne bakgrunn vil eg tilrå at saka leggjast ved protokollen, og at ein først gjennomfører den vurderinga som skal gjerast etter at Stortinget vedtok å skjerpe garantireglane og regulerte for vidaresal av

Ifølge SSB, Statistisk sentralbyrå, ble det i 2012 registrert igangsatt bygging av 30 189 boliger – et betydelig antall. Likevel bygges det for tiden ca. 10 000 boliger for lite i Norge per år. Etter vårt syn er ikke dagens garantiordning ved byggefeil verken god nok for forbrukerne eller den mest hensiktsmessige i Bestemmelsene i bustadoppføringsloven om garanti for oppfylling av avtalen ble endret i 2010. I korte trekk ble garantitiden utvidet fra to til fem år etter overtakelse av boligen, og størrelsen på garantiene ble økt fra 5 til 10 pst. av vederlaget. Både byggenæringen og Høyre advarte den gangen mot at endringen kunne virke uheldig for næringsaktørene i byggebransjen, fordi det kan skape egenkapital- og lånevanskeligheter. Som en følge av den nye ordningen, er egenkapitalkravet til bedriftene i realiteten fordi garantikravene legges på hverandre med nye boligprosjekter i femårsperioden. Virkningen av dette er nå i ferd med å vise seg – i første rekke for de mindre bedriftene. Det er grunn til å frykte at mange mindre byggefirmaer ikke vil klare å stille garantier framover. Dette kan bety at firmaer må legges ned, og dette kan særlig gjelde i distriktene. Indirekte kan vi også få se konsekvenser i form av dyrere og tregere boligbygging. Kostnadene ved garantiordningen skyves altså til forbruker i form av dyrere boliger. Dersom garantiordningen hadde gitt forbruker tilstrekkelig sikkerhet, kunne vi forstå at regjeringen mener det er så viktig å opprettholde endringen i garantibestemmelsen. Men slik vi ser det, gir ikke garantiordningen – heller ikke etter at den ble skjerpet – tilstrekkelig beskyttelse. De som i første rekke sviktes, er de forbrukere som har størst behov for vern, nemlig de som opplever at boligfeilene er store. Selv om det ikke skjer ofte, hender det at vi ser feil i millionklassen. Slik forslagsstillerne ser det, bør derfor At forbruker sikres gjennom forsikringsordninger, vil ikke bli noe særnorsk, slike ordninger er kjent fra bl.a. Danmark. En forsikringsordning kan sørge for raskere og billigere boligbygging, samtidig som den kan forhindre at mindre byggefirmaer må legge ned eller ikke kan bygge i det omfang de har potensial til, og som gir forbrukerne bedre rettigheter ved feil på bolig.

Skjerpingen av garantireglene ved lov 10. desember 2010 nr. 74 om endringer i bostedoppføringsloven og avhendingsloven utgjorde et kompromiss mellom disse hensynene. At lovendringene ville medføre en viss økning i entreprenørenes kostnader ved garantistillelse, ble i proposisjonen framhevet som en uunngåelig konsekvens av å styrke forbrukervernet ved skjerpede garantikrav. Når komiteens mindretall tar til orde for å erstatte bostedoppføringslovens garantiordning med en forsikringsordning, finner jeg derfor grunn til å understreke at også en forsikringsordning vil ha en kostnadsside som reiser avveiningsspørsmål av denne typen. Spørsmålet om en forsikringsordning for byggefeil ble vurdert i NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslovgivning Utvalget konkluderte her med at det ikke ville anbefale en forsikringsordning som alternativ til bostedoppføringsloven. Utvalget mente bostedoppføringsloven ivaretok behovet for å lovregulere garanti- og forsikringsordninger for byggfeil, men at lovens garantibestemmelser burde gjennomgås med tanke på utvidelse av garantiens størrelse og varighet. Dette er nå fulgt opp ved skjerpingen av garantireglene, som trådte i kraft 1. juli 2011. 2011. Jeg er på denne bakgrunn enig med komiteens flertall i at det nå synes lite aktuelt å vurdere spørsmålet om en eventuell forsikringsordning, og at man bør avvente en vurdering av garantireglene i tråd med forutsetningene i Innst. 74 L for 2010–2011. Det ble her lagt til grunn at det på grunnlag av erfaringer fra ulike aktører på feltet, skulle foreligge en ny vurdering innen fem år fra ulike aktører på feltet, skulle foreligge en ny vurdering innen fem år fra ikrafttredelsen av de skjerpede garantikravene. Jeg har lyst å understreke at det vi ikke diskuterer i denne saken, er forbrukernes muligheter til å få rett oppgjør. Hvis garantiordningen blir effektiv, er den stilt av bank, og da kommer pengene som skal dekke eventuelle byggefeil, fra banken. Hvis vi har en forsikringsordning, kommer pengene som skal dekke byggefeil, og som skal til forbrukerne, fra et forsikringsselskap. Så forbrukerne er like godt stilt, uansett om pengene kommer fra forsikring eller fra bank. Det som fikk meg til å ta ordet, var at representanten Oppebøen Hansen faktisk medga at dagens ordning, hvor man er rigid bundet til garantiordningen, har det ved seg at den kan utløse konkurs i mindre entreprenørbedrifter. Det skulle være helt unødvendig. En forsikringsordning ville på en annen måte kunne avlaste risikoen mellom entreprenører, uten at man behøver å reservere deler av sin egenkapital. Den måten vi innretter oss på nå, betyr at entreprenører som har solid egenkapital, en konkurransefordel som ikke fremmer konkurranse, og heller ikke effektiv utnyttelse av ressursene, og dermed heller ikke bidrar til å holde prisene nede gjennom konkurranse – til skade for forbrukeren, selvfølgelig. Jeg synes også at justisministerens svar var veldig formalistisk. Man føler seg bundet av en femårsgrense for å vurdere dette. Nå var det maksimaltiden for å vurdere, og det er jo ikke noe i veien for at Stortinget kan gå igjennom sin egen lovgivning hvis bransjen melder tilbake at dette har utilsiktede virkninger – virkninger som riktignok bransjen advarte mot på forhånd, men som nå viser seg i terrenget når ordningen iverksettes. Da må det være sånn i politikken at man kan rette feil raskere enn å holde seg til teoretiske grenser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

et uavhengig innstillingsråd for dommere og et uavhengig disiplinærorgan for dommere. Mye makt ble overført fra Justisdepartementet, men mye makt er ifølge forslagsstillerne igjen i departementet. Komiteens flertall, dvs. alle partier minus Fremskrittspartiet, slutter seg til vurderingen som er blitt gjort i svaret fra statsråden. Faren for at dommerutnevnelser blir partipolitisk motivert eller gir et inntrykk av at de er partipolitisk motivert, er ikke fra flertallets side ønskelig. I tillegg mener flertallet at den etablerte parlamentariske kontrollen med regjeringen, herunder embetsutnevnelser, innebærer at man har tilstrekkelig med både kontrollmuligheter og reaksjonsmuligheter fra Stortingets side. Flertallet foreslår derfor at forslagene ikke bifalles, og overlater selvfølgelig til Fremskrittspartiet å begrunne sine egne forslag. På vegne av mindretallet, Høyre og Fremskrittspartiet, tar jeg imidlertid opp et felles mindretallsforslag, hvor vi ber regjeringen utrede modeller som på sikt kan gjøre at Høyesterett selv skal kunne velge sin Det mener vi er et fornuftig forslag, uten at det derved er sagt at Fremskrittspartiets mindretallsforslag, som de står alene om, er totalt ufornuftig. Det kan godt tenkes at det kan bli vurdert på et senere tidspunkt, men det tidspunktet er altså ikke i dag – og flertallet anbefaler at forslaget vedlegges protokollen. Representanten André Oktay Dahl har tatt opp det forslaget

Jeg registrerer at Fremskrittspartiet begrunner forslaget bl.a. ved å antyde at Høyesterett i dag ikke er uavhengig – dette til tross for at utpekingen av høyesterettsdommere etter dagens ordning ikke foregår ved at regjeringen plukker vilkårlig i haugen etter en kandidat med den rette partifargen. Jeg vil minne forslagsstillerne om at det er det uavhengige innstillingsrådet for dommere, bestående av tre dommere, to andre jurister og to allmenne representanter, som innstiller kandidater.

Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål ved om vi, hvis forslaget fra Fremskrittspartiet gjennomføres, kan få en situasjon der kandidatene til stillingen som høyesterettsdommer driver valgkamp mot stortingsrepresentanter og stortingskandidater og tydelig signaliserer hvilket parti de støtter. Da vil høyesterettsdommere ved utøvelse av dommergjerningen kunne føle seg presset til å være lojal mot et politisk parti, og om ikke det skjer, kan innbyggerne oppfatte det sånn. Det vil ikke bare kunne svekke folks tillit til dommerne, men til hele rettssystemet.

Den utviklingen har på mange måter forsterket seg etter hvert. Stortinget er det øverste folkevalgte nivå, og en utvikling hvor den folkevalgte statsmakt har en noe annen stilling enn de to ikke folkevalgte statsmakter, fremstår i dag som ganske rimelig. Forslaget om å involvere Stortinget ved utnevnelsen av høyesterettsdommere er ment å ivareta borgernes rettigheter bedre. Det er Stortinget som er borgernes representanter, mens den utøvende makt har en helt annen og mer begrenset funksjon. En regjering er avhengig av ikke å møte mistillit i Stortinget, og er således avhengig av Stortinget for å kunne gjøre sin konstitusjonelle plikt etter Grunnloven. Det samme er imidlertid ikke tilfellet for domstolene, på tross av at Høyesterett, ofte i større grad enn regjeringen, påvirker den faktiske rettstilstanden gjennom sin dømmende og rettsskapende kraft. I dagens system er en jurist med ambisjoner om sete i Høyesterett avhengig av å stille seg i et favoriserende lys overfor den utøvende makt, som har utnevnelsesrett alene etter innstilling fra Innstillingsrådet – altså motsatt av det som representanten Ljunggren her forsøkte å gi inntrykk av. Borgernes statsmakt, det folkevalgte storting, holdes helt utenfor denne prosessen. Stortinget har heller ikke, på tross av insinuasjoner om det motsatte, både i innlegget fra Ljunggren, og fra statsråden i forbindelse med behandlingen av denne saken, noen reell kontrollfunksjon overfor regjeringens utnevnelse av høyesterettsdommere. Det er utenkelig at Stortinget gjennom sin etterfølgende kontroll vil kunne påvirke utnevnelsen av dommere til Høyesterett. I beste fall vil Stortinget kunne kaste en statsråd for å ha gjort formelle feil ved en utnevnelse eller dersom Stortinget ikke har tillit til statsrådens virke.

at dagens utnevnelsesprosess er mindre politisk enn en prosess hvor landets borgere høres gjennom sine representanter på Stortinget i forkant av utnevnelsen. I dag står regjeringen i prinsippet fritt til å utnevne dommere, gjerne ut fra den til enhver tid sittende regjerings politiske ståsted. Det er måter å gjøre det på, til tross for at Innstillingsrådet er uavhengig. Det er dagens system som gir grunnlag for mistanke om eventuelle partipolitiske utnevnelser. Ved å involvere Stortinget, som en forhåndsgodkjenning av flere kandidater, fjernes hele det partipolitiske aspektet ved utnevnelsene, og begge de to øvrige statsmaktene, både den folkevalgte og den utøvende, er involvert i prosessen frem mot uavhengige dommere i den tredje statsmakt. Det er – uavhengig av hva vi måtte mene – nylig gjennomført studier som viser at dommeres bakgrunn i stor grad påvirker deres domsutøvelse. Domstolene vil i fremtiden bli utsatt for et enda mer kritisk søkelys enn det de allerede utsettes for i dag. Det vil kunne føre til at enkelte kan hevde at regjeringer utnytter utnevnelse av dommere til den høyeste domstol i dette land for å sikre politisk grunnsyns gjennomslag ved fremtidige dommere i Høyesterett når de selv må forlate regjeringsembetene. Det fremstår som lite innsiktsfullt når departementets svar baserer seg på en tidligere diskusjon om å legge dommerutnevnelser til Stortinget. Dette forslaget handler absolutt ikke om det, så jeg er litt usikker på om statsråden har tatt seg bryet med å lese forslaget før hun sendte svar til komiteen. Så er det dessverre slik – vi opplever det nå også – at mange viktige konstitusjonelle debatter i denne sal reduseres til spørsmål om hva som er politikk, og hva som ikke er politikk. Demokrati handler om politikk, alt er egentlig politikk. Det blir ikke mer eller mindre politisk av at regjeringen har mer makt over den såkalt tredje og uavhengige statsmakt enn den folkevalgte forsamling. Jeg håper vi i fremtiden kan ta slike diskusjoner med et noe mer åpent sinn enn det jeg mener har skjedd under behandlingen av dette forslaget, ikke minst etter det som ble bekreftet i representanten Ljunggrens innlegg, for utgangspunktet her er å skape en upolitisk prosess frem til utnevnelse av en enda mer uavhengig og kompetent Høyesterett. Jeg vil dermed ta opp Fremskrittspartiets forslag i saken. Representanten Anders Anundsen har tatt opp

partipolitiske synspunkter i kollegiet og manglende kunnskap innad i dommerkollegiet om partipolitiske preferanser, før han oppsummerer med at han faktisk ser dagens ordning som god, og bedre enn den som nå foreslått. Når jeg tidligere har kommentert dette som et forslag med ønske om å innføre amerikanske tilstander i norsk rettsvesen, er det i tillegg slik at dette ville være et system som kunne et system som kunne gi inntrykk av at det kunne tas partipolitiske hensyn ved utnevnelser, noe jeg mener er viktig å unngå. Jeg mener vi er tjent med å ha en høyesterett som er uavhengig på alle mulige måter, også politisk. Dyktige, innsiktsfulle og uavhengige dommere er en forutsetning for et velfungerende domstolssystem. domstolssystem. Etter Grunnloven utnevnes dommere til Høyesterett som embetsmenn av Kongen i statsråd. Kongen innhenter innstilling fra Innstillingsrådet – som tidligere omtalt – før en dommer blir utnevnt. Høyesterettsjustitiarius gir muntlig eller skriftlig uttalelse direkte til Justisdepartementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling. Vi skal ha en demokratisk prosess når dommere utnevnes. Men dette må ikke gå på bekostning av domstolenes uavhengighet. Det har tidligere vært vurdert å bringe Stortinget inn i utnevnelsesprosessen – også da med negativ konklusjon. Stillingen som justitiarius i Høyesterett står i en særstilling. Denne stillingen behandles ikke av Innstillingsrådet for dommere. Ved utnevnelse av høyesterettsjustitiarius er det vanlig at regjeringen konsulterer Stortinget før utnevnelsen finner sted. Det er opp til Høyesterett selv hvorvidt virksomheten skal uttale seg om spørsmålet om utnevnelse av justitiarius. Til stillingen som høyesterettsjustitiarius står også kravet om

Vi har gode, demokratiske systemer som fungerer etter hensikten. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.
Jeg vil starte med å gi honnør til forslagsstillerne. Jeg mener det er usedvanlig viktig at dette spørsmålet løftes inn i Stortinget, for det er ualminnelig viktige spørsmål man har reist. Jeg er helt enig i konklusjonen til flertallet i saken, nemlig at den foreslåtte løsningen ikke er egnet. Jeg vil likevel understreke at med den rolle som Høyesterett har, har, har fått og vil få i framtiden, ikke bare som lovtolker, og ikke bare for å fylle ut et rettstomt rom, men for å være en mer aktiv medspiller i utformingen av hvordan dette landet styres, og særlig fordi vi har rettsliggjort mange av befolkningens velferdsgoder, er det min oppfatning at rekrutteringen til Høyesterett blir vært. Høyesterett vil inneha en viktigere og viktigere rolle. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av at det er politiske – og partipolitiske – grunner til at folk blir utnevnt til Høyesterett. Jeg har en viss erfaring i å være med i ansettelsesprosedyrer og innstillinger. Vi har vel nærmest byttet ut halve Høyesterett i løpet av de siste årene. Man har fulgt Innstillingsrådets innstilling, og for meg har det vært helt ukjent hva slags partipreferanser vedkommende har. Så jeg mener at det ikke er der problemet ligger. Men grunnen til at jeg syns det er bra at man løfter inn denne typen konstitusjonelle spørsmål i Stortinget, er at vi trenger en diskusjon rundt hvordan man rekrutterer til Høyesterett, og hva slags rekruttering vi kan sikre oss for framtida. Det er bekymringsfullt at man har så pass få søkere til Høyesterett. Vi skulle etter mine begreper hatt langt flere søkere. Debatten om rekruttering til Høyesterett bør først og fremst handle om hva slags bredde vi skal ha i bør først og fremst handle om hva slags bredde vi skal ha i rekrutteringen til en så viktig statsinstitusjon. Da tenker jeg på både det å sikre at man får jevn fordeling med hensyn til kjønn, og at det også blir rekruttert godt nok ut fra erfaring utover de juridiske kunnskaper som man trenger i en så viktig posisjon. Hvilke kriterier som legges til grunn for at man blir akseptert eller innstilt som søker, synes jeg nok fortjener en bredere debatt enn det vi tradisjonelt har hatt. På denne bakgrunn har jeg i dette innlegget lyst til å gi honnør for at denne typen spørsmål løftes inn, for jeg mener det er av vital betydning. Vi er helt avhengig av å kunne rekruttere bredere, få et høyere antall søkere, til Høyesterett, hvis Høyesterett skal fylle sin viktige rettspolitiske rolle

Men det jeg synes er den mest interessante dreiningen i denne debatten, er nettopp det siste innlegget som ble holdt av tidligere justisminister Storberget, altså nåværende stortingsrepresentant Storberget. Han trekker opp en debatt som flere av oss i løpet av de årene da Storberget var justisminister, prøvde å trekke opp i offentligheten – uten at Storberget tok noe initiativ i de vel seks–syv årene han satt som justisminister. Men Storberget og at Storberget tok noe initiativ i de vel seks–syv årene han satt som justisminister. Men Storberget og undertegnede kan være enige om en ting, og det er at søknadsmengden til Høyesterett er sterkt bekymringsfull. Man får ikke nok søkere totalt sett, men man får heller den bredden som man skulle ønske å ha. Derfor kunne jeg tenke meg å utfordre statsråd Faremo på om dette er en tematikk som regjeringen nå vil ta tak i. Det er vel kjent at det i den siste utlysningsrunden, som var nå i mai, ikke kom noen søkere til det ledige embetet som dommer i Høyesterett.

men den kan bli enda bedre. Spesielt med tanke på den internasjonale rolle som Høyesterett nå har fått, hvor mer og mer internasjonale forhold, internasjonal rett osv. påvirker norsk rett og norske dommer, er det helt avgjørende at vi får flere folk som har betydelig internasjonal erfaring inn i Høyesterett. Vi har også et svært internasjonalt næringsliv, en tung olje- og gassnæring og tunge, vanskelige saker i Høyesterett. Vi er helt avhengig av at vi får inn jurister i Høyesterett som også har tung internasjonal næringslivsbakgrunn, og ikke bare bakgrunn fra offentlig forvaltning eller fra advokatfirmaer her i byen.

kort å kommentere Knut Storbergets innlegg, for det synes jeg var godt og reflektert og viser litt av poenget med forslaget, nemlig å få opp den typen diskusjoner om hvordan maktfordelingsprinsippet i fremtiden skal være, hvordan vi skal sikre en uavhengig og kompetent høyesterett. Det er en utfordring at det ikke var søkere ved forrige utlysning av høyesterettsdommere. Uten at det nødvendigvis kan løses ved å endre utnevnelsesprosessen, er dette et fokus som jeg mener dette hus må ta på alvor. alvor. Så var det ikke min intensjon, hvis det ble oppfattet slik, å si at en i dag har utnevnt høyesterettsdommere basert på partipolitiske preferanser. Det jeg sier, er at man har muligheten til det. I dagens system kan man gjøre det. Man kan også gå utenom Innstillingsrådets innstilling forutsatt at man rådfører seg med Innstillingsrådet før utnevnelsen. Så det er muligheter for å utnytte den ordningen vi har i dag, til partipolitisk gevinst. Det er det som er utfordringen. utfordringen. Så er det et poeng, f.eks. når vi ser på rederibeskatningsdommen, at bakgrunnen til dommere i Høyesterett har en sammenheng med hvordan høyesterettsdommerne til slutt avgir stemme. Det er også noe som vi må tillate oss å diskutere i denne sal. Vi befinner oss nå i – la meg kalle det – en konstitusjonelt sett rolig periode, altså det er ikke noen store krangler eller uenigheter mellom statsmaktene. Det er ikke en situasjon som vi vet vil være vedvarende. Når vi snakker om noe så viktig som den uavhengige domstol og Høyesterett, med den rollen som jeg tror Storberget har helt rett i at Høyesterett vil få fremover, er det enda viktigere at begge de to andre statsmaktene er involvert i denne prosessen. Derfor lar jeg meg bekymre når justis- og beredskapsministeren sammenligner dette forslaget med «amerikanske tilstander». Det er et forsøk på å undergrave en diskusjon om hvordan vi skal sikre en uavhengig høyesterett og utnevnelse til Høyesterett gjennom å bruke en argumentasjon som ikke er verdig en justisminister. Det er vanskelig

Høyesterett. Jeg kan bare understreke at jeg deler bekymringen når vi ser få og til dels ingen søkere til embeter. Jeg vil likevel ikke ha noen formening om rekrutteringen til det konkrete embetet som nå er ledig, men å sikre at vi hele tiden har en høyesterett sammensatt av bred kompetanse, er jo noe som jeg tror også mange synes er maktpåliggende. Da er det er jo noe som jeg tror også mange synes er maktpåliggende. Da er det naturlig at justis- og beredskapsministeren har en diskusjon med både Domstolsadministrasjonen og Høyesterett selv, om disse temaene og utfordringene, med utgangspunkt i og respekt for domstolens uavhengighet,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

Det kom mange viktige innspill, og regjeringen jobbet videre med dem fram til lovforslagene ble fremmet. Vi har også her i dag – på samme måte som vi hadde i innstillingen fra 22. juli-komiteen – en enstemmig innstilling fra justiskomiteen. Det er gledelig og positivt at vi har en felles tilnærming til disse viktige spørsmålene. Selv om det er enstemmig innstilling, ser jeg grunn til å kommentere noe av innholdet i forslagene og noen av de prosessene som ligger til grunn for det endelige resultatet. Det første punktet jeg vil kommentere, gjelder forberedelser til terrorhandlinger som gjøres av det som er kalt soloterrorister – andre har kalt dem ensomme ulver, selvradikaliserte personer, osv. – som selvradikaliserte personer, osv. – som ikke har bånd til store terrornettverk, eller som har bevisst skjult disse båndene, slik at man bare ser enkeltpersonene når man forsøker å oppdage hva de forbereder – altså forberedelser som ikke gjøres i forbund. Vi har hatt bestemmelser fra 2002 som rammer forberedelser i forbund, men ikke soloterrorister eller enkeltpersoner. Det vi nå gjør, er å innføre en lovbestemmelse som også rammer disse. Det forutsetter noen viktige faktorer som er nærmere definert i lovforslaget, nemlig at det må være et mønster av materielle forberedelser og forberedende elementer før man kan snakke om at det er en forberedelse til en soloterrorhandling. Det andre momentet er at det også må være et forsett, at dette mønsteret og andre ting gjør at man kan påvise at det er et forsett om å begå en terrorhandling. Det innebærer at disse – en slags – parodier som er tegnet av lovforslaget i offentlige debatter tidligere, om at det var nok å ha gummihansker osv. for å bli rammet av denne bestemmelsen, ikke er noe som helst i tråd med det som er selve forslaget, som forutsetter disse to viktige elementene som jeg har nevnt nå. nå. Det var nyttig for justiskomiteen under høringen vi hadde i arbeidet med dette viktige lovforslaget, å merke seg at riksadvokaten kommenterte at det hadde skjedd viktige forbedringer i lovforslaget slik det nå fremmes, og at han var overrasket over at hans kommentarer eller innspill til lovforslaget var plassert som negativt. Han kommenterte også at kommenterte også at man ikke i tilstrekkelig grad hadde gjort jobben sin med hensyn til å formidle erfaringer med soloterrorisme tidligere. Vi synes vi har et betryggende forslag fra komiteens side på dette punktet, og det er en enstemmig innstilling her. Jeg vil også kommentere et par andre punkter i lovforslagene, hvor det er gjort en viktig innsats i å få det treffsikkert og riktig. Det gjelder mottakelse av terrortrening i treningsleirer. Det skal også kunne kriminaliseres, men det forutsetter at man vet at det er terrortrening det dreier seg om – altså at det ikke er som enhver annen trening i å bruke skytevåpen osv., men at man forstår at formålet med treningen er å trene opp terrorister. Det som vi ikke har tatt med i de elementer som var ute på høring, var at man kunne dømmes for å motta terrortrening hvis man oppholdt seg i områder hvor det foregikk slik terrortrening. Så generelt er det ikke formulert her, det forutsetter at man mottar terrortrening selv, og at man vet at formålet med den treningen er å trene opp terrorister. Jeg ser at det lyser rødt allerede – vi har også kommet med riktige lovforslag når det gjelder å utvide straffeansvaret for befatning med våpen og sprengstoff, og legger en bestemmelse som ligger i loven av 2005, inn i 1902-loven, og som også utvider noe de elementene som man her kan dømmes for å ha befatning med. Det samme gjelder kriminalisering av kvalifisert deltakelse i terrororganisasjoner, som også er definert nærmere i lovforslaget. Vi utvider strafferammen for grove terrorhandlinger til 30 år.

vises ved ytre tegn som peker mot gjennomføringen». Når man går til det skritt å fremme slike lover, er det med bakgrunn i at trusselnivået og trusselvurderingene er økende. Det viser PSTs og norsk etterretnings vurderinger. Men det er ingen tvil om at det er vanskelig. Noen vil kanskje oppfatte det som litt naivt at man foreslår den typen lover. Det som er vanskelig. Noen vil kanskje oppfatte det som litt naivt at man foreslår den typen lover. Det som er viktig her, er at man ser at dette i stor grad handler om forebygging og troen på det å forebygge med hensyn til terror. Derfor er dette viktig, særlig i disse tider når man vurderer hvem som overvåker hvem. Det er en stor debatt rundt det. det. Derfor peker komiteen særlig på at «EMK artikkel 7 og legalitetsprinsippet i Grunnloven § 96 inneholder et krav om at straffebestemmelser må beskrive det straffbare forholdet med en presisjon som i rimelig grad gjør det mulig å forutse hvilken atferd som er straffbar.» Det er en balansegang. Noen har antydet at vi lager en lov som skal straffe hva folk tenker på. Men det er opp til domstolene og politiet å vise den presisjon som også komiteen peker på. Jeg vil vie resten av tiden min til forslag nr. 1, som er omdelt i salen, og som gjelder foreldelsesfrister. Jeg registrerer i dagens VG at justisministeren er helt enig i at justisministeren er helt enig i forslaget. Justisministeren uttrykker også glede over at undertegnede nå slutter seg til hennes ønske om å forlenge foreldelsesfristene. Til det må jeg få lov til å si at Fremskrittspartiet fremmet dette forslaget i 2004, og jeg tror vi gjentok det også ved ny straffelov i 2005. Om det er noen som slutter seg til noen her, så

Forslag nr.1 handler om forlengelse av foreldelsesfristene. Bakgrunnen for foreldelsesreglene er todelt. For det første vil bevis være vanskelig å framskaffe etter som tiden går, og det er vanskelig å se at dette vil være noe godt selvstendig argument i mer alvorlige straffbare saker, mener Fremskrittspartiet i dag – i 2013. Uskyldspresumsjon medfører allerede at man har en bevisterskel for når påtalemyndighetene kan ta ut tiltale. Er bevisbildet ikke godt nok, vil det uansett ikke bli tatt ut tiltale. Det taler for å fjerne og øke foreldelsesfristene. Foreldelse er derimot et definitivt og sterkt virkemiddel for avskjæring av en straffesak. Dersom saken er foreldet, er den endelig avsluttet uten at det er mulighet for skjønnsavveining. Slike avveiningsmuligheter i den konkrete sak vil man derimot ha om en eldre sak vurderes tatt opp i Det er fullt mulig å vektlegge bevisenes alder i vurderingen av dem. En foreldelse er på den annen side endelig uten at man har muligheter for rimelighetsvurderinger i den konkrete sak. For det andre bør samfunnet og lovbryteren se seg ferdig med en sak etter som tiden går. Dette er vektige argumenter i pengekravsretten, men det er forslagsstillernes klare oppfatning at deres syn bør stå vesentlig svakere og kanskje fjernes ved alvorlig kriminalitet. Det er vanskelig å se verdien i muligheten for at en drapsmann skal kunne legge drapene bak seg uten å straffes. Samfunnet bør også ha en sterk interesse i at loven håndheves, spesielt i de mer alvorlige tilfeller. Hvis Stortinget slutter seg til dette forslaget i dag, tror jeg vi vil gi mange mennesker, pårørende og offer, en håndsrekning med hensyn til deres fortvilelse over at saken kan foreldes. Jeg fremmer hermed dette forslaget fra Fremskrittspartiet. Representanten Per Sandberg har tatt opp det forslaget

Den saken vi skal debattere nå, går rett inn i den situasjonsbeskrivelsen, og vi skal se på viktige lovformuleringer som skal gjøre samfunnet bedre i stand til å møte disse utfordringene på en balansert måte. Det er særlig tre forhold som Høyre vil peke på når det gjelder den prinsipielle delen av denne saken. denne saken. Det er for det første at vi med dette foreslår å kriminalisere nye handlinger. Vi flytter det straffbare forholdet, når det oppstår, tidligere i handlingsrekkefølgen. Vi flytter det altså fra selve handlingen til et tidligere stadium i handlingsrekken. Det tredje vi gjør, er at vi legger stor vekt på intensjon og i selve vurderingen av det straffbare forholdet. Dette er viktige prinsipielle sider som naturligvis også må ses opp mot viktige forhold som rettssikkerhet og personvern. For Høyre har det vært særdeles viktig at vi i vår vurdering har lagt vekt på forholdet som er beskrevet både i Grunnloven og i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som sier at straffebestemmelser skal beskrive straffbare forhold med en presisjon som i rimelig grad gjør det mulig å forutse hva som er straffbart. Etter Høyres mening ivaretar disse forslagene den beskrivelsen. Det har vært helt avgjørende for oss. Derfor støtter Høyre forslagene. Vi mener at dette bidrar både til å kunne forhindre og ikke minst forebygge alvorlige anslag mot det norske samfunnet. Det vil framgå av merknadene at Høyre ønsker en evaluering av disse bestemmelsene, og det gjelder særlig forholdet til deltakelse i terrororganisasjoner. Høyre vil peke på at en evaluering av disse bestemmelsene uansett Høyre vil peke på at en evaluering av disse bestemmelsene uansett er viktig. Vi registrerer at Venstre har fremmet et generelt forslag om det med en tidsfrist. Fra Høyres side mener vi at forslagsstillers intensjon er ivaretatt ved merknadene og ønsker således ikke å stemme for forslaget, men vi peker på at forslagsstiller har et viktig Avslutningsvis vil jeg ta for meg representanten Sandbergs forslag om opphevelse av foreldelsesfristen, bl.a. i drapssaker. Høyre deler absolutt det samme synspunktet: Det er viktig å fjerne foreldelsesfrister. Samtidig er Høyre også opptatt av at vi skal ha en forsvarlig lovbehandling i alle de lovsaker vi behandler i denne salen. Etter statsrådens tydelige uttalelser også om hennes støtte til samme sak er Høyre forundret over at vi ikke har fått et beslutningsgrunnlag før vi går fra hverandre før sommeren. Det synes Høyre er underlig. Vi synes grenser til det kritikkverdige at man i et så viktig spørsmål, med en så bred støtte i Stortinget, ikke har fått dette fram før vi går fra hverandre før sommeren og før valget. Mitt spørsmål til statsråden er: Er det mulig for henne å kommentere og besvare om Grunnloven § 17 om Grunnloven § 17 om såkalt provisorisk anordning – som, når Stortinget ikke er samlet, gir regjeringen fullmakt til å iverksette lover – er anvendelig i denne saken? Er denne paragrafen anvendelig med hensyn til å ivareta Stortingets klare intensjon i en viktig sak, samtidig som vi ivaretar ryddighet i saksbehandlingen og beslutningsgrunnlaget for den folkevalgte forsamlingen? La meg først slutte meg til komitélederens meget klare, sterke og

ha et lovverk som fanger opp den utvikling som skjer ikke bare i vårt land, men også i det globale samfunnet. I dag er verden mye mindre. Konfliktene verden rundt er flerdimensjonale og av en global art. Ta f.eks. Afghanistan. Det er et fjerntliggende land i en annen verdensdel enn vår. For noen få tiår siden hadde vi et annet fokus på dette landet enn det vi har i dag. I dag har vi våre soldater og våre sivile i Afghanistan. Dermed har de konfliktene som herjer i Afghanistan og i nabolandene, direkte implikasjoner for oss og vår sikkerhet. Syria er et annet land som ligger langt unna oss, men konflikten der har nå fått en slik karakter at det at det kan få konsekvenser for vår egen sikkerhet her hjemme. Konfliktene i begge disse landene og i andre land som er implisert i disse konfliktene, har dessverre tiltrukket vår ungdom. De har fått inspirasjon til voldsutøvelse, trening i våpenbruk og annen uønsket trening som i verste fall kan brukes til å forstyrre vår samfunnsorden, vår trygghet og våre verdier. Dette må vi ta på alvor. Samtidig har vi dessverre også opplevd en terrorhandling på vår jord begått av en «homegrown» mann som i det stille forberedte terror, og dessverre ikke ble avslørt før han lyktes i å gjennomføre sin onde plan. Noen mener at han kunne ha gått fri selv om han ble oppdaget før han gjennomførte terrorhandlingen, som viste seg å være fatal. Dette skal selvsagt være usagt. Dette krever at vi

Friheten til å tenke fritt er her avgjørende viktig. Vi foreslår i dag å kriminalisere planlegging av terrorhandlinger, å ta imot trening i terrorhandlinger, rekruttere andre til terrororganisasjoner og støtte terrororganisasjoner ved å samle inn penger til dem. I tillegg kriminaliserer vi å skaffe seg våpendeler som samlet kan brukes i en terrorhandling. Vi er i dag i ferd med å legge nye rammer og opprette nye skranker for kriminalitetsbekjempelse i vårt demokrati. Målet er å beskytte våre grunnverdier: ytringsfriheten og retten til å organisere seg fritt. Derfor er det i denne sammenheng viktig for SV å si at intensjoner og tanker om å gjennomføre en terrorhandling må understøttes av de ytre bevis, som utover enhver tvil må bevise at noen hadde til hensikt å gjennomføre en

Han sa i sin tid: «De som vil gi opp essensiell frihet for å kjøpe seg en liten midlertidig sikkerhet, fortjener hverken frihet eller sikkerhet.» Den saken som vi behandler i dag, er

blir rammet. Dette er jo ikke bare enkelt. Etter vår mening er innrammingen god, noe både proposisjonen og komiteen også understøtter, slik at her er det ikke fritt fram, som kanskje noen i den offentlige debatt har fremstilt det som. Dette med soloterrorisme er jo ikke bare knyttet til den tragiske hendelsen vi hadde for et par år siden. Det er også et faktum at vi hadde anslag mot den jødiske synagogen i Oslo før det, der vedkommende ikke kunne straffes etter slike bestemmelser fordi det da ikke var rettslig grunnlag for det. I dag – med disse vedtak – kunne også det antagelig

vedkommende gjerningsperson har. Dette er etter Kristelig Folkepartis mening en god innramming av forslagene, og jeg kan også slutte meg til det som saksordføreren ellers redegjorde for. Så til det forslaget som representanten Sandberg har fremmet: Jeg er på mange måter enig – som også representanten Werp var inne på at når lovvedtak skal fattes, trenger vi et godt, saklig grunnlag. Når det gjelder å endre foreldelsesfristen på de områdene vi her snakker om – drap m.m. – så er jo ikke dette en ny diskusjon. Dette har vært fremmet og diskutert i ulike sammenhenger, og Stortinget har, som det har vært nevnt, i to omganger faktisk bedt om for så vidt hatt det saklige grunnlaget ganske lenge. Dessuten er det i tråd med Kristelig Folkepartis vedtatte program, og alle forstår vel at det betyr noe når vi skal votere. Det har også skjedd noe teknologisk sett som gjør at tiden er kommet for å vurdere dette Så vi er beredt til å stemme for forslaget, men jeg slutter meg til Werps anmodning til justisministeren om hvorvidt regjeringen ser for seg en mulighet for raskt å komme med en provisorisk anordning. Hvis vi tenker litt tilbake, så har regjeringen handlet raskt anordning. Hvis vi tenker litt tilbake, så har regjeringen handlet raskt i denne type saker tidligere når den har ment at det var behov for det. Jeg minner om det som skjedde i 1997. Etter et MC-oppgjør i Drammen kom det en meget rask provisorisk anordning fra regjeringen – jeg tror vi snakker om noen få dager. Vi er spent på hva justisministeren har å melde Stortinget.
Neste taler er statsråd

Hvis ikke kan vi ende i den situasjonen som både USA og England har vært i, der de har opplevd terrorhandlinger og så raskt endret lovverket, for så å angre seg fordi det bryter fundamentalt med prinsipper som vi bygger rettsstaten vår på. Dette har også Norge brent seg på. Vi var også enig i at de forslagene som var kommet, måtte sendes på høring, men da vi skrev den merknaden, hadde vi nok ikke trodd at alle forslagene skulle sendes ut – rått og råte – uten forarbeid bare fordi noen i PST kom på at det var en god idé. Vi hadde nok trodd at det skulle være et ordentlig lovarbeid rundt dette, og at de ikke skulle sendes ut slik som de var foreslått. Vi er enige i noen av de forslagene som nå ligger foran oss.

Men vi er likevel beredt til å støtte det i dag. Det vi er skeptiske til, er spesielt det med intensjon og forsett til soloterrorisme. Jeg er veldig åpen for å lage en lovparagraf som også skal ramme soloterrorisme, men jeg syns ikke at den jobben som er gjort her, er bra nok. Det å bevise intensjon og forsett en krevende juridisk øvelse. Jeg tror mange av oss har tenkt tanker som kanskje kunne vært rammet av straffelovgivninga, men det betyr ikke at vi har gjort det. Det betyr at vi kan ha gått hjem en sen kveld og tenkt at dette skulle jeg virkelig ha gjort, men da du våknet morgenen etterpå, tenkte du at det skulle du ikke gjøre likevel. Spørsmålet er da om du skal straffes på kvelden og ikke skal straffes morgenen etter. Det å bevise dette er veldig krevende. Noen er det gjort en bedre jobb på enn denne, men vi kan ikke stemme for den formuleringa som nå ligger her. Det gjelder også den formuleringa som går på deltakelse i terrororganisasjon. Den er så vidt formulert at den i en tenkt situasjon kan ramme en organisasjon som Natur og Ungdom, som er villig til å bruke sivil ulydighet. Hvis man vil stoppe oljeboring i Lofoten, som er et lovlig fattet vedtak her, og gjør det ved å bruke sivil ulydighet eller ved andre lovbrudd, så kan de da dømmes etter denne paragrafen. Jeg har stor tiltro til at det norske rettsvesen fatter kloke avgjørelser. Jeg tror at norsk høyesterett er i stand til å ramme inn dette bedre, men problemet med en sånn formulering er at det åpner for bruk av en del overvåkningsmetoder som er ekstremt integritetskrenkende. Jeg tror at med disse to formuleringene – både det som gjelder deltakelse i terrororganisasjon og det som gjelder personlige intensjoner – så åpner du for bruk av for bruk av romovervåkning, bruk av telefonovervåkning, bruk av hemmelige razziaer i folks hjem fordi de har deltatt i organisasjoner som kanskje bryter loven. Dette er vår hovedinnvending mot å stemme for disse formuleringene. Vi sender dem gjerne tilbake. Hadde vi sittet i justiskomiteen, hadde vi kommet til å foreslå å sende dem tilbake – prøv igjen – og som vi har sagt her, at dette er kloke og gode Jeg betviler ikke justiskomiteens oppriktige engasjement for denne saken, men alle juridiske fagmiljøer i Norge sier at dette er feil vei å gå, dette er en for dårlig jobb, dette er for dårlig innrammet. Og når Advokatforeningen, Kripos, Amnesty og Riksadvokaten sier at dette er for dårlige formuleringer, ja, da velger jeg å tro på norske fagmiljøer og ikke Det norske stortings justiskomité. Så må jeg ta opp forslaget om evaluering. Da har representanten Trine Skei Grande tatt opp det forslaget hun refererte til. Vi står overfor en terrortrussel som er stortings justiskomité. Så må jeg ta opp forslaget om evaluering. Da har representanten Trine Skei Grande tatt opp det forslaget hun refererte til. Vi står overfor en terrortrussel som er krevende å håndtere. Potensielle terrorister kan utnytte de svakhetene som finnes i vår beredskap og vårt lovverk, og derfor er det viktig ikke å være naiv. Vi trenger verktøy som gjør politiet i stand til å avverge terrorhandlinger før de skjer. I dag er det 22. juli 2011 så vi hvor enorm skade én person kan forårsake alene. Vi vil derfor gjøre det straffbart å planlegge og forberede terror alene, såkalt soloterrorisme. Dagens trusselbilde viser at terror kan utøves på mange ulike måter. Vi har f.eks. sett at Al Qaida oppfordrer nordmenn til bl.a. å starte skogbranner, sabotere landbruk o.l. Derfor foreslår vi et forbud som rammer alle typer forberedelseshandlinger. Det avgjørende for straff er hvor langt gjerningspersonen har kommet i å forberede terror, ikke hvilke gjenstander vedkommende har brukt. Dersom det kan bevises at en person i fullt alvor forbereder terror, må vi kunne stoppe vedkommende før det er for Når vi ser bilder av norske borgere posere med våpen i grenseområdet mellom Afghanistan og Pakistan, blir vi alle provosert. I Danmark har et dansk-somalisk brødrepar blitt dømt for å delta på terrortrening. Det ville ikke skjedd i Norge med dagens lovverk. Det er dette vi gjør noe med. Vi foreslår å gjøre det straffbart å motta opplæring i metoder og Forslaget omfatter også lovlig opplæring, som f.eks. jegerprøvekurs, dersom det kan bevises at vedkommende har bestemt seg for å bruke ferdighetene til terror. Vi foreslår videre å kriminalisere aktiv støtte til og deltakelse i en terrororganisasjon. I dag er straffansvaret begrenset til organisasjoner som truer norske interesser. Det blir Terrorisme er en global trussel mot demokrati og fredelig sameksistens. Norsk lovverk må gjenspeile dette. Jeg mener forslaget ligger godt innenfor de skranker som gjelder for inngrep i religionsfriheten, ytringsfriheten og organisasjonsfriheten. Jeg ser derfor ingen grunn til at det skal foretas noen særskilt evaluering av denne bestemmelsen etter noen tid. Men jeg kan likevel gjøre representanten Tetzschners ord fra en tidligere sak i dag, til mine: Det er uansett intet til hinder for å etterse og eventuelt endre bestemmelsen, dersom erfaring skulle tilsi det. Høringsnotatet om skjerpede straffebestemmelser mot terror skapte debatt. En slik debatt er nødvendig og sunt i et demokratisk samfunn. Jeg erkjenner fullt ut at dette er spørsmål som er krevende å håndtere for en regjering og en lovgiver som er opptatt av å finne den riktige balansen mellom samfunnets behov for sikkerhet og den enkeltes behov for handlefrihet. De forslagene som skal behandles her i dag, ivaretar etter både mitt og komiteens syn denne balansegangen. Jeg er sikker på at den debatten som har vært, Trusselen om alvorlig terror er noe av det mest alvorlige vi står overfor. Det må møtes med streng straff. Derfor foreslår vi å heve strafferammen for grove terrorhandlinger til fengsel inntil 30 år. Også når det gjelder utmåling av straffer, må vi sørge for at Norge ikke blir en frihavn for terrorister og deres støttespillere. Vi gjør også endringer i den såkalte mafiaparagrafen. La meg komme tilbake til

så fall ville dette være en anordning som er i strid med gjeldende norsk straffelov. Det er tidligere brukt slike provisoriske anordninger når det har vært spørsmål om opptøyer og konkrete arbeidskonflikter. Derfor er utgangspunktet mitt at provisorisk anordning i den saken vi har på bordet nå, er vanskelig å se for seg. En nødlov om det som etter vår ordning neppe kan kalles et nødstilfelle, slik vårt system er, vil være et tiltak som i denne saken neppe er riktig. Det trenger
Det blir replikkordskifte begrenset til inntil fem replikker. Første replikant er representanten

Så til det statsråden brukte mesteparten av innlegget sitt på. Hun understreket at det for regjeringen var viktig å sørge for at Norge ikke blir en frihavn for terrorister. Da er mitt spørsmål: Dersom Stortinget mot formodning ikke skulle vedta de forslag som regjeringen har fremmet, mener statsråden da at ville bli en frihavn for terrorister? Den beskrivelsen brukte jeg ikke bare på spørsmålet om de lovforslagene som vi vedtar i dag, men også knyttet til f.eks. hvordan vi nå etablerer nye regler for omsetning og innehav av farlige stoffer. Vi vet at bruker man farlige stoffer i rett kombinasjon, kan man faktisk bygge eksplosiver. Det er ett av de områdene vi har sett veldig nøye på, ikke minst det europeiske regelverket, og vi ønsker å etablere iallfall minst samme regelverk her, og faktisk kanskje også på noen punkter være enda strengere for å sikre at vi har gode forebyggende regler på det området. Men også når det gjelder reglene vi diskuterer i dag, er det viktig at vi hele tiden skjeler til at vi ikke gjør ting som er annerledes enn landene rundt oss, uten å gjøre det med

i tilfeller av alvorlig kriminalitet, at vi følger nøye med. Jeg synes faktisk representanten Werp selv beskrev dette på en svært god måte, og at vi derfor følger med og også om nødvendig gjør tiltak for å endre de reglene vi vedtar i dag, holder jeg ikke for usannsynlig. Spørsmålet om likevel allerede nå å beslutte en evaluering støtter jeg ikke, for jeg ser at dette er noe man løpende hele tiden står fritt til å gjøre. Ser vi en praksis utvikle seg i en retning vi ikke synes er heldig, er det en beslutning vi kan gjøre der og da. Ser vi behov for en evaluering, bør vi gjøre det. Jeg tror statsråden er enig med meg i at dette er

høring. Så opplever man at den blir fullstendig slaktet, spesielt det som går på deltakelse i terrortrening. Deretter formulerer Justisdepartementet et helt nytt forslag, som ikke blir sendt ut på høring. Syns statsråden at dette er en forsvarlig og god behandling av så store og viktige saker når det kan føre til bruk av såpass skarpe politimetoder mot borgere i Norge?

med helt klar angivelse av at det var deres forslag, uten at vi tok stilling. Det er ikke riktig at disse spørsmålene ikke har vært utredet i ulike sammenhenger. Vi har hatt Metodekontrollutvalget i arbeid og følger opp også den utvalgsinnstillingen. Når vi etter en grundig vurdering også av høringsinstansenes uttalelser har valgt å legge fram et noe endret forslag i forhold til høringsforslagene som gikk ut, speiler det at dette har vært underlagt en svært grundig saksbehandling.

regjeringen. Da vil jeg gjerne utfordre statsråden på hva det er som måtte komme fra regjeringen, som eventuelt kan være likt det som ligger i dette forslaget fra Fremskrittspartiet? Hva er det regjeringen eventuelt ikke ville ha sluttet seg til? Jeg håper fortsatt på at regjeringspartiene vil slutte seg til forslaget i denne salen. Dette er komplisert. Systemet er differensiert ved at du har fem frister: to år foreldelsesfrist når den høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel i ett år, fem år når den høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel i ett år, fem år når den høyeste lovbestemte straff er inntil fire år, ti år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel i inntil ti år, femten år når den lovbestemte straff inntil femten år pådømmes og så videre. Det er vanskelig. Men det viktigste av alt nå, er at man fjerner foreldelsesfristen for drap og alvorlig kriminalitet overfor barn, og det som går på overgrep. Det er det som haster. Da skulle det ikke være så vanskelig å få

det. Da handler det etter min mening bare om politisk vilje. Jeg er glad for initiativet fra Høyre om § 17. Men statsråden er klar og tydelig på at man ikke kan bruke § 17 – som tross alt bare regulerer regjeringens mulighet til å innføre midlertidig unntak eller lov om provisoriske anordninger – fordi det kan stride mot vanlig lov. lov. Da er i hvert fall bildet mye tydeligere. Jeg vil igjen oppfordre statsråden til å svare på hva det er regjeringen eventuelt er enig i i forslaget som ligger fra Fremskrittspartiet. Det kan jo gjøre saken interessant uansett utfallet under voteringen i kveld, eller kanskje vi måtte votere umiddelbart for å få avklart hvordan Stortinget står i denne saken, for at vi raskest mulig kan fremme alternative forslag på senere tidspunkt

er en tverrpolitisk enighet i Stortinget, slik jeg oppfatter det, om å fjerne foreldelsesfristen også i sedelighetssaker. Det er det gode grunner til. Jeg skal ikke dra et langt innlegg om de gode grunnene, men de er mange. Ikke minst skal det ikke være en automatisk henleggelse av saker, ikke minst kan man få en større grad av respekt for ofrene og de pårørende, og man skal i større grad kunne forebygge overgrep av personer som fortsatt er ute, og som man kunne ha tatt hvis man ikke hadde hatt denne foreldelsesfristen. Jeg imøteser også statsrådens svar på hva som vil være forskjellen mellom regjeringens forslag og det fremlagte forslag. Vi skal gjøre dette på en saklig, forsvarlig måte, men det er – som det er blitt påpekt – ikke første gang man har diskutert dette. Det er ikke slik at det er tomrom av analyser og vurderinger av spørsmålet. Det ligger grundige, prinsipielle avveininger når det gjelder andre typer saker. Her handler det om hvorvidt man skal inkludere eller ikke en ny kriminalitetstype, som man har inkludert i enkelte andre land som det ikke er helt unaturlig å sammenligne seg med. Jeg håper at statsråden kan klargjøre disse forskjellene kanskje litt bedre enn det som ble gjort da vi diskuterte tiggerlovgivningen her om dagen, hvor man vedtok en ganske tom rammelov. Her ligger det et forslag på bordet som så vidt jeg kan se, er vesentlig mer stringent og klart, så de forskjellene gleder vi oss å høre statsråden redegjøre for. Man kan stille spørsmål om det er

Jeg har tidligere uttalt meg positivt til det gledelig store engasjementet som har vært rundt ambisjonen regjeringen har om å oppheve foreldelsesfristen knyttet til seksuelle overgrep mot barn. Men det er likevel ingen tvil om at sider ved dette forslaget også oppfattes kontroversielt høringsinstansene. Da skylder vi høringsinstansene å gjøre grundig rede for både deres syn og våre vurderinger av disse. Det er bakgrunnen for at jeg dessverre må tilrå at vi gjør en grundig vurdering av dette spørsmålet og kommer tilbake til Stortinget så fort vi kan. Jeg registrerer også med glede den positive reaksjonen som har kommet fra mange som har stått i en situasjon hvor foreldelsesfristen har avskåret dem fra å få sitt forhold belyst i

forbrytelser. Vi registrerer at det antakelig er en bred – og kanskje tverrpolitisk – enighet i salen om at man nå er kommet til det punkt at man, i ulik grad, er beredt til å trekke en konklusjon om foreldelsesspørsmålet. Høyre legger vekt på god saksbehandling og godt beslutningsgrunnlag. Vi beslutningsgrunnlag. Vi hadde håpet at det likevel fantes en mulighet til å gi et signal til regjeringen om å forberede en sak, slik at vedtaket kunne tre i kraft i sommer. Det viste seg dessverre ikke å være mulig. Etter en grundig gjennomgang av saken – i løpet av den korte tiden vi har hatt til disposisjon, tross alt – har vi kommet til at vi støtter Fremskrittspartiets forslag slik det foreligger. Det er ut fra at saken er belyst før. Dette er foreslått før, og det er diskutert før. Saken har vært gjennom faglige diskusjoner og til vurdering tidligere. Så vi støtter forslaget. Vi synes det er trist og – jeg vil si – kritikkverdig at vi ikke har fått denne saken på plass til votering på en normal måte før Stortinget normal måte før Stortinget går fra hverandre. Det hadde vært sterkt ønskelig. Som sagt tror jeg nær sagt et samlet storting ville gitt sin tilslutning til det. Det er det grunnlaget vi bygger på når vi nå konkluderer med å ville støtte forslaget. Som jeg varslet i mitt første innlegg, er vi beredt til å støtte Fremskrittspartiets forslag. Det var intet i det statsråden sa, som gjør at vi ser noen grunn til å endre vår holdning, snarere tvert imot. Det er altså ikke slik at dette skjer i et tomrom. Dette har vært utredet i flere omganger, også av den fremste juridiske ekspertise vi har på feltet. Så forsøkte statsråden å problematisere noen av forholdene. Jeg synes ikke det var overbevisende. Vi står overfor spørsmålet om hva Stortingets vilje er. Da synes jeg det er på sin plass, også ut fra den debatten vi har hatt, at vi får en votering

Så dette er også et skjønnsspørsmål. Det synes jeg skal være sagt. Men vi fikk et svar. Jeg synes det er grunn til å legge vekt på at statsråden overhodet ikke kan anbefale forslaget i denne situasjonen – og da stemmer vi for. Jeg er glad for den tilslutningen alle partier, utenom Venstre, har gitt til lovforslagene som komiteen har hatt til behandling. Det kom en god begrunnelse fra Kristelig Folkeparti. Representanten

lovbestemmelsene. Jeg vil gjerne kommentere noe av det Skei Grande sa, med tanke på det samme presisjonsnivået. Jeg mener også det er viktig at vi er nøye her. Når man omtaler Natur og Ungdom som en organisasjon som muligvis skal komme innunder de terrorbestemmelsene vi innfører i dag, når de bedriver sivil ulydighet, vil jeg etterlyse et presisjonsnivå – med motsatt fortegn.

ikke noe jeg tror ville gått gjennom i denne salen, selv om det ikke er lenge siden 22. juli. Lovparagrafene er såpass uklare og krever mye tolking fra vårt rettsvesen. Jeg mener at det er vår jobb å gjøre paragrafer klare. klare. Det er klart at «organisasjon» er her så løselig definert at det bare kan være snakk om to–tre personer som har bestemt seg for å endre noe politisk. I Norge har vi en tradisjon for toleranse for bruk av ulovlige midler, f.eks. ved demonstrasjoner. Det er en tradisjon for sivil ulydighet knyttet til få fram sine politiske meninger. Det er en tradisjon jeg oppfatter at vi er ganske stolt av, og som jeg ikke tror vi vil miste. En så upresis lovformulering som det her er snakk om, setter store krav til rettsvesenet vårt til å forta den innrammingen. Jeg syns det er politikerne som skal foreta den innrammingen. Så har jeg lyst til å bruke det siste stemmeforklaring, det gjelder det forslaget som Fremskrittspartiet har lagt fram om foreldelse. Jeg syns at våre høringsinstitutt er noe av det fineste med vårt demokrati. Jeg syns det er viktig å ha ordentlige prosesser på viktige, store ting. Men denne saken syns jeg regjeringa har trenert. Jeg syns at regjeringa har trenert hele straffelovdelen. Den hindrer Stortinget i å få gjennomført de tingene som Stortinget ønsker. Med sin flertallsmakt – nok et argument for at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

som førte til en enstemmig innstilling fra justiskomiteen, ba vi om at man kom tilbake med lovendringer på flere av punktene, og som vi nå har fått forslag om. Jeg vil først si at det også her er enstemmighet i justiskomiteen. Jeg vil takke for et godt samarbeid om veldig viktige spørsmål som vi har jobbet med i lang tid – siden behandlingen av den stortingsmeldingen fått mange tilbakemeldinger om under arbeidet i komiteen. Selv om det er enighet, vil jeg kommentere et par–tre av de viktige forslagene som ligger her, for de er sentrale i arbeidet mot kriminalitet framover. Det første gjelder innsyn i opplysninger som f.eks. har ført til at det er tatt opp en sak – inngangen til en sak, som det heter – i politiets arbeid. Det kan være ulike kilder, ulike informanter, som politiet har fått opplysninger fra, som ikke skal brukes som bevis på noen måte i saken, men som har vært starten og gitt impulsen til at politiet f.eks. har satt i gang en etterforskning.

at det ikke skal gis innsyn i denne typen opplysninger som ikke skal føres som bevis, hvis dette kan føre til at identiteten til en person som har gitt opplysninger til politiet, blir avslørt. Altså: Det skal ikke opplyses om noe som kan lede til det, under en rettssak. Det er også sånn at denne bestemmelsen skal følges opp av den særskilte dommeren som tar stilling til dette – tidligere var det en annen formulering. Det er også sånn at strafferammekravet rundt dette med å kunne nekte innsyn i denne type opplysninger, oppheves, slik at det også kan brukes i andre saker enn der det er høye strafferammer, for disse truslene og den harde volden mot dem som gir informasjon, gjelder også i saker hvor det ikke er så høye strafferammer. Vi har kommet fram til et forslag her som jeg tror imøtekommer arbeidet med å sikre politiets tilgang på informasjon med å bekjempe kriminalitet bedre, samtidig som vi har rammet det inn innenfor bestemmelsene, der bl.a. alt som skal påberopes som bevis, selvsagt skal legges opp på samme måte som i dag. Det er ikke noen endringer der. Et annet punkt som er viktig i de nye forslagene, gjelder bruk av overskuddsinformasjon fra der. Et annet punkt som er viktig i de nye forslagene, gjelder bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonsovervåkning, romavlytting osv. Det har tidligere bare vært mulig hvis det man har fått informasjon om – andre forhold enn dem man f.eks. fikk rett til kommunikasjonsovervåkning for – også har kunnet gi rett til kommunikasjonsovervåkning. Nå åpner vi for at man kan bruke opplysninger om alvorlig kriminalitet, til å oppklare straffbare handlinger. Men det stilles strenge krav til dette. Det skal være forholdsmessig. Det skal ikke gjelde enhver sak. Det har i den offentlige debatten vært nevnt f.eks. fartsovertredelser – hvis man sier noe i telefonen til en som er fartsovertredelser – hvis man sier noe i telefonen til en som er kommunikasjonsovervåket, f.eks. om fartsovertredelser, og at man da kan bli dømt. Det gjelder slett ikke den type eksempler, det må være kriminalitet av en alvorlig karakter. Statsadvokaten skal godkjenne dette, før man kan bruke kommunikasjonsovervåkning, og det skal legges fram egne bevisoppgaver, osv., så det er lagt strenge rammer rundt det å kunne bruke denne type opplysninger til å oppklare alvorlig kriminalitet.

Representanten Jan Bøhler har tatt opp de forslag han refererte til. Saksordføreren har redegjort godt for saken. Innledningsvis vil jeg likevel understreke at denne saken kom på overtid. Høyre har vært pådriver for bedre vern av vitner, for å bidra til større trygghet for dem, og samtidig økt oppklaring av kriminalitet. Det må være lov å si at det er ikke helt optimalt at denne type lovsak kommer til Stortinget rett før Stortinget går fra hverandre, da den tross alt berører helt grunnleggende spørsmål knyttet til personvern, og avveiningen mellom det og kriminalitetsbekjempelse. Komiteen rakk å avholde høring med en god del aktører som var klare i anbefalingene sine hva angikk denne loven, og den andre saken om terror vi nettopp har behandlet, men det hadde likevel vært fornuftig om komiteen og Stortinget hadde fått muligheten til å behandle lovsaken noe bredere. Høyre støtter imidlertid forslagene og begrunnelsen gitt for disse, men forutsetter at det gjennomføres en grundig evaluering av loven innen rimelig tid for å vurdere effekten av den, og om det også er behov for justeringer basert på de erfaringene man gjør seg. Det er bra at komiteen har gått et skritt videre enn regjeringen i sitt opprinnelige forslag hva angår anonym vitneførsel også i menneskehandelsaker. Det har mye å si for mulighetene til å oppklare denne type saker, hvor det er veldig vanskelig å stå frem og fortelle om det man vet. Samarbeidet med politiet i andre land, som f.eks. Litauen, ble trukket frem av Kripos under høringen i komiteen. Høyre tror at lovforslagene derfor er en helt nødvendig oppdatering med Høyre tror at lovforslagene derfor er en helt nødvendig oppdatering med tanke på det internasjonale kriminalitetsbildet vi ser. Jeg har lyst til å legge til: Jeg håper også at regjeringspartiene når vi behandler revidert budsjett, for første gang kan åpne for at vi får en egen nasjonal rapportør for menneskehandel. Høyre foreslår 5 mill. kr til å etablere det. Det er ikke hovedpoenget, men hovedpoenget bør være at et enstemmig storting bør støtte et forslag om en egen nasjonal rapportør for å sørge for enda bedre bekjempelse av menneskehandel. Spørsmålet om bruk av overskuddsinformasjon har vært, og er til dels fortsatt, kontroversielt. I proposisjonen foreslås det en utvidet adgang til å bruke som bevis opplysninger fra kommunikasjonskontroll og romavlytting om andre straffbare forhold enn dem etterforskningsskrittet var ment å avdekke. Høyre har behandlet dette grundig i sin gruppe

ved at overskuddsinformasjon skal kunne brukes som bevis såfremt det «etter sakens art og forholdene ellers ikke vil være et uforholdsmessig inngrep» og «oppklaring av saken uten bruk av overskuddsinformasjonen i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort», skal tolkes restriktivt. Sannsynligvis vil ressursutfordringer naturlig begrense det hele, men det er også viktig at de formelle skrankene er Endringene i domstolloven for å beskytte tredjeperson må også forutsettes klart fra Stortinget og ha en reell begrensende effekt. Som jeg innledningsvis sa, forventer vi en rask evaluering av effekten av lovendringene – en grundig vurdering. Det gjelder selvfølgelig også dette punktet.

med i betraktningen ved vurderingen i denne saken. Denne saken handler ikke om adgang til utvidet bruk av rom- eller telefonavlytting eller om politiets bruk av overskuddsinformasjon i videre etterforsking eller til avverging av kriminelle handlinger. Det handler kun om hvorvidt bruk av overskuddsinformasjon ved rom- og telefonavlytting, informasjon som allerede er innhentet, skal kunne føres som bevis i retten på lik linje med overskuddsinformasjon fra f.eks. hemmelig ransaking. Et moment som imidlertid gjør forslaget betenkelig, er hensynet til den potensielt uvitende tredjepart som ikke har mulighet til å vite verken at vedkommende blir avlyttet, eller at dette kan bli brukt mot vedkommende Men dermed er ikke vedkommende rettsløs. Straffeprosesslovens regler som sikrer mistenktes og siktedes rettigheter, vil komme til anvendelse på ordinær måte. Det må også bemerkes at for de som påtalemyndighetene ikke finner grunn til å iverksette etterforsking mot, eller ta ut tiltale mot, vil realiteten forbli uendret. Opplysningene vil også med dagens system bli innhentet som følge av adgangen til å avlytte. Dersom det ikke foreligger grunnlag for påtalemyndigheten til å iverksette etterforsking mot vedkommende eller ta ut tiltale, vil heller ikke de opplysningene se dagens lys. Det må også tas med i betraktningen at forslaget setter forholdsvis strenge rammer for når overskuddsinformasjonen kan brukes som bevis. Opplysningene Opplysningene det i denne sak er tale om, kan bare brukes dersom slik bruk etter sakens art og forholdene ellers ikke vil være et uforholdsmessig inngrep, og oppklaring av forholdet uten bruk av overskuddsinformasjon i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort. vanskeliggjort. Videre er det statsadvokaten som må fatte beslutning om å reise tiltale eller begjære pådømmelse etter reglene om tilståelsesdom på bakgrunn av overskuddsinformasjon som ikke i seg selv kunne ha begrunnet den aktuelle metodebruken. Dette vil bidra til kvalitetssikring og til å avverge eventuelt misbruk av metodene. Jeg ser også på at det i saken pekes på at en sånn lovendring neppe vil føre til en reell endring i antallet tilfeller der kommunikasjonskontroll og telefonavlytting blir brukt, sammenlignet med i dag, ettersom de aktuelle politimetodene i sånne saker er svært ressurskrevende for politiet og underlagt kontroll både På denne bakgrunn ser Kristelig Folkeparti det sånn at hensynet til personlig integritet i denne saken er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget, og det ivaretar hensynet til beskyttelse av samfunnet og dets borgere mot kriminalitet. Så Kristelig Folkeparti vil støtte

mot kriminalitet. Så Kristelig Folkeparti vil støtte forslaget. Regjeringa har bidratt med mange vanskelige og store prinsipielle saker blant de 200 sakene en tomannsgruppe skal komme gjennom på 20 dager. Denne saken har ikke blitt mottatt med stor glede i den bunken. Jeg syns komiteens innstilling bærer preg av én stor ting: det at Venstre mangler i komiteen

Jeg tror ikke Venstre kommer til å være enig, men vi må gjerne ta debatten. Det er i hvert fall et ærlig standpunkt. Men denne troa på at alt en kan samle i hop når en bruker så store og integritetskrenkende virkemidler, skal kunne brukes ved mye mindre forbrytelser enn det vi har snakket om tidligere, syns jeg er veldig vanskelig sett. Jeg skal prøve å forklare det kort, og også sånn at representanten Oktay Dahl kan skjønne det: Det er stor forskjell på hemmelig ransaking og telefonavlytting. Den store forskjellen er at det innbefatter en tredjepart. Det innbefatter noen som er uskyldig. Det innbefatter noen som aldri har fått en rettskjennelse mot seg. Det innbefatter noen som aldri har gjort noe som gjør at man skulle få det søkelyset på seg. Gjennomfører man en hemmelig ransakelse, får man ikke gjøre det hos noen som ikke har noe med kriminaliteten å gjøre. Det er mulig at en under en hemmelig ransakelse – vi har prøvd å tenke mye – finner noe ved siden av en seng i et soverom som gjør at en kanskje kan klare å identifisere noe av privatlivet til noen andre, altså en tredjepart. Men det er ingenting imot det å overvåke en hel samtale på telefon eller en samtale i et rom. Det er det som er forskjellen. En hemmelig ransakelse går på den som er mistenkt, den som har fått en rettskjennelse mot seg. En mobiltelefonovervåking av en samtale innbefatter en tredjepart, en tredjepart som ikke har gjort noe for å havne i politiets søkelys, på samme måte som ved romavlyttinger. Det er derfor vi har strengere krav. Det skal mye mer til for å få telefonavlytting og romavlytting enn en hemmelig ransakelse. Det skal mye mer til for at en skal bruke de politimetodene, fordi vi i denne salen har syns at de er mer integritetskrenkende, først og fremst fordi de innbefatter en tredjepart. Derfor kommer vi i Venstre til å stemme mot forslaget. Jeg syns at det grepet med å flytte grenser. Så syns jeg at representanten Kjell Ingolf Ropstad holdt et godt innlegg. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det innlegget må konkludere med at man må stemme sammen med Venstre.

hos tredjepersoner. Det er ofte flere som bor sammen i et hus. La bare den bemerkningen falle før jeg går videre med følgende: Jeg er svært fornøyd med at det er en enstemmig justiskomité som har gitt full støtte til regjeringens forslag om endringer i straffeprosessloven. Spesielt noterer jeg meg at komiteen ønsker velkommen endringen av innsynsreglene, noe også Riksadvokaten framhevet som viktig i Stortingets åpne høring. Vi tar et viktig skritt for å styrke politiets og påtalemyndighetens mulighet til å beskytte kilder og informanter. For at disse skal være villige til å gi politiet opplysninger, må de kunne føle seg trygge på at deres identitet ikke blir avslørt. I Oslo har det vært tilfeller hvor politiet har hatt informasjon om større narkotikanettverk. Men etterforskning er ikke blitt satt i gang fordi vitner har følt seg utrygge. Slik kan vi ikke ha det. Påtalemyndigheten bør derfor gis en betydelig videre adgang til å nekte innsyn i straffesaksdokumenter. Det lovfestes et unntak fra innsynsretten der det ellers kan være fare for at identiteten til en person som har gitt opplysninger til politiet, blir avslørt. Unntaksadgangen skal gjelde materiale fra all skjult tvangsmiddelbruk og ikke bare fra kommunikasjonskontroll, som i dag. Regelen om anonym må utformes slik at den gir mulige vitner forutsigbarhet og trygghet for at de vil få beskyttelse i form av anonymitet dersom de står fram. Det er svært uheldig dersom påtalemyndigheten velger å frafalle vitner, f.eks. polititjenestemenn som jobber «undercover», fordi risikoen for at vitnets identitet skal bli kjent, oppleves å være for høy. Men det er også mulig å se for seg andre vitner som kan føle dette svært truende. Adgangen til anonym vitneførsel utvides nå til å gjelde krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, i tillegg til – jeg merker meg komiteens samlede syn på det – menneskehandel. Det åpnes også for å skjerme vitners identitet fra flere av rettens aktører, både lagrettemedlemmer, lekdommere, forsvarere og bistandsadvokater, for å hindre at kretsen av personer med slik kjennskap blir for stor, og for å begrense risikoen for lekkasjer. Av hensyn til effektiv kriminalitetsbekjempelse er det nødvendig med en utvidet adgang til å bruke såkalt overskuddsinformasjon som bevis. Det er opplysninger fra kommunikasjonskontroll og romavlytting om andre straffbare forhold enn dem etterforskningsskrittet var ment å avdekke. Kripos nevner i sin høringsuttalelse et eksempel som illustrerer behovet for en lovendring: Kripos mottok i 2009 opplysninger fra utlandet om et kjent serbisk ransmiljø som oppholdt seg i Norge. Det ble satt i gang en omfattende etterforskning med skjult metodebruk. Formålet var å avverge grovt ran av en gullgrossist. Samtidig planla miljøet grove tyverier eller grove ran mot enkeltpersoner. Politiet måtte gripe inn da de mistenkte var i ferd med å gjennomføre et grovt tyveri fra en bolig hvor beboerne var hjemme. Alle bevisene mot de mistenkte lå i resultatene fra den skjulte etterforskningen og kunne altså ikke benyttes på grunn av forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon i saker om lovbrudd som ikke selv berettiger slik Regjeringen foreslår derfor å fjerne dette forbudet. Samtidig foreslår vi en rekke lovendringer som skal ivareta siktedes rettssikkerhet. Bruk av skjulte tvangsmidler innebærer at mye materiale, som lyd- og bildeopptak, samles inn. Av hensyn til personvernet foreslår vi derfor klarere regler om sletting av slikt materiale som ikke brukes som bevis.

Vi har jo hatt en del skandaler med norsk overvåking opp gjennom historien, der folk forteller at det har nok vært noen som har ransaket huset for papirer og har «gått over» huset, sjøl om også tredjeperson har bodd der. Men det de har reagert på, er f.eks. å få vite at det er en mikrofon på soverommet som gjør at alt som skjer der, er det faktisk en er det faktisk en representant fra overvåkingspolitiet som hører. Skjønner ikke statsråden at det er en forskjell? Jo, jeg skjønner at det kan være ulike syn på dette, og at dette er virkemidler som skal brukes med den aller største forsiktighet og innenfor lovmessige rammer. Man må ikke glemme at dette kun kan brukes i tilfeller hvor det er lovmessige rammer. Man må ikke glemme at dette kun kan brukes i tilfeller hvor det er mistanke om alvorlig kriminalitet. Når jeg tok dette opp, var det egentlig fordi jeg synes det er viktig å være seg bevisst at folk kan oppfatte dette ulikt, og eller skjult ransaking kan oppfattes ulikt når det gjelder grad av integritetskrenkelse. Når vi dag ser at den skjulte ransakingen faktisk ikke har de strenge rammene som kommunikasjonskontrollen har, er det også vel verdt å merke seg.
har vel nettopp de rammene fordi vi har sett at det ikke er så integritetskrenkende – i hvert fall ikke ut fra meninga i denne salen. I alle historiene vi har fra dem som har opplevd det, har det vel i og for seg blitt sagt det samme. Statsråden brukte et eksempel her som stadig har gått igjen i alle debattene. Jeg lurer litt på om det fins flere eksempler. I hvert fall lurer jeg på: Når man får overskuddsinformasjon, kan man ikke bruke den i en rettssak, men man kan vel bruke den til

treffe uskyldige tredjemenn – bokstavelig talt – hjemme i et hus hvor det er mistanke om alvorlig kriminalitet. Når det gjelder spørsmålet om muligheten for f.eks. PST til å bruke virkemidler i forebyggende øyemed, kan det bare brukes som slik det i dag er regulert i politiloven § 17f. I proposisjonen skriver vi uttrykkelig at vi ikke går inn for endringer i denne bestemmelsen. Departementets forslag om overskuddsinformasjon gjelder altså bare overskuddsinformasjon fra etterforskning etter at det er brukt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

Her er det snakk om eksisterende informasjon man har fått i forbindelse med etterforskning, etter at tiltale er tatt ut og man har en straffesak. Jeg synes absolutt representanten Ropstads innlegg sto veldig godt i stil med mitt, og det er vel også grunnen til at både Høyre og Kristelig Folkeparti stemmer for regjeringens forslag. Når det gjelder dette med integritetskrenkelse, er det vel ikke sånn at hemmelig ransaking føles veldig godt av en uskyldig tredjeperson som tilfeldigvis også – i kortere eller lengre tid – har tilhørighet på det stedet. Jeg synes det er et sentralt poeng faktisk å påpeke at det ikke er en logikk i regelverket når man har skilt mellom telefonavlytting på den ene siden og hemmelig ransaking på den andre. Det er jo en del av oss som har både den ene og den andre på besøk, bor sammen med mange mennesker, deler leilighet. Naturlig nok kan en tredje-, fjerde-, femteperson bli krenket av den hemmelige ransakingen, akkurat på samme måte som man kan bli det av en telefonavlytting, men da er det jo et sentralt poeng at det også ligger inne en begrensende faktor i lovforslaget med endringer i domstolloven, som nettopp skal sørge for at de hensynene ivaretas bl.a. ved lukkede forhandlinger.

Neste taler er

for denne type overvåking i norsk historie, alltid beskrevet overvåking av kommunikasjon og overvåking av rom som mye mer integritetskrenkende enn at noen har gått gjennom huset. Jeg tror at det prinsippet som ligger bak, er det prinsippet denne salen fortsatt støtter. Jeg har i hvert fall ikke sett noen foreslå at hemmelig ransaking skal flyttes opp blant de mer integritetskrenkende metodene vi har. Det kan være at noen har store hemmeligheter gjemt i kasser under senga. Det må de gjerne ha for meg. Jeg tror heller ikke det er det som kan være overskuddsinformasjon som kan brukes. Jeg tror det er en grunn til at man ønsker å bruke romovervåking mer aktivt til mindre kriminalitet, det er det man i realiteten velger å gjøre her i dag. Jeg syns det er to metoder vi skal være veldig varsomme med, fordi det gjør noe med folk når man ikke vet om man kan snakke privat, verken på telefon eller i rom, og at det kan brukes mot en, tatt ut av en sammenheng. Da beveger vi oss sakte, men sikkert i feil retning når det gjelder veldig mange av de viktige personvernkampene vi kommer til å stå overfor. De er det ikke få av rundt oss. Jeg er litt forferdet, egentlig, over at justiskomiteen ikke har hatt flere innvendinger i denne prosessen, som flytter virkelig mange stolper videre med tanke på det som handler om vårt personvern og krenkelsen av våre personlige rom. Jeg ble stimulert av
Neste taler er

Hvis en annen ringer eller er i rommet med vedkommende person og snakker om en forbrytelse av et visst alvor – altså snakker om en forbrytelse av et visst alvor – skal statsadvokaten om en forbrytelse av et visst alvor – altså snakker om en forbrytelse av et visst alvor – skal statsadvokaten – gitt at det er forholdsmessig og ikke handler om fartsgrenser, som Skei Grande har snakket om i den offentlige debatten, gitt at det ikke går an å komme videre med å oppklare den kriminaliteten med en vanlig etterforskning, og at man trenger den opplysningen for å få hele bildet, gitt at det ligger en bevisoppgave i retten, og at man har brukt opplysninger fra overskuddsinformasjon fra en lovlig kommunikasjonskontroll, gitt alle de betingelsene og flere – kunne vurdere om den opplysningen kan brukes til å oppklare kriminalitet som er alvorlig og viktig for oss å oppklare, ved hjelp av den endringen vi gjør i dag. Det betyr ikke at man rundt om i Norge skal sitte og tenke på at nå vet man ikke lenger om man kan snakke privat over telefon eller i rom. man ikke lenger om man kan snakke privat over telefon eller i rom. Man må være forsiktig med å uttale seg på en så generell måte som man har gjort her og i forrige debatt, da man snakket om Natur og Ungdom som en organisasjon som kunne rammes av terrorlovgivningen. Jeg vil bare be om at man tilstreber seg en presishet i diskusjonene. Det er bra at det kommer korrektiver også fra partier som ikke sitter i justiskomiteen, men det er viktig at vi fører debatten på et felles grunnlag, slik at vi ikke snakker om generaliseringer som har lite med virkeligheten og de forslagene som fremmes – av en samlet justiskomité, for øvrig. Jeg synes representanten Ropstads belysning av problemstillingen, som vi også har vært igjennom, som André Oktay Dahl var igjennom, og som vi har hatt grundig høring om osv., er en god beskrivelse av de avveiningene som gjøres. Det er ikke flere tilfeller av kommunikasjonsovervåkning som skal foretas ut fra dette her, men det er den strenge rammen om å bruke opplysninger derfra vi har lagt i komiteens innstilling. Vi må prøve å vise at vi skal skape trygghet for personer i dette samfunnet uten å true personvernet, og da la være å lage skremmebilder når vi er så presise og nøye som vi er i denne innstillingen. Trine Skei Grande har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Noen kaller det skremmebilder, jeg kaller det å fortelle at keiseren ikke har klær på. Vi flytter nå grensa dramatisk langt ned. Vi overlater til dommere å avgjøre hvorvidt det skal være riktig, og hvis en dommer i den norske rettsstat gjør en feil, er informasjonen der ute. En samtale man har hatt med en som da har fått den norske rettsstat gjør en feil, er informasjonen der ute. En samtale man har hatt med en som da har fått overvåking, er der ute. Man er involvert. Det har blitt åpent fordi det faktisk har vært åpent i en rettssak. Vi flytter lista og overlater til dommerstanden å rydde opp etter oss, istedenfor at vi faktisk tar en ærlig debatt om hvor den lista skal ligge. Det jeg syns er oppsiktsvekkende, er at man blir så støtt at vi flytter mange viktige stolper i den norske rettsstaten med de prinsippvedtakene vi gjør her i dag, og at det gjøres uten at man nesten skal ha lov til å debattere det. Da driver man med skremselspropaganda, når man egentlig forteller

så iherdig i debatten. Det er nettopp disse debattene vi må ha rundt disse krevende spørsmålene. Vi må også ta den på saklig grunnlag, og som representanten Bøhler var inne på, kan kommunikasjonskontroll kun iverksettes i saker med mistanke om alvorlig kriminalitet. Når vi nå diskuterer bruken av overskuddsinformasjon – og er enige om at det må kunne tas Det er statsadvokaten som i oversendelsen til retten uttrykkelig må si fra om hvilke bevis som er overskuddsinformasjon, og argumentere med at det er forholdsmessig å bruke dette, og at bevis for det straffbare forholdet ikke enkelt kunne vært tilveiebrakt på annet vis. Forsvarer får kopi av oversendelsen og vil kunne ta til motmæle. Det er retten som endelig beslutter om overskuddsinformasjonen skal kunne brukes. Jeg har full tillit til at statsadvokatembetene og domstolene til sammen foretar forsvarlige og nøytrale vurderinger av om overskuddsinformasjonen bør føres som bevis. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. I proposisjonen og innstillingen fremmes forslag til en ny § 8 a i passloven. Denne

I proposisjonen og innstillingen fremmes forslag til en ny § 8 a i passloven. Denne bestemmelsen åpner for at politiet kan benytte opplysninger fra det sentrale passregisteret til flere oppgaver enn det som ligger i dagens regelverk. Foruten til de formål som ligger innenfor passloven, skal politiet etter forslaget som er framlagt, kunne hente ut opplysninger fra passregisteret til følgende bruk:

Videre: i arbeid etter utlendingsloven med å avklare identiteten til en person som har plikt til å gi opplysninger om egen identitet, ved kontroll av opplysninger som skal føres inn i det sentrale registeret over strafferettslige reaksjoner og til sist: når den som opplysningene gjelder, har gitt et uttrykkelig samtykke som er basert på frivillighet og informasjon. Etter forslaget skal uthentingen av opplysninger fra passregisteret til de nevnte formål kunne skje ved såkalt direkte tilgang. Videre går bestemmelsen ut på at opplysninger som er hentet ut på dette grunnlaget, ikke skal lagres ut over det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene, eller dokumentere behandlingen av den saken som opplysningen er innhentet for. For å dekke de behov som i praksis oppstår for å kunne utveksle opplysninger innenfor det internasjonale politisamarbeidet som Norge deltar i,

innføring av gebyr for testamentoppbevaring og delar av notarialforretningar – unntaket er borgarlege vigsler. Eg skal kome tilbake til dette. Når det gjeld gebyr for oppbevaring av testament i domstolane, vil komiteen tilrå å setje gebyret til 0,8 rettsgebyr, som svarer til 688 kr. Dette er også i tråd med regjeringa sitt forslag. Komiteen finn det òg rimeleg at publikum skal betale for statens kostnader ved notarialstadfestingar. Når det gjeld størrelsen på gebyret, gir Stortinget Kongen fullmakt i forskrift til å fastsetje størrelsen. Når det gjeld gebyr for vigsler i domstolane, vil ein einstemmig komité utsetje dette forslaget til me har fått ei ny og grundig utgreiing om dette spørsmålet.

Særleg gjeld det vigsler utanom arbeidstid. Derfor ville det kanskje ikkje ha vore urimeleg at giftetrengande par måtte betale eit lite gebyr for ei slik teneste. Det er ei utfordring å innføre gebyr for slike tenester i domstolane nå, det ville vere vanskeleg utan å sjå det i samanheng med Komiteen er kjend med at det går ein diskusjon i enkelte prosti om ei gebyrlegging av vigsler i kyrkja, sjølv om Kyrkjerådet er kritisk til dette. Komiteen meiner at likebehandling av vigsler bør vere eit berande prinsipp i trus- og livssynspolitikken når det gjeld gebyrlegging. Derfor ber komiteen om ein breiare vurdering og diskusjon av dette spørsmålet. På denne bakgrunnen vil ein einstemmig komité tilrå komiteen om ein breiare vurdering og diskusjon av dette spørsmålet. På denne bakgrunnen vil ein einstemmig komité tilrå at dette spørsmålet blir utsett nå, og ber regjeringa om å kome tilbake til Stortinget på ein grundig og eigna måte. Når det gjeld inntektsbortfallet i 2013, vil ein kome tilbake til dette gjennom omdisponeringar i budsjettet ved eit seinare høve. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 13

vær så god. Først må jeg få klarhet i om det er justisministeren som skal holde innlegget her. Vi er varslet om at utenriksministeren er den det sorterer under, og da har vi en utfordring ved at utenriksministeren ikke er til stede. Men én statsråd er til stede, og der kommer det en til, uten at det vil endre saken. Vi har minst én statsråd til stede, og da kan vi Komiteen har behandlet et forslag fra Venstre som omhandler at FNs generalforsamling siden 1993 har anbefalt statene å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter i henhold til de såkalte Paris-prinsippene. Disse inneholder anbefalinger om nasjonale institusjoner, bl.a. for å sikre deres uavhengighet. Norges nasjonale institusjon, Norsk senter for menneskerettigheter, ble i 2006 gitt såkalt A-status og dermed vurdert til fullt ut å være i samsvar med Paris-prinsippene. I en rapport fra mars 2011 – den såkalte Sveaas-rapporten – ble det imidlertid konkludert med at tilknytningen til Universitetet i Oslo har begrenset den nasjonale institusjonens mulighet til å ivareta rollen som overvåker og pådriver i I november 2012 kom anbefalingen om nedgradering til B-status. Komiteen er opptatt av at Norge fortsatt skal være en pådriver i menneskerettighetsspørsmål – både nasjonalt og internasjonalt – og forutsetter at regjeringen tar dette på alvor. Komiteen har merket seg at regjeringen i 2012 besluttet å opprette en arbeidsgruppe for å vurdere om dagens ordning bør endres og om det bør etableres en ny nasjonal institusjon. Arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid, og komiteen har merket seg at rapporten vil bli sendt ut på alminnelig høring. Komiteen viser til at finansieringen må avklares som en del oppfølgingen av dette arbeidet. En enstemmig komité forutsetter at regjeringen sikrer den nødvendige fremdrift og at statsråden, eller den som føler seg kallet, i sitt innlegg klargjør når dette kan være på plass. Det er litt av grunnen til at jeg gjerne skulle hatt en statsråd her som hadde mulighet til å gi … Det er veldig bra! Da kan komiteen få klarhet i når dette kan være på plass, for det er bakgrunnen for at komiteen ellers foreslår å vedlegge forslaget protokollen, hvis statsråden eventuelt ikke er offensiv
Presidenten vil gjøre oppmerksom på at en regjering kun har to ministre, resten er statsråder. Den benevnelsen gjelder sånn sett alle som er til stede i salen på første benk. Forslaget vi har fremmet, er fremmet pga. at Norge mistet sin status fordi vårt senter for menneskerettigheter ikke ble sett på som uavhengig nok. Jeg tror det er viktig at man løfter menneskerettigheter høyt nasjonalt for å kunne løfte menneskerettigheter høyt internasjonalt. Jeg har tatt det opp en rekke ganger og i flere debatter at når Norge begynner å skli når det gjelder menneskerettigheter, mister vi autoriteten vår internasjonalt når vi snakker om det i andre land. Derfor er det viktig å ha på plass institusjonene som kan ivareta de viktige funksjonene som skal ivaretas, for å kunne si at vi ivaretar menneskerettighetene på et høyt nivå. Vi ser i dag at vi har en stor jobb på gang med å inkorporere menneskerettighetene i vår grunnlov. Jeg antar at det vil bli en av de store jobbene det neste stortinget overfor. La oss håpe at det blir mange liberalere der som kan hjelpe til med det arbeidet. Men vi trenger også å ha institusjonene på plass. Vi har mange ulike grader av institusjoner, som ikke er direkte underlagt regjeringa, men som likevel blir debattert i Stortinget. Vi har f.eks. Datatilsynets årsmelding som blir underlagt debatt rett i Stortinget. Vi har Sivilombudsmannen, som har en spesiell posisjon i norsk konstitusjon, og som utnevnes av Stortinget. Men det går an å ha en ulik grad av kontakt mellom Stortinget og et sånt organ for å få det til å fungere godt og uavhengig nok – som er litt av poenget her. Da syns vi at modellen med at Stortinget oppnevner leder, eller at man har en debatt knyttet til årsmeldinga eller at man bruker noen av de andre modellene som vi har brukt i parlamentet for å ivareta den rollen, er aktuelle. Derfor har vi lagt fram et forslag, som vi har delt opp i mange biter, i håp om å få støtte for noen av bitene. Det er fullt mulig for representantene å stemme for hele modellen, eller man kan stemme for biter av den for å øke presset på regjeringa for å få dette på plass. For det har tatt ganske lang tid å få denne utredninga på plass, og det svekker Norge internasjonalt at vi ikke har alle deler av overvåkinga av menneskerettighetssituasjonen på plass. Jeg tar på vegne av Venstre opp de forslagene som er omdelt i salen. Representanten Skei Grande har tatt opp de forslagene hun refererte til. Neste taler er statsråd Heikki Eidsvoll Holmås.

og skal fortsatt være en pådriver i menneskerettighetsspørsmål, både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har menneskerettighetene er meget sterkt rettsvern. Takket være loven av 1999 om menneskerettigheter, gis menneskerettigheter forrang fremfor annen lov, der det skulle være motstrid, og det er en godt utviklet rettspraksis i Samtidig er det viktig at Norge har en nasjonal institusjon for menneskerettigheter i samsvar med de internasjonale standardene som fremgår av Paris-prinsippene av 1993, slik vi også hadde fram til i fjor. Norge ønsker naturligvis å ha en institusjon som kan oppnå A-status i det internasjonale nettverket av nasjonale institusjoner, og regjeringen prioriterer dette arbeidet høyt. Som komiteen har merket seg, har en tverrdepartemental arbeidsgruppe nettopp avsluttet sitt arbeid med å vurdere om det bør etableres en ny nasjonal institusjon, hvilke oppgaver institusjonen bør ha, og hvilken organisasjonsform som vil være best egnet. På grunnlag av rapporten utarbeider Utenriksdepartementet et høringsdokument som vil sendes på alminnelig høring om kort tid. Jeg håper på bred deltakelse i høringsrunden. Endelig konklusjon vil bli trukket når innspillene fra høringsrunden foreligger. Utenriksdepartementet har innhentet synspunkter fra en rekke menneskerettighetsaktører inkludert ombudene og sivilsamfunnet. Det er tatt hensyn til disse synspunktene i utformingen av de anbefalinger som vil inngå i høringsdokumentet. I sin gjennomgang av dagens situasjon har utredningen konkludert med at Norge har et godt utbygd, men noe fragmentert system for overvåkning av menneskerettighetene. Det er behov for å ha en ny institusjon for å styrke samordning og systematisering av menneskerettighetsarbeidet i Norge. En ny institusjon bør utgjøre et faglig tyngdepunkt som kan bistå både myndigheter og sivilt samfunn i menneskerettighetsspørsmål, samtidig som den inntar en aktiv overvåknings- og pådriverrolle. Utenriksdepartementet har vurdert ulike organisasjonsformer, og også muligheten for at oppgaven som nasjonal institusjon legges til eksisterende institusjoner. I høringsdokumentet anbefales det å opprette et nytt, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt UD, og at institusjonens formål, uavhengighet, virkemåte, oppgaver, organisering og ledelse lovfestes i en ny lov.

og særlig berørte profesjonsgrupper. Myndigheten til å oppnevne styre for institusjonen bør deles mellom Stortinget, Kongen i statsråd, Sametinget og rådgivende utvalg. Forslag til kandidater innhentes fra et bredt utvalg organer og institusjoner. Jeg mener at denne modellen vil være helt i samsvar med de internasjonale standardene og vil legge til rette for at en uavhengig institusjon, som kan reflektere mangfoldet i samfunnet, blir etablert. Selv om det i høringsdokumentet foreslås at en nasjonal institusjon opprettes som et nytt, uavhengig forvaltningsorgan, pekes det også på at det ville være mulig å legge oppgaven som nasjonal institusjon til et eksisterende organ. I høringsdokumentet drøftes mulighetene for å legge en ny nasjonal institusjon under Stortinget, enten som et nytt organ eller ved Sivilombudsmannen. Høringsdokumentet belyser fordeler og ulemper knyttet til de ulike alternativene og gir et nyttig bidrag til diskusjonen om hvilken form nasjonal institusjon bør gis videre. Jeg vil understreke at regjeringen ikke har tatt stilling til hvilken organisasjonsform som bør legges til grunn, og heller ikke til finansieringen. Det viktige nå er å legge til rette for en bred og god debatt før vi konkluderer. Det blir replikkordskifte. Jeg skjønner at statsråden vil ha litt mer tid, og

Det er i hvert fall to prinsipper som man kan ta stilling til, før man bestemmer hele organiseringa og forslagsprosedyren og hvordan man skal integrere NGO-verdenen i Norge i en slik prosess. Gjennom en bred høring har vi et godt grunnlag for den diskusjonen vi nå skal ha. Dette vil selvfølgelig være viktige perspektiver i en slik diskusjon. Jeg vil legge opp til at vi nå legger til grunn den utredningen som er gjort, at den diskuteres, og at vi trekker konklusjonene på fritt grunnlag i tråd med det. Men det det ikke skal være noen tvil om, er at vi ønsker at dette skal være en institusjon som både fungerer reelt, godt og effektivt, og at den skal oppfylle alle de kriterier som gjør at den vil ha A-status. Det tror jeg er den inngangsverdien vi skal ha, for øvrig avventer vi den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

bl.a. som en følge av at arbeidet har blitt intensivert gjennom tusenårsmål nr. 2, som handler om å sikre alle gutter og jenter rett til grunnutdanning innen 2015. I representantforslaget fremmes det ti forslag om at utdanning skal prioriteres i utviklingsbistanden. Det er en samlet komité som deler forslagsstillernes intensjon om at utdanning må være en del av Norges strategi i utviklingspolitikken, og at det er viktig at vi setter den saken høyt på den internasjonale dagsordenen. dagsordenen. Særlig blir det viktig i sammenheng med utarbeidelsen av de nye tusenårsmålene, som skal erstatte dem vi har i dag. Norsk bistand til utdanning gis gjennom ulike kanaler – gjennom multilaterale institusjoner, gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner og gjennom bilateral støtte. Totalt sett bruker Norge ca. 1,6 mrd. kr på utdanningsbistand, men det brukes i tillegg midler over budsjettposter som ikke er like lett å lese, eller å finne i budsjettdokumentene. eksempel når vi gir penger til yrkesutdanning innenfor landbruk, finner vi tallene på landbruk og ikke på utdanning. Det er ikke helt lett å sammenlikne fra ett år til det neste, bl.a. fordi midler kanaliseres gjennom flerbrukslån eller gjennom budsjettstøtte. Det er derfor en samlet komité som er opptatt av at det er viktig med god informasjon om budsjettet, og vi forventer at budsjettproposisjonen for 2014 inneholder en skikkelig oversikt over hvordan utdanningsmidlene fordeles. Flertallet i komiteen, altså opposisjonspartiene,

og da sikter jeg til andelsdiskusjonen, som vi har hatt ganske mange runder på i det siste. Det ligger i forslaget at andelen til utdanning skal økes. Det synes jeg er et helt greit standpunkt å ha, men jeg mener det er riktig å gjøre oppmerksom på at vi det siste året har hatt mange diskusjoner hvor det har vært krav om å gi mer støtte og øke andelen til helse, til utdanning og til menneskerettigheter, for å nevne noe. Da må det være lov å stille spørsmål om hva totalen av alle disse kravene blir, og kanskje særlig sett i lys av at to av opposisjonspartiene vil kutte i bistandsbudsjettet og heller ikke ønsker 1 pst.-målet – det er litt spesielt, synes jeg. Da er liksom ikke andeler og prosenter fullt så viktig, da er det kvalitet og ikke kvantitet som teller. Når det gjelder grunnutdanning, er Norge det sjette største giverlandet i verden, og da å hevde at Norge ikke bruker penger på dette området, er faktisk feil. I går behandlet Stortinget stortingsmeldingen Dele for å skape, som handler om mer rettferdig fordeling i verden. I den meldingen understrekes regjeringens syn på utdanning som et av de mest utjevnende verktøyene man har. Utdanning har også enormt stor betydning for å oppnå mer likestilling. Det er derfor en samlet komité som viser til at regjeringens innsats på utdanning har hatt en særlig innretning mot jenter, og dette er en innsats som fortsatt må prioriteres. Videre er det en samlet komité som har felles merknader, hvor man er opptatt av utdanning for marginaliserte grupper og kanskje særlig for barn med nedsatt funksjonsevne. Det synes jeg også det er viktig å nevne. Jeg ser fram til en spennende diskusjon her i dag. Jeg frykter at vi får repetisjon av en diskusjon vi har hatt før, men det tåler vi, for vi skal snart inn i valgkamp, og da er vi klare til dyst. Først og fremst vil jeg takke forslagsstillerne som setter en viktig sak på dagsordenen. Utdanning er

For å oppnå dette er utdanning en vesentlig faktor, og derfor er det naturlig at utdanning er et satsingsområde i å utvikle samfunn – både det norske og i land der Norge bidrar med bistand. Gitt at Norge skal yte bistand, er det naturlig for Fremskrittspartiet at bistanden som gis, må gis til formål som gir best mulig effekt. Derfor er det å oppnå en stabil økonomi, der flere virkemidler tas i bruk for å sikre dette for å utvikle helsevesen og utdanning i mottakerlandene, avgjørende. Fremskrittspartiets liberalistiske grunnsyn bygger på at alle mennesker har visse universelle friheter og rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor. Rettigheter som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett er grunnleggende etter vårt syn. Gjennom utdannelse er det å spre kunnskap om disse rettighetene og menneskerettigheter, bekjempelse av vold og undertrykkelse med på å løfte land til nye og bedre nivåer der individets frihet og verdi sikres. I går behandlet vi stortingsmeldingen Dele for å skape i denne salen. Meldingen burde hete Skape for å dele, da man gjerne må skape noe for å ha noe å dele ut, men politisk semantikk kan gjerne være litt underfundig og ikke alltid så veldig presis heller. Men det er en litt annen debatt. Grunnen til at jeg nevner denne stortingsmeldingen er at den var blottet for fokus på utdanning og hvor viktig dette er for å utvikle samfunn og for å få dem til å vokse, det på tross av at FNs andre tusenårsmål er å sikre full grunnskoleutdanning for Når vi vet at 61 millioner barn i denne verden fortsatt står uten skolegang, er det ingen tvil om at Norge og verden har en vei å gå. Det var en enstemmig komité som i denne saken var av den oppfatning at utdanning må stå høyt på den internasjonale dagsordenen, og særlig følges opp i arbeidet med de nye tusenårsmålene. Personlig ville jeg se det som mer naturlig å finansiere utdanningstiltak i fattige land enn å bruke bistandsmidler på regnskogsinvesteringer i Brasil. Jeg tror effekten for verdenssamfunnet hadde blitt størst dersom man ga barn i fattige land utdanning. I budsjettet for 2013 framgikk det av teksten i innledningskapitlet at regjeringen planlegger å bruke om lag 1,6 mrd. kr på utdanningsbistand. Det er ikke videre imponerende at andelen av norsk bistand som går til utdanning, har blitt redusert over flere år. I 2012 viste regnskapstallene at den var kommet ned i under 6 pst. Både andelen og realverdien av utdanningsbistanden er den laveste på meget lang tid. Det er et tankekors. I tillegg er det verdt å påpeke at regjeringen har en opplysningsplikt overfor Stortinget om å gi best mulig informasjon om hva som ligger i statsbudsjettene, og i etterkant gi rapport som gir mulighet til å kontrollere om bruken av midlene har vært i samsvar med bevilgende myndighets vedtak. At denne typen informasjon og tilgjengeligheten av den må og kan bedres, er tindrende klart, og noe flertallet i komiteen, bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, bemerker i sine merknader i saken. Opposisjonen, som utgjør flertallet i komiteen, er av den oppfatning at regjeringen må utvikle en ny strategi for utdanning i den bilaterale bistanden, og sørge for at utenrikstjenestens kompetanse på dette fagområdet utvikles, slik at denne bistanden kan forvaltes på en god måte, og at utdanningsspørsmål blir fulgt opp på en bedre måte. Fremskrittspartiet er glad for det forslaget til innstilling som fremmes fra de borgerlige partiene i komiteen, og håper Stortinget stiller seg bak dette.

– vær så god.

vært en bedring i andelen barn som ikke får ta del i utdanning. I dag er nivået på ca. 61 millioner barn, men også det er altfor mye. Vi vet at jenter er mer utsatt enn gutter for å holdes borte fra skolegang. Det har mange årsaker, som vi har diskutert mye i denne sal tidligere. Det er lenge siden noen tok et internasjonalt lederskap å sette utdanning høyest på den utviklingspolitiske agendaen, som man gjorde med «Education for All»-målene i 2000. Da nyttet det å få til en framgang. Det var den kanskje aller viktigste driveren for at vi over noen år på begynnelsen av 2000-tallet så en sterk reduksjon i antall barn som holdes borte fra utdanning. Nå har den positive utviklinga stagnert, og det er et trekk jeg håper ikke fortsetter framover. Norge, og regjeringa, skal ha ros for at vi har tatt et internasjonalt lederskap på helseområdet, særlig er mødre- og barnehelse, vaksinasjonsprogrammer ting som har bidratt til å redde mange liv, men også til varig fattigdomsbekjempelse. Jeg ønsker at regjeringa tar en tilsvarende lederrolle for utdanning, for vi vet at det har enorm effekt når det blir en systematisk satsing fra giverland, og ikke minst fra mottakerland. Jenters utdanning har en spesiell plass i dette. Ikke bare har jenter som utdannes, muligheten til å skape seg et mer uavhengig liv, men det reduserer barnedødeligheten, de får færre barn når de har utdanning, de giftes bort senere, og det øker og bedrer mødre- og barnehelse – med andre ord mange positive ringvirkninger utover det rent utdanningsmessige og økonomiske. Saksordføreren nevnte, og jeg er helt sikker på at også utviklingsministeren kommer til å nevne, at man deler intensjonen i forslaget. Det er jeg glad for å høre, men denne diskusjonen har vi hatt veldig mange ganger. Det har i løpet av de siste åtte årene uomtvistelig vært sånn at andelen som brukes på utdanning i utviklingsbudsjettet, har gått ned. Og ikke bare det – den totale summen vi bruker på grunnutdanning, har stått stille siden 2005. I 2005, etter at regjeringa Bondevik-II var veldig opptatt av å doble utdanningsbistanden, noe man lyktes med, brukte vi 1 mrd. kr på grunnutdanning. I 2012 bruker vi fortsatt 1 mrd. kr på grunnutdanning. I samme periode har utviklingsbudsjettet økt med 9 mrd. kr. Det som har tatt hoveddelen av veksten, er skog- og men vekten mellom de to satsingsområdene er etter Høyres oppfatning blitt gal. Derfor er vi også veldig opptatt av det forslaget som ligger foran oss, og støtter det helhjertet. Det er helt åpenbart at utdanning handler om mer enn skolebygg. Det handler om ansvarliggjøring av regjeringer i mottakerland, det handler om kvalitet på lærere, og ikke minst om tilgang på lærere – det kommer til å være en stor lærermangel i årene framover – og det handler om å nå marginaliserte grupper. Det kan være barn som bor i områder som er vanskelige å nå, og det kan være funksjonshemmede barn. Man er nødt til å gjøre en stor innsats for å nå de mest marginaliserte. man det nå litt ironisk: Til nå har man hatt enkle mål å nå, mens de man nå skal treffe, er det vanskeligere å nå, fordi de er mer marginaliserte. Det har vært snakk om det å få synliggjort tydeligere i budsjettet hvor mye som går til utdanning, og til hvilke prosjekter. Det er en intensjon hele komiteen stiller seg bak, og som jeg også ber utviklingsministeren notere seg spesielt. spesielt. Vi har egne budsjettlinjer på veldig mange områder, og det bør vi også ha på utdanning, som er en så viktig – jeg vil si en helt essensiell – faktor i enhver vellykket utviklingspolitikk. I takt med at vi får et mer moderne samfunn, øker betydningen av utdanning, kompetanse og kunnskap. Det er I takt med at vi får et mer moderne samfunn, øker betydningen av utdanning, kompetanse og kunnskap. Det er viktig på alle felter – for at demokratiet skal fungere, for at landets ressurser forvaltes klokt, for at næringslivet skal være konkurransedyktig, for at ungdom skal få jobb og inntekt og for å motvirke feilernæring. Som regjeringen understreker i Meld. St. 25 for 2012–2013, som Stortinget behandlet i går, er utdanning et av de mest utjevnende verktøy man har. Her i Stortinget har det gjennom lang tid vært bred politisk støtte til en høy prioritering av utdanningsbistand. Fram til regjeringsskiftet i 2005 ble utdanningsbistanden styrket vesentlig. Etter den tid har trenden snudd. Når Norads regnskaper i ettertid er lagt fram, har vi år for år kunnet konstatere at norsk innsats for utdanning har falt betydelig. Andelen var på over 9 pst. ved regjeringsskiftet for snart åtte år siden. De to siste årsregnskapene viser at andelen siden da er falt med en tredjedel, til i underkant av 6 pst. Bevilgningene har ikke engang holdt tritt med prisutviklingen. Realverdien av norsk utdanningsbistand er gått ned med flere hundre millioner kroner på disse årene. Dette er bakgrunnen for at Kristelig Folkeparti la fram representantforslaget hvor vi foreslår å styrke norsk Vi er glad for at hele komiteen ser betydningen av å styrke utdanningskjeden i verdens fattigste land – fra en god grunnskole, opp gjennom videregående skole og til høyere utdanning og forskning. Det er allmenn, verbal støtte til dette i komiteens innstilling, men det har det også vært i de to siste stortingsperiodene, mens utdanningsbistandens verdi i praksis er blitt redusert. I representantforslaget har vi konkretisert forslag om økt innsats i ti punkter. La meg nevne noen av dem. Grunnutdanning for alle er fortsatt viktig, bl.a. for å sikre skoletilbud for barn i konfliktrammede land, i slumområder og i enkelte utkantstrøk. Tilbudet må inkludere funksjonshemmede, som ofte blir diskriminert. Vi må ikke bare tenke kvantitet. Utviklingseffekten avhenger jo av kvaliteten på undervisningen, og av elevenes læringsutbytte. Det hjelper lite å stue flere elever inn i trange klasserom med ufaglærte lærere. Elevenes læringsutbytte må sikres ved å styrke lærerutdanning, tilbud om praktisk yrkesutdanning og bedre tilgang på undervisningsmateriell. Behovene er enorme. I innstillingen har vi konsentrert oss om det overordnede kjernepunktet. Vi må snu trenden, nedgangen må bli til oppgang. Utdanningsbistanden må reelt styrkes. Prioriteringene må bli reelle. Derfor lyder forslaget til vedtak slik: «Stortinget ber regjeringen øke utdanningsbistandens andel av bistandsbudsjettet og sikre tilstrekkelig kapasitet til planlegging, forvaltning og kontroll av utviklingssamarbeidet for å høyne skoledekningen og læringsutbyttet.» Vi hadde håpet å få en enstemmig komité med på dette,

få praktisk gjennomslag for å øke innsatsen til utdanning. Et lite hjertesukk fra meg: Det er trist å se at et forslag som jeg faktisk ville trodd at det er flertall for, ikke kan bli vedtatt her i dag. Jeg vet at mange i bistandsmiljøene i Norge ønsker å øke Norges bistand til utdanning. Jeg vet at mange i denne sal ønsker det samme. Men de som ønsker en bedre utdanning aller mest,

at de alliansepartnerne som Kristelig Folkeparti har valgt å gå til valg på for å få en ny regjering, er partier som selv sier veldig klart at de ønsker å kutte i bistanden – noen av dem ønsker å kutte dramatisk i bistanden. Men det er altså alliansepartnerne til Kristelig Folkeparti. Så vil jeg også si til Kristelig Folkeparti at de har fremmet et forslag der man foreslår en rekke tiltak for å øke den norske innsatsen for utdanning i utviklingssamarbeidet, og i den skriftlige uttalelsen fra Utenriksdepartementet til komiteen har jeg gjort rede for hvorfor vi ikke støtter disse forslagene. Jeg vil komme inn på et par av premissene for våre standpunkter. Regjeringen har ikke kraftig redusert norsk bistand til utdanning gjennom de to siste stortingsperiodene. Bevilgningene har ligget stabilt de siste årene. For årene 2006–2012 er gjennomsnittet drøyt 1,6 mrd. kr. per år. Kompetansen på utdanning er ikke blitt bygget ned. Opposisjonen baserer seg på at antallet utplasserte rådgivere når det gjelder utdanningsbistand, er redusert. Jeg vil først presisere at det ikke er utdanningsrådgivere på ambassadene. Noen av dem som har vært der og jobbet med utdanningsprogrammene, har utdanningsbakgrunn for tiden i halvparten av landene, tre av seks land, der vi jobber med det. Det er Madagaskar, Nepal og Afghanistan. Og det var utdanningsfaglig ansatte i om lag halvparten av stasjonene, fire av ni, også før regjeringsskiftet. Men det som er mye viktigere, er at den kunnskapsbasen som den samlede utenrikstjenesten baserer seg på, ligger her hjemme – hos en veldig kompetent stab i Norad. Norad. For tiden har Norad tolv faste medarbeidere som jobber med utdanning og forskning. Når det er sagt, vil jeg likevel framheve at den viktige konklusjonen vi kan trekke etter de mange debattene vi har hatt om utdanning i denne salen i år, er at det er bred enighet om at arbeidet med å nå tusenårsmålene ikke er over, og at utdanning fortsatt må være en sentral sektor i norsk utviklingssamarbeid. Vi skal arbeide for at utdanning forblir et sentralt tema blant de utviklingsmålene som nå er lagt fram, og som det skal jobbes med de to neste årene. Vi er glad for – jeg har senest vært og debattert dette i dag – at Høynivåpanelets rapport setter utdanning så sentralt som den gjør. Vi mener likevel at den norske innsatsen for å nå nye utviklingsmål skal settes inn på felt der vi har spesielle bidrag å komme med, og da prioriterer vi bl.a. likestilling og energisamarbeidet vårt. En viktig måte å styrke effekten av vår innsats på er å samarbeide med andre givere i større programmer. Det er fornuftig utviklingspolitikk. En annen måte er å arbeide gjennom de frivillige organisasjonene i land der myndighetene selv ikke har evne eller kapasitet til å satse på utdanning. Det er et arbeid vi styrker i årets budsjett. Da bidrar vi til å nå de aller mest utsatte og marginaliserte, og de landene som har kapasitet, men ikke bl.a. gjennom at de tar inn for lite i skatteinntekter, må selv ta mer ansvar for sin egen befolkning. Det er budskapet vårt i møte med disse regjeringene. Vi ser en positiv utvikling. Selv blant de fattigste landene tar myndighetene mer ansvar. Jeg kan gi et eksempel der norsk bistand har bidratt positivt, og der norsk bistand på andre felt enn utdanningsbistanden likevel har utløst betydelig mer kapital

som økte etter utdanning i løpet av den perioden, var på om lag 1,7 mrd. kr. Det viser bare hvordan innsats på andre områder enn utdanningssiden likevel kan bidra til å styrke landenes egen evne til å ta et økt utdanningsansvar. Det ser vi at flere land gjør. Flere land bør bruke større egne skatteinntekter fra grunnleggende offentlige tjenester. Mange av dem skjønner det utmerket godt og gjør det allerede. Men bistanden som vi ga til Zambia, står ikke på statistikken over utdanningsbistand, men den har utløst betydelige midler. Til slutt: Jeg er helt enig i at bistandsbudsjettet er vanskelig tilgjengelig. Spesielt på felt der vi arbeider etter både tematiske og geografiske prioriteringer, er det vanskelig å lese tallene ut av sammenhengen. Allerede i neste års budsjett tar vi flere grep, ikke bare ved å åpne – slik som vi gjør i dag – alle databasene for bistand for offentligheten, men også ved å gjøre framstillingen i proposisjonen, tall og tekst, mer oversiktlig og lesbar. Og jeg tar gjerne en prat med komiteen om hvordan vi ytterligere kan gjøre det arbeidet bedre framover. Det blir replikkordskifte. kan gjøre det arbeidet bedre framover. Det blir replikkordskifte. Utviklingsministeren sier hele tiden at det er en utfordring for Kristelig Folkeparti å samarbeide med et parti som Fremskrittspartiet, som vil kutte i bistanden. Og det er helt rett: Vi ønsker en annen innretning på bistanden, vi ønsker å prioritere de viktigste tingene, det som bidrar til å løfte folk ut av fattigdom. fattigdom. Det står i grell kontrast til den politikken som dagens regjering fører. Nå er det en realitet at tallene viser at andelen bistandsmidler som går til utdanning, har vært synkende i løpet av de årene SV har sittet i regjering. Ser statsråden at utdanning er en særdeles viktig faktor for å løfte folk ut av fattigdom? Er statsråden i så tilfelle stolt av at det er en negativ trend i utviklingsbistanden over år?

Fremskrittspartiet står her og sier at de vil prioritere bistand til de fattigste landene, at de vil prioritere utdanning, men sannheten er at Fremskrittspartiet tidligere fra denne talerstolen har sagt tydelig fra om at de egentlig ikke ønsker en stat-til-stat-bistand i det hele tatt, fordi det er feil politikk. Om Fremskrittspartiets utviklingspolitikk vet vi i hvert fall følgende: Den er helt annerledes enn regjeringens, den er etter all sannsynlighet helt annerledes enn betydelig mindre solidarisk enn den det store flertall av Norges befolkning ønsker. Jeg registrerer at statsråden ikke svarer på spørsmålet. Jeg registrerer også at statsråden som vanlig går til angrep istedenfor å ta inn over seg det faktum at andelen til utdanningsbistand regjeringstid. Det er helt klart slik at Fremskrittspartiet ønsker en utviklingspolitikk og en bistandspolitikk som bidrar til å løfte folk ut av fattigdom. Jeg registrerer at dagens regjering er veldig opptatt av likestilling og energi, og vi ser at en av de største bidragsmottakerne er Brasil, mens vi ser at antall barn i de fattigste av de fattige landene ikke får den utdanningen de har krav på. Hvordan står det i stil med de tusenårsmålene som nasjonen er veldig opptatt av å ivareta? Som jeg gjorde rede for i mitt hovedinnlegg, er det veldig klart at utdanningsbistanden har ligget stabilt på omtrent 1,6 mrd. kr i løpet av de årene som regjeringen har styrt. Så er det riktig at det generelle budsjettet har økt mer, og prioriteringene har også gått til andre ting. Vi har prioritert utdanningsbistanden i dette, slik som vi sier, og vi har sørget for at landenes inntekter har økt gjennom den øvrige bistandspolitikken og den øvrige utviklingspolitikken, slik at de selv er blitt i stand til å bruke mer penger på Jeg merket meg at Fremskrittspartiets representant i sitt innlegg mente at det ikke var nødvendig – at det var feil å si dele for å skape, vi burde sagt skape for å dele. Poenget vårt er at det nettopp viser forskjellen på vår og Fremskrittspartiets politikk. I mange land finnes rikdommen, men viljen til å dele, slik at en kan få nok penger til utdanning til unger, ikke er tilstede. Derfor er vi nødt til å ha en fordelingspolitikk som er i tråd med

Men områder der regjeringa har engasjert seg og valgt å prioritere, som f.eks. helse, skog og klima, har man opplevd store økninger i budsjettene. Når det gjelder skog og klima, har man gått fra andel av budsjettet på 9 pst. til ca. 16 pst. Bistandsbudsjettet har i perioden økt med 9 mrd. kr, men det har ikke vært mulig å øke bevilgningene til Da UNICEFs generaldirektør Anthony Lake nettopp var her, sa han nettopp at man måtte ta internasjonalt lederskap, og at han håpet at Norge skulle gjøre det. Hvorfor har det ikke vært mulig å få det samme engasjementet for utdanning som for andre områder, fra regjeringa? Vi har et engasjement for utdanning, men jeg mener at det er riktig utviklingspolitikk, og jeg mener det er moderne utviklingspolitikk å sørge for å gjøre land i stand til selv å ta et større ansvar. Derfor har vi satset mer på naturressursforvaltning, som gir økte inntekter til land. Vi ser at det virker på den måten at land selv investerer mer i sin egen utviklingspolitikk og i sin egen utdanningspolitikk. Jeg mener det er riktig å prioritere det som er de Klimautfordringen er en gigantisk utfordring. Det er riktig å være med på å støtte opp under land som gjør det de kan for både å tilpasse seg klimaendringene, og for å være med på å hindre den avskogingen som skjer, noe som også rammer mennesker. Det rammer også de mest marginaliserte gruppene av mennesker som bl.a. bor i Amazonas og i andre jungelområder. Så mener vi at vi bør bekjempe fattigdom gjennom en god fordelingspolitikk, som vi behandlet her i går med en god debatt. god debatt. Det bidrar også til å gjøre landene i stand til å ta vare på sin egen utdanning. Dette går på utdanning spesifikt. Statsråden hadde mange tall og

stabilt. Det betyr omtrent slik som jeg sa i sted, på 1,62 mrd. kr i årlige bevilgninger. Så har det gått litt opp og ned i de forskjellige årene, delvis på grunn av at vi ikke alltid har vært i stand til å bruke pengene. Men vi har hatt prioriteringene omtrent på det samme nivået. Man kan si det er mange dilemmaer knyttet opp til føring, siden representanten spør om fakta og tall rundt dette. Ved å bevilge penger til organisasjoner – gi kjernestøtte til organisasjoner som jobber med utdanning – vil ikke de pengene nødvendigvis bli kategorisert som utdanningsbistand. Det er bred enighet i Stortinget om at vi bør satse på kjernestøtte til organisasjoner istedenfor nødvendigvis å støtte programmer. Det gir mer øremerking, og det er vi negative til. Vi ønsker i stedet å

elevråd og det som var – mest fordi skoleplassen ikke var så fin som den burde være, vi ville ha en ballbinge og en fotballbane. Så fikk jeg møte barn i slummen i Uganda i Kampala. Det var et møte med en som var like gammel som meg – han var 17–18 år – og han het Elton John. Det er klart jeg husker det navnet, og så var det et eller annet afrikansk. at han hadde en drøm om å bli lege. Jeg tenkte at det var bra, og jeg håpet at han kunne klare det. Jeg sto selv og tenkte på samme tid på hva jeg skulle bli, for jeg hadde alle muligheter. Da jeg gravde videre, viste det seg at Elton hadde ingen skolegang. Han var 18 år, og hadde sannsynligvis aldri sjansen til å bli lege. Det tente mitt engasjement. Når en har det menneskesynet at alle mennesker har den samme verdien,

skolegang. Jeg ser at Stortinget er opptatt av det, og jeg hører statsrådens argumentasjon om at han ikke nødvendigvis trenger å bevilge mer penger over budsjettet, men kan gå andre veier for å prioritere bistand. Jeg tviler ikke på det. Men jeg registrerer også i forbindelse med fordelingsmeldingen som vi diskuterte i Stortinget i går, at når en diskuterer nye mål etter tusenårsmålene, er heller ikke utdanning

Loven har vært på høring, og høringssvarene har vært viktig for de forslagene til endringer som legges fram: grensejustering og deling av kommuner med store kraftinntekter deling og sammenslåing av kommuner og for så vidt fylkeskommuner noen spørsmål knyttet til økonomiarbeidet før en sammenslåing og før en kommune eller fylke blir delt, og de forskjellige delene blir lagt til andre kommuner eller fylker Til slutt omhandler forslagene valg av revisor og sekretariatsmodell for kontrollutvalget samt økonomiske og administrative konsekvenser av de foreslåtte endringene. Det er en enstemmig komité som gir sin tilslutning til regjeringens forslag til endringer i loven. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 17.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

Nå tror jeg for øvrig at sjømenn vil fortsette å være sjømenn i de fleste sammenhenger. Med det fokus som vi har hatt på likestilling i løpet av de siste dagene, håper jeg imidlertid at de «gravide sjømennene» forsvinner for evig og alltid med dagens vedtak i Stortinget. Når sjømannsloven nå erstattes av at den offentlige oppmerksomheten om loven knytter seg til en kosmetisk fornyelse. Skipsarbeidsloven er sjøfolkenes arbeidsmiljølov – i erkjennelse av at arbeidsforholdene til sjøs er så vidt spesielle at en lov som gjelder til lands, ikke uten videre kan overføres til sjøfarten, selv om hovedhensikten med den lovrevisjonen som har funnet sted, nettopp er å gjøre arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven så like som mulig. Skipsarbeidsloven, som nå erstatter sjømannsloven, representerer en betydelig forbedring av sjøfolks rettigheter. Eksempel på dette er et styrket stillingsvern, utvidet rett til permisjon og innføring av vern for varslere. En av de endringene som nok også vil bli lagt merke til, er at aldersgrensen, eller rettere sagt vernet mot oppsigelse på grunn av alder, flyttes fra 62 til 70 år. Det hindrer naturligvis ikke at partene i arbeidslivet av helse- og sikkerhetsmessige grunner kan avtale tidligere avgangsalder. Da 62-årsgrensen ble innført, var det for å sikre eldre sjømenn en verdig avslutning på et langt yrkesliv på sjøen. Etter hvert har dette imidlertid blitt en tvangstrøye som også rammer dem som i dag har både lyst og helse til å stå om bord etter fylte 62 år. Nå kan de i likhet med arbeidstakere på land fortsette i arbeid etter den tid. Jeg forutsetter for øvrig at skipsarbeidslovens aldersgrenser i fortsettelsen justeres i takt med arbeidsmiljølovens aldersgrenser, når det blir aktuelt. Bortsett fra på to områder er det relativt bred enighet om skipsarbeidslovens ulike paragrafer. Men det er ikke uten betydning at Fremskrittspartiet skiller lag med de andre partiene i synet på rederienes arbeidsgiveransvar, og at både Høyre og Fremskrittspartiet avviser innføringen av et administrativt gebyr ved brudd på Det bidrar til å så ytterligere tvil om norske sjøfolks arbeidsforhold, rekrutteringen til sjømannsyrket og den maritime næringens arbeidsvilkår dersom velgerne setter Erna Solberg og Siv Jensen til å styre landet etter valget i september. På den ene siden står Høyre, som vil begrense nettolønnsordningen for sjøfolk etter den såkalte kompetansemodellen samtidig innføre NIS på kysten. Det vil i sin tur føre til at norske rederier flagger ut, sender norske sjøfolk på land og erstatter dem med lavtlønnede asiatiske mannskaper. På den andre siden står Fremskrittspartiet, som vil utvide og lovfeste nettolønnsordningen, men som motsetter seg solidaransvar, og som vil innføre nasjonal minstelønn i norske skip. Fremskrittspartiet sier rett ut at mange av de tiltakene regjeringen har fremmet, strider mot sentrale overordnede prinsipper som fri konkurranse og organisasjonsfrihet. Høyre har i likhet med andre partier skjønt at arbeidsgiveransvaret til sjøs nå er helt annerledes enn den gang sjøfolk var ansatt i et rederi som både drev og eide skipet. I dag rekrutteres og ansettes sjøfolk i ulike former for bemanningsselskaper og leies ut til det rederiet som driver skipet, men som ikke nødvendigvis eier skipet. Det er derfor regjeringen, med støtte av et bredt flertall i Stortinget, innfører et solidaransvar som gjør rederiet ansvarlig for sjøfolks lønns- og arbeidsforhold, selv om det egentlige arbeidsgiveransvaret ligger et annet sted. Men poenget er at sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår settes på spill med uvisst utfall den dagen – og stadig mot formodning – Høyre og Fremskrittspartiet skal forhandle om et regjeringsgrunnlag. Derimot er det ganske klart at de to partiene vil reversere dagens vedtak om å gi Sjøfartsdirektoratet som håndhevingsmyndighet adgang til å utstede et administrativt gebyr ved brudd på skipsarbeidsloven. Dermed svekkes sjøfartsmyndighetenes mulighet for å sanksjonere ved brudd på loven. En samlet komité foreslår at arbeidsgiver til enhver tid skal opplyse arbeidstakerne om bord om hvem som til enhver tid er rederiet, og hvilke plikter som etter loven tilligger rederiet. Slike opplysninger skal foreligge skriftlig. Dette har særlig betydning dersom det er aktuelt å gjøre solidaransvar gjeldende. Sammen med rederiets «påse-plikt», altså plikten til å påse at bemanningsforetak etterlever lovens forpliktelser, har solidaransvaret en preventiv hensikt. De som etterlever loven, har intet å frykte. De som ikke gjør det, kan gjøres økonomisk ansvarlig for det. Det er naturligvis ikke enkelt for sjøfolk å hevde sin rett overfor et bemanningsselskap i ett land, innleid av et driftsselskap i et annet og et rederi i tredjeland. Derfor må det føyes til at annet lovverk også kan komme til anvendelse når økonomiske krav skal gjøres gjeldende. Sjøloven har bestemmelser om sjøpanterett, dvs. at arbeidstakere til sjøs kan reise krav om pant i et skip ved manglende utbetaling av lønn, overtid, feriepenger, kostgodtgjørelse og erstatning for uberettiget oppsigelse eller avskjed. Dette er prioriterte krav dersom sjøpanteretten anvendes. Sjømannsorganisasjonene, LO og Unio har tatt til orde for at skipsarbeidslovens bestemmelser om solidaransvar må utvides til å gjelde stillingsvernet, omtrent på samme måte som i sjøloven. På den annen side er skipsarbeidslovens solidaransvar på enkelte punkt mer omfattende enn i landbasert virksomhet, nettopp fordi arbeidsforholdene til sjøs er så vidt spesielle. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti mener internasjonal handel med arbeidskraft, med inn- og utleie i flere ledd, gjør det nødvendig å se nærmere på slik virksomhet i internasjonal sammenheng. Det er helt klart at denne virksomheten øker faren for sosial dumping, og at den bidrar til å undergrave et organisert arbeidsliv. Internasjonal sjøfart er ikke noe unntak i så måte – snarere tvert imot. Nærings- og handelsdepartementet har derfor varslet at det vil følge utviklingen på dette området meget nøye, og at en skal vurdere nærmere regler for inn- og utleie. Flertallet ber om at departementet i denne sammenheng også vurderer solidaransvarets omfang, herunder altså stillingsvernet. Arbeidstakere til sjøs skal som hovedregel sikres fast ansettelse, som på land. Arbeidsgiverne kan imidlertid ha behov for å ansette arbeidstakere på midlertidig basis. Som i arbeidsmiljøloven pålegges arbeidsgiver nå en årlig drøftingsplikt ved bruk av midlertidige ansettelser. Det er grunn til å anta at en drøftingsplikt i seg selv vil redusere bruken av midlertidige ansettelser. Sluttelig vil jeg anføre at det også innføres drøftingsplikt ved oppsigelse, og at en arbeidstaker som innkalles til drøftingsmøte, vil ha behov for å møte sammen med tillitsvalgt. Da er det også naturlig at det stilles krav om kollektive drøftinger i større Et kontroversielt punkt i lovarbeidet har vært retten til å stå i stilling mens forhandlinger pågår eller verserer for domstolene. Ikke minst har arbeidstakerorganisasjonene vært opptatt av dette. Og her er det unektelig forskjell på et skip og en hvilken som helst arbeidsplass på land. Komiteens flertall har i likhet med departementet landet på et kompromiss, dvs. at en oppsagt arbeidstaker skal ha en ubetinget rett til å stå i stilling mens forhandlinger pågår, men at arbeidstakeren ikke har samme rett under en rettsprosess, med mindre retten etter krav fra arbeidstaker slår fast at det er klart urimelig at arbeidsforholdet ikke opprettholdes under sakens behandling. Jeg anbefaler hermed komiteens innstilling. Sjømannsloven blei vedtatt i 1975. Sidan den gongen har arbeidslivet vore i endring, også til sjøs. Resultatet av denne utviklinga har ført til eit utval som har sett på ei harmonisering av sjømannsloven og arbeidsmiljøloven, som no er blitt til skipsarbeidsloven. Skipsarbeidsloven tar opp i seg mykje av Framstegspartiet meiner det er viktig å ha gode og trygge arbeidsvilkår, også for dei som arbeider til sjøs, og har støtta fleire av endringane. Likevel har Framstegspartiet påpeikt at mange av tiltaka som regjeringa har fremma, strir mot sentrale og overordna prinsipp som fri konkurranse og organisasjonsfridom. Ordningane representerer også eit offentleg inngrep i den frie avtaleretten og partanes ansvar for lønnsdanning. Spesielt Det er derfor nødvendig å presisera at Framstegspartiet har fremma eit eige forslag om å utgreia ei nasjonal minstelønn som eit alternativ til allmenngjering og som eit tiltak mot uønskte arbeidsvilkår i den norske arbeidsmarknaden. Skipsarbeidsloven har også fått ein eigen «varslarparagraf». Framstegspartiet er fornøgd med at det no blir tatt inn ein varslarparagraf i den nye loven. Då regjeringa i juni 2006 fremma forslag til endringar i arbeidsmiljøloven for å sikra at personar som varsla om ulovlege forhold i arbeidslivet, skulle varslarar få eit betre vern. Myndigheitenes grunngiving for innføringa av varslarparagrafen var at ein ønskte meir varsling. Varsling verkar positivt for demokratiet, samfunnet og verksemdene. Likevel ser vi at dagens varslarparagraf i all hovudsak verkar mot sin hensikt, både som følgje av utforming og som følgje av den manglande etterlevinga av intensjonane bak. er det varslarar som har dårleg vern, trass i at regjeringa har sagt det motsette. Framstegspartiet er bekymra for at det er mange forhold som det ikkje blir varsla om, fordi belastninga ved å stå fram faktisk blir altfor stor, og at vernet overfor varslaren ikkje blir noko av. Framstegspartiet fremma derfor i 2011 eit forslag om å setja ned eit utval for å evaluera korleis varslarparagrafen verka. Det har i så måte ikkje skjedd så mykje, og framleis opplever varslarar at det medfører eit stort ubehag å seia frå om kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Dagleg har vi kontakt med varslarar som eigentleg ønskjer å varsla, men som ikkje tør. Framstegspartiet har tatt til orde for å få ei nettolønnsordning også her i landet, og har foreslått dette i samband med revidert nasjonalbudsjett i år. Vi har også registrert at organisasjonane for sjøfolk meiner at den maritime I regjeringas forslag til statsbudsjett for 2013 blei det foreslått å setja av 1 600 mill. kr til sysselsetjingstiltak for norske sjøfolk. Dette beløpet blei også foreslått i statsbudsjettet for 2012. Dersom ein tar med den årlege lønns- og prisveksten i samfunnet, inneber dette ein reell nedgang i løyvinga til sysselsetjinga av sjøfolk. Regjeringa sa i budsjettproposisjonen at grunnen til dette er at ein ønskjer å avgrensa veksten innanfor dette området. Refusjonsordninga er svært viktig for dei reiarlaga dette gjeld, all den tid desse opererer i ein internasjonal marknad der mange av dei landa vi konkurrerer med, har betydeleg betre ordningar enn det vi har i Noreg. Mens ein frå norsk side har valt ei refusjonsordning avgrensa opp til 198 000 kr, har fleire av dei landa vi konkurrerer med, valt ein modell med ei rein nettolønnsordning. Framstegspartiet meiner no at det må setjast i verk eit arbeid som har som siktemål å lovfesta ei fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk, slik at ein er sikra ei betre konkurranseevne overfor dei landa vi konkurrerer med, og som samtidig gir næringa større føreseielegheit. Derfor meiner vi at det bør jobbast internasjonalt for å avskaffa denne forma for næringssubsidiar. Fram til det kan oppnåast einigheit på dette området, bør også Noreg ha ordningar som er konkurransedyktige, av omsyn til sysselsetjing av norske sjøfolk. tar også opp bruken av innleidd arbeidskraft og midlertidig tilsetjing. Framstegspartiet har blitt skulda av både regjeringa og LO for å rasera arbeidslivet, fordi vi vil ha fleire arbeidstakarar inn i ordinært arbeid. Framstegspartiet har heile tida påpeikt at hovudregelen for tilsetjing skal vera fast tilsetjing, og at regelen for midlertidig tilsetjing skal vera som den er i dag, fire år. Men vi har også sagt at vi ønskjer at det må vera rom for å bruka midlertidig tilsetjing for at utsette grupper skal ha ei moglegheit til å kunna få komma inn på arbeidsmarknaden, slik at dei òg får arbeidserfaring og får bygd sin eigen CV. Dersom dette er å rasera arbeidslivet, synest eg dei som påstår det, bør spørja alle dei som står på utsida, som ikkje føler det slik. Det må vera betre å bli lønna av ein arbeidsgivar utanfor enn innanfor Nav. I sjøfarten er det sjølvsagt ulike behov for midlertidig I sjøfarten har arbeidsgivar behov for å kunna tilpassa arbeidsstokken ved svingingar i arbeidskraftbehovet. I bl.a. fiskeri er sjølve verksemda svært sesongprega, og i innanriksflåten er det store sesongvariasjonar i behovet for visse kategoriar arbeidstakarar. Også sjøfolk blir pensjonistar, og sjømannsloven gir høve til å seia opp ein arbeidstakar med alder som grunngiving i den augneblinken vedkommande fyller 62 år. Skipsarbeidsloven opnar opp for at stillingsvernet skal gjelda til inntil fylte 70 år. Framstegspartiet støttar denne endringa og meiner at alder aleine ikkje er grunnlag for å seia opp ein arbeidstakar. Framstegspartiet har derfor tidlegare fremma eit forslag om å gi arbeidstakarar ei moglegheit til å stå i arbeid til fylte 75 år. Hovudregelen i pensjonstrygda for sjøfolk er slik at sjøfolk som har opparbeidd seg minst 150 månaders fartstid, har rett til sjømannspensjon frå fylte 60 år, eventuelt 62 år, dersom dei framleis er i arbeid. Når aldersgrensa for sjøfolk blir auka frå 62 år til 70 år, vil dette måtta få konsekvensar for pensjonsordninga. Ved endringa om å heva aldersgrensa for sjøfolk er det ikkje tatt høgd for at basert på aldershevinga og dei konsekvensane dette vil få for sjøfolks pensjon. Framstegspartiet har derfor foreslått ein slik gjennomgang for å få utgreidd konsekvensane av endringa. Eg tar til slutt opp Framstegspartiets forslag. Representanten Laila Marie Reiertsen har tatt opp de forslag hun refererte til. Norge er en sjøfartsnasjon med lange og stolte tradisjoner, noe vi ikke minst fikk dokumentert i den fremragende NRK-serien «Vår ære og vår makt». Jeg kommer også selv fra en sjøfartsby, fra Porsgrunn i Telemark, og har vokst opp med sjøfolk og sjømenn som en viktig yrkesgruppe. For øvrig er det verdt å nevne at det som har skapt mest engasjement i lokalpressen hjemme, er hvorvidt det fortsatt skal være lov å bruke begrepet «sjømann». Selv om det er fornuftig at man har en mer moderne og kjønnsnøytral betegnelse i lovverket, jeg helt sikker på at Stortinget er enig i at om folk fortsetter å si «sjømann» seg imellom, kan vi helt fint leve med det. Det er mange gode tiltak i den proposisjonen som legges frem i dag. Derfor støtter Høyre også de aller fleste tiltakene som regjeringen legger frem. Forslagene om aldersgrenser, om samordning med – eller i hvert fall gjøre det lettere å varsle, å gjøre velferdsordningene mer tilgjengelige og styrke velferdsordningene m.m., alt dette er det bred enighet om i komiteen, og det er veldig bra. Et viktig punkt for Høyre har også vært å lytte til partene i arbeidslivet – både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det er veldig gledelig å kunne konstatere at det også mellom partene er enighet om de tiltakene som er lagt frem – i hvert fall de aller fleste. Begge parter har måttet gi noe, mens de har fått seire på andre områder. Det kan kanskje være en lærdom når vi legger merke til at dette er en proposisjon fra Næringsdepartementet. Det kunne kanskje være en lærdom også for andre departementer Arbeiderpartiet styrer, f.eks. Arbeidsdepartementet, hvor man i veldig mange saker eklatant velger å se bort fra og ensidig lytter til én part og dermed legger frem tiltak som ofte er polariserende, og som ikke har bred støtte. Jeg har også lyst til å understreke at en annen grunn til at Høyre er enig – ved siden av den vekten vi legger på at partene har kommet frem til enighet om mange av disse tiltakene – er at det er viktig å ha med seg at situasjonen i skipsfarten er spesiell. Det er rett og slett et litt annet arbeidsliv til sjøs enn på land. Det er også grunnen til at vi f.eks. trenger en egen arbeidsmiljølov for sjøfarten. Men den særskilte situasjonen i skipsfarten, f.eks. ansettelsesforholdene, gjør at det også er naturlig for Høyre i denne sammenhengen å støtte et solidaransvar for rederiene. Og jeg legger med glede merke til at Rederiforbundet er enig i – de har iallfall blitt enige – at det er en fornuftig ordning i denne sammenhengen. Jeg har lyst å bruke de siste minuttene mine på å klargjøre en del punkter: Høyre har ikke foreslått å oppheve fartsområdebegrensningene i NIS. Det man har foreslått, er å sette ned et utvalg for å se på begrensningene i NIS. Når man setter ned et utvalg, er ikke det fordi man kjenner konklusjonen på forhånd. Det er fordi man ikke er sikker på hva konklusjonen burde bli. Det er helt åpenbart at det å behandle i NIS alle mulighetene for å ansette utenlandsk personell på utenlandsk lønn og utenlandske arbeidsvilkår som man ikke har i dag, også har store problemer ved seg. Når man setter ned et slikt utvalg – hvordan man enn gjør det – er det naturlig at man lytter til partene, også ansatteorganisasjonene. Arbeiderpartiet og min gode kollega Steinar Gullvåg gjentar i sak etter sak at Høyre er motstander av administrative gebyrer. Det er vi ikke. Administrative gebyrer har vi i dag. kan Datatilsynet og Luftfartstilsynet ilegge slike. Det er også derfor Høyre skriver i merknaden: «Høyre mener det rimelig å ha samme regler for overtredelsesgebyr i skipsarbeidsloven som i arbeidsmiljøloven.» Men – og her er Høyres kritikk ordningen med overtredelsesgebyrer har i de siste årene vokst ukontrollert, uten at Stortinget har fått seg fremlagt en sak hvor man diskuterer det grundig og lager noen felles retningslinjer. I over ti år har vi ventet på Justisdepartementets oppfølging av NOU 2003: 15 Fra bot til bedring. Senest for et par uker siden var statsråd Anniken Huitfeldt her og bekreftet at Arbeidsdepartementet og mente at det fortsatt skulle komme en sak til Stortinget, som en oppfølging av denne NOU-en. Høyre har ikke prinsipielt noen problemer med overtredelsesgebyrer. Derfor er det også naturlig for oss å si at det skal være de samme reglene i skipsarbeidsloven som i arbeidsmiljøloven. Men vi vil ikke ukritisk gå inn for nye gebyrer så lenge Stortinget ikke har fått seg forelagt en grundig og god gjennomgang av saken, slik som regjeringen har lovet i de åtte årene den har sittet. Regjeringen skal slippe å få skylden for de to årene før det. Til slutt har jeg lyst å adressere punktet om minstelønn, for der er jeg respektfullt uenig med mine gode venner i Fremskrittspartiet. Jeg og Høyre synes at et godt prinsipp i Norge er at lønnsdannelsen skal være fri. Det å ha en politisk bestemt lønn bryter med prinsippet om fri lønnsdannelse, og det bryter med det helt elementære prinsippet om at lønn er noe som fremforhandles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eventuelt mellom de organisasjonene man har delegert dette arbeidet til. Minstelønn har dessuten en del praktiske problemer ved seg, fordi det er fryktelig vanskelig å sette nivået riktig. Setter man en minstelønn for høyt, kan man risikere at flere arbeidstakere blir konkurrert ut, og at det rett og slett forsvinner arbeidsplasser. Setter man en minstelønn for lavt, risikerer man at man gir en slags offentlig sanksjonert lav lønn, som arbeidsgivere med loven i hånd kan betale ut. Da er det bedre å holde på prinsippet om fri lønnsdannelse som hovedregel i norsk arbeidsliv. Jeg legger for øvrig merke til at representanten Gullvåg for en tid tilbake var ute i Stavanger Aftenblad og snakket om allmenngjøring til sjøs. Om det skyldtes representanten eller journalisten, våger ikke jeg å si noe om, men reportasjen ga i hvert fall et villedende inntrykk. Det kunne se ut som om representanten Gullvåg lovet norske sjøfolk at det skulle komme allmenngjøring til Så viste det seg da regjeringen la frem sin handlingsplan mot sosial dumping, at det slett ikke var tilfellet. Det regjeringen skulle gjøre, var å utrede hvorvidt det var mulig å ha allmenngjøring til sjøs. Å utrede om det er mulig, har Høyre sagt er en god idé. Kunnskap har sjelden skadet noen. Men da er det villedende hvis det fester seg et inntrykk av at dette er noe regjeringspartiene går for, og noe som skal gjennomføres. SV er glad for at denne saken kommer, og at vi får på plass et mer likestilt vern for det som fra nå av skal hete skipsarbeidere. I likhet med representanten Røe Isaksen, har også jeg registrert den litt opphetede debatten om navnet. Jeg vil også si at fra vår side er det helt i orden om noen fortsatt har lyst å kalle seg sjømann, men i lovens tekst er det greit at det står som det står. SV slutter seg fullt og helt til saksordførerens innlegg, og jeg ser ingen grunn til å måtte gjenta det. Vi ser på det som skjer i dag, ikke bare som ønskelig, men som helt nødvendig. Vi har sett behovet for denne typen økt vern på land, og det er helt åpenbart at det er behov for denne typen tiltak og et styrket stillingsvern og en utvidelse av rettigheter også for sjøfolk. Det er gledelig at det er bredere enighet i denne saken enn i en del andre saker om disse temaene. Det synes jeg er fint. Jeg synes også det er bra at Fremskrittspartiet og særlig Høyre nå legger sine prinsipielle synspunkter og motstand mot en del av de tiltakene vi har innført mot sosial dumping, i skuffen. Det er viktig, fordi det handler om at man ser nødvendigheten og ønskeligheten av å bruke tiltakene, og at man ikke har en prinsipiell uenighet om det. Det synes jeg er bra. Men jeg er tilsvarende forundret over den skarpe ordbruken når disse tiltakene har vært anvendt på andre områder i arbeidslivet, der det viser seg å være helt nødvendig å ha det for å sikre arbeidstakerne de rettighetene vi mener at de skal ha, og som er lovfestet i arbeidsmiljøloven eller tariffestet i tariffavtaler. Og der har allmenngjøringsinstituttet vært et svært viktig virkemiddel, fordi det er riktig – som også representanten fra Høyre sier – at vi ønsker et system der det er partene i arbeidslivet som fastsetter lønnsnivåene. Det ønsker vi å beholde. Derfor ønsker skal være der for å sikre de sektorene, der man risikerer lønnsdumping og lønnsnedslag, der partene ikke klarer å bli enige, eller der det kan bli et stort innslag av sosial dumping. Derfor er det viktig at regjeringen i den nye handlingsplan 3 mot sosial dumping peker på at det er viktig å få utredet muligheten for allmenngjøring også i skipsfarten. Men det er partene i arbeidslivet som tar opp en sak om allmenngjøring. Det er ikke noe en regjering ensidig innfører på noe område uansett, det er opp til partene. er det bruken av administrative gebyrer det er stor diskusjon om. Jeg mener det er helt nødvendig at vi bruker det instrumentet. Og jeg mener det nå er litt opp til opposisjonen, som er veldig imot dette, å påvise at det har hatt noen særlig uheldig virkning. Tvert imot er dette tiltak som settes inn for å motvirke brudd på norsk lov brudd på tariffavtaler, og at de som driver på uærlig vis, skal få konkurransefortrinn. I dag er det ekstremt lønnsomt å drive med sosial dumping, derfor må de tilsynene som har myndighet på dette området, ha mulighet til å bruke gebyrer mer enn de gjør i dag, nettopp for å motvirke ulovligheter. Oppfører man seg i henhold til loven, har man ingenting å frykte. Så sier også Høyre at det virker som om vi ensidig lytter til den ene part i andre saker, men ikke i denne. Jeg er glad for at partene i denne saken har vært mer enige. Kanskje har det også noe å gjøre med at partene i denne saken har sett situasjonens alvor tydeligere, og vært tydeligere på at man ønsker å beholde norske lønns- og arbeidsvilkår – ikke bare på land, men også til sjøs. Det mener jeg er en styrke for saken. Jeg må si at jeg har reagert på at arbeidsgiversiden i Norge har vært så kritisk til en del av tiltakene mot sosial dumping på land – nettopp fordi tiltakene er til for å beskytte de ærlige bedriftene.
Skipsarbeidsloven, sjøfolkas arbeidsmiljølov, er en svært viktig lov for kystpartiet Senterpartiet. I dette korte innlegget vil jeg fokusere utelukkende på stillingsvernet. Kystnasjonen Norge har gode rammebetingelser for skipsfarten. Skipsfartens rammebetingelser er knyttet til verft og GIEK-ordninga, sjøfolkas lønnstilskudd og null i selskapsskatt for rederiene. Det gjelder milliarder. Ordninga har vært vellykket, den har skapt optimisme – det er en samfunnskontrakt med rettigheter og plikter. Det vi nå snakker om, er forholdene for sjøfolka – forhold som går på jambyrdighet mellom mennesker, mellom folk. Hva som skjer i arbeidslivet, er avgjørende viktig for jambyrdigheten generelt. Det er viktig for oss å slåss for Samholds-Norge, derfor er denne loven viktig. Hva skjer? Jo, funksjoner splittes opp mellom rederi og formelle arbeidsgivere, og faren for å pulverisere arbeidsgiveransvaret er til stede. Dersom arbeidsgiveransvaret er uklart, kan flere aktører vri seg unna vanlige plikter, enten det gjelder forhold til lovverk, avtaler eller daglige oppgaver. I utenriksfarten er en splitting av arbeidsgiveroppgavene i praksis fast regel. Det er tre selskaper: skipseiende selskap, kommersielt rederi og bemanningsselskap eller crewing-selskap. I innenriks sjøfart har man fram til nå vært ansatt i det kommersielle rederiet. Men utviklinga går i retning av splitting. Et nytt eksempel er hurtigruta, med Trygve Hegnar som stor eier, som for øvrig har sikret store statsbevilgninger til selskapet, hvor en går inn for ansettelse i egne selskap utenfor det tradisjonelle driftsrederiet. Problemet er at bemanningsselskapet oftest ikke rår over kommersielle verdier, økonomi eller avgjørelsesmakt når det gjelder de driftsoperative vurderingene, noe som er avgjørende for skipet som arbeidsplass.